her, og som var sentral i etableringa av Uloba, samvirkeforetaket som sto som arbeidsgiver for disse menneskene som var assistenter for brukere med store funksjonsnedsettelser. Det var en viktig jobb som ble startet der. Som flere har vært inne på, har det gått mange år før en har kommet fram til i dag, hvor vi skal gå videre fra en kommunal tilbudsplikt til en rettighet. Det er en utrolig svær reform som vi nå gjennomfører, kanskje mye større enn det mange er klar over, og også av et økonomisk omfang som er langt større enn mange er klar over. Jeg tror nok kanskje denne reformen er slik at dersom den hadde blitt utgreid i sin økonomiske konsekvens,

altså brukeren som trenger bistand, som sjøl skal være arbeidsleder. Det må være et grunnleggende prinsipp. Fra Senterpartiets side har vi gjort ett unntak fra det. Det gjelder foreldre til barn under 18 år, som kan være arbeidsledere, for det er rimelig opplagt at

ikke å omfatte tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede, eller nattjenester. Her må en se at andre offentlige tilbud i mange tilfeller kan være bedre enn brukerstyrt personlig assistent. Bare helt til slutt: Det er en rekke mennesker som skal arbeide med dette. Det er viktig at de som arbeider som assistenter, har anstendige arbeidsforhold, og siden staten går inn med så mye penger, må også staten være villig til å sikre anstendige arbeidsforhold for dem det gjelder, gjennom bl.a. tariffavtaler. Det er

av følgende: Det er ingen her i Stortinget som mener at de overordnede rettighetene i sosiallovgivninga skal svekkes. Hvis du har behov for x antall tjenester, skal det betales, enten det er via hjemmehjelp, institusjonsopphold eller alle andre typer tjenester. Det Men BPA-ordninga kommer jo ikke i tillegg til de tjenestene – den kommer ofte istedenfor. Faren for at dette skal bli så dyrt, utover det som kommuner og fylker i dag betaler, begriper jeg rett og slett ikke. Det er heller ingen som klarer å forklare meg det, til tross for at jeg har vært regjeringa ganske nær. aldri noen i Helsedepartementet eller Finansdepartementet som har klart å forklare meg det. Jeg har selvfølgelig full respekt for at ting koster – vi skal være nøkterne, vi skal være ordentlige, men argumentet om, og faren for, at dette blir så dyrt, forstår jeg oppriktig talt ikke, hvis det er under forutsetning av at vi ikke skal røre rettighetene i overordnet sosiallovgivning. sosiallovgivning. Jeg skal ikke misbruke det, men jeg ser nå at statsråden nikker forsiktig. Jeg skulle ønske at han kunne gå opp her og si litt om det før vi avslutter, for det er en viktig del av det hele. Jeg tror statsråden og jeg er veldig på bølgelengde når det gjelder forståelsen av hva dette egentlig handler om. Så skal jeg bare til slutt – jeg skal ikke gjenta meg selv, selvsagt – si noe om det som vi er i ferd med å gjøre. Jeg forstår hva statsråden sier, om at vi skal komme tilbake til ting. Men i første runde – og det kan ta ett år, to år, tre år – vil en rekke mennesker som i dag har BPA, kunne komme i rettighetsproblemer i det øyeblikk de må ha dublering eller nattjenester. Det vedtaket mener jeg Stortinget ikke bør gjøre. Det er feil å gjøre det vedtaket, fordi folk som kan fungere bra på dagen, ha jobb og alt mulig, men trenger hjelp om natta, som da vil si at de ikke har den rettigheten lenger, fordi de har krav på nattjeneste. Jeg gjentar det: Hvor slikt kommer fra i forbindelse med lovbehandling, skulle jeg gjerne visst. Men vi burde ha evnen til å stoppe

arbeidet som ble igangsatt under den forrige regjering, bryter det forslaget som er fremmet i dag, med det prinsippet. Vi har beregnet at utvidelsen når det gjelder spesielt støttekontakt og avlastning, til neste år kommer til å koste kommunene om lag 300 mill. kr ekstra og årene etter betydelig mer enn det. Min tilnærming – og min tilnærming til dette har hele veien vært den samme som Martin Kolbergs – er at jeg ikke har forstått hvordan det kan være mulig, for dette

og det synes jeg egentlig er det mest skremmende – som er kommet fram, er at den største kostnaden i utvidelsen av dette er knyttet til avlastning. Avlastning gis til foreldre som har sterkt funksjonshemmede barn – de som Stortinget alltid har ment bør ha bedre hjelp. Så kan en spørre: Hvorfor blir det så dyrt? Jo, det er rett og slett fordi kommunen organiserer det tilbudet så dårlig i dag at mange foreldre ikke orker å ta det i bruk. Det at en får mulighet til å organisere det som brukerstyrt personlig assistent, gjør at flere foreldre rett og slett vil orke å ta i bruk avlastning – en avlastning og ikke en belastning, som det av og til blir i dag. Det er hovedårsaken til kostnadsveksten. Så kunne jeg ha sagt at vel, da burde kommunene tatt den regningen, fordi de i utgangspunktet har den oppgaven fra før av, men da vet vi at da hadde den regningen gått ut over andre viktige kommunale oppgaver. Derfor har vi gått inn for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

for å utnytte moderne informasjonsverktøy på en god måte, til beste for pasienter og brukere. Arbeiderpartiet støtter innretninga på denne proposisjonen og synes det er bra at regjeringa så tydelig understreker at de foreliggende forslagene er en oppfølging av flere meldinger fra 2012, som fikk tilslutning fra Stortinget, bl.a. Meld. St. 10 for 2012–2013, God kvalitet trygge tjenester, Meld. St. 9 for 2012–2013, Én innbygger – én journal, og Meld. St. 11 for 2012–2013, Personvern – utsikter og utfordringar. Jeg er glad for at regjeringa viderefører det arbeidet som den rød-grønne regjeringa gjorde på feltet. Det er en styrke at det kan være en tilnærmet felles forståelse av behovet for i enda sterkere grad å ta i bruk IKT, både i pasientbehandling, i kommunikasjon i dokumentasjon i helse- og omsorgstjenestene og for å sikre pasientopplysningene fra uautorisert innsyn og bruk. Den enigheten vi gledeligvis ser i dag, har jo ikke alltid vært der mellom de nåværende regjeringspartier og opposisjonen – for å si det mildt. Det er ikke fritt for at jeg av og til under lesing av det foreliggende dokument ble slått av en viss munterhet med tanke på noen av de utsagnene nåværende helseminister kom med for et par–tre år siden i de mange debattene han og jeg hadde om dagens tema. Men for den gemyttlige stemnings skyld skal jeg ikke rippe opp i det forgangne; jeg skal tvert imot gjøre som jomfru Maria: Jeg skal gjemme ordene i mitt hjerte – uten at jeg dermed garanterer at de ikke blir tatt fram igjen. Et av de viktigste tiltakene i proposisjonen er at lovverket åpner for deling av pasientjournalopplysninger på tvers av virksomheter. Det at helseopplysninger følger pasienten dit pasienten behandles, er viktig for at den enkelte skal få så god og riktig hjelp som mulig. Det er ulike syn på om det her skal foreligge et klart uttrykt samtykke fra pasienten før slik deling kan finne sted, eller om det er mer formålstjenlig med en rett for pasienten til å sperre tilgang til spesifikke opplysninger for videre bruk. Det er forståelig at mange ser et klart samtykke som et mer tjenlig verktøy. Vi tror imidlertid at en godt informert rett til å sperre journalopplysninger i like stor grad ivaretar pasientens råderett over sine helsedata. Dessuten vil et aktivt samtykke kunne medføre unødig tidsbruk og med forsinkelser i pasientbehandlinga, når alle journaler før bruk må sjekkes mot et forventet aktivt samtykke. En reservasjonsrett for helseopplysninger som fungerer godt, betinger at den enkelte pasient/bruker får god informasjon om hva en slik tilgangsreservasjon innebærer, hva slags opplysninger man kan reservere for innsyn, og hvordan helsevesenet håndterer og sikrer slike opplysninger. Arbeiderpartiet er bekymret for

når det ikke skal måtte foreligge noen spesifikk avtale om samarbeid. Jeg har for øvrig notert meg at temaet er adressert i det nylig framlagte høringsnotatet til «Fritt behandlingsvalg», uten at det har gitt meg grunn til mindre bekymring. Det er flere uklarheter som bringes til torgs i det notatet. Det regner jeg med at vi får anledning til å komme tilbake til.

Manglende eller feilaktig informasjon kan medføre feilbehandling, og for å dokumentere hva som er gjort, og på hvilket grunnlag beslutningen er fattet, må informasjonen registreres – dette primært av hensyn til pasienten og den videre behandlingen. Dette forslaget innebærer at dagens helseregisterlov splittes opp i to nye lover: pasientjournalloven og helseregisterloven. På grunn av den faglige og organisatoriske utviklingen i helse- og omsorgstjenesten fungerer ikke lenger alle deler av helseregisterloven etter Siden 2001 har det skjedd store endringer i de tekniske mulighetene og i forventningene befolkningen har til sømløs utveksling av informasjon og tilgang til egne helseopplysninger. Høyre mener at flere av bestemmelsene i dagens lov er til hinder for et velfungerende pasientforløp. Tidligere ble en større del av helsehjelpen ytt innenfor én virksomhet. Det har imidlertid skjedd store endringer i pasientforløpet. Hver person har i dag sine helseopplysninger spredd mellom ulike systemer i ulike virksomheter. Økt spesialisering og samhandling forutsetter at flere virksomheter er løpende involvert i behandlingen av samme pasient. Grunnleggende krav til pasientsikkerhet forutsetter en større grad av sikker informasjonsdeling mellom de involverte virksomhetene. Endringene i loven legger til rette for at helsepersonell som yter helsehjelp, skal kunne få relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte, uavhengig av hvor Kort og godt, i stedet for at journaler transporteres med taxi, faks og rørpost, legger denne lovendringen opp til elektronisk samhandling i helsevesenet. Vi mener elektronisk informasjonsutveksling ikke skal gjøre det nødvendig med særskilt krav til samtykke. Kravet til samtykke bør være det samme uavhengig av om det gjelder utveksling av papirbasert informasjon, eller om opplysningene gjøres elektronisk tilgjengelig. Begge lovforslagene er endret på flere punkter etter høringen. En del av debatten har vært basert på høringsforslaget og ikke på det som blir fremmet i lovproposisjonen. Den nye pasientjournalloven legger bedre til rette for informasjonsdeling mellom helsepersonell enn dagens helseregisterlov. Det lovfestes at pasienten har rett til å motsette seg at hele eller deler av journalen gjøres tilgjengelig for annet helsepersonell. Dette kan gjøres både gjennom teknisk sperring og ved muntlig meddelelse til pasientbehandler.

Bruk av opplysninger skal fortsatt reguleres av pasientenes behov gjennom hele behandlingsforløpet. Disse lovene blir kart og kompass i den videre utviklingen av e-helse i Norge. Vi mener at dagens lovverk hindrer utviklingen av konseptet én pasient–én journal, en viktig brikke som må på plass for at vi skal nå målene vi har satt oss for et fremtidsrettet helsevesen på pasientenes premisser. Loven stadfester at deling av pasientopplysninger bare skal skje når det er nødvendig og relevant for pasientbehandling og andre lovhjemlede formål. Urettmessig innsyn i og deling av pasientopplysninger er ulovlig og kan medføre straffeansvar. Dette følger også av helsepersonelloven. Pasienter og brukere skal i størst mulig grad ha kontroll over helseopplysninger som beskriver dem. Pasienten skal slippe å henvende seg flere steder enn nødvendig for å få et fullstendig bilde av egne data. Tillit mellom pasient og behandlende helsepersonell er en forutsetning for å yte helsehjelp av god kvalitet og avgjørende for om pasienten gir fra seg tilstrekkelig med opplysninger for å motta riktig og nødvendig helsehjelp. I Den hippokratiske ed står det bl.a.: «Alt som kommer til min viten under utøvingen av mitt yrke eller i daglig samkvem med mennesker, som ikke burde bli kjent for andre, vil jeg holde hemmelig og aldri avsløre.» Helsetjenestens taushetsplikt er et av de eldste og viktigste tiltak for å ivareta denne tilliten.

i de sammenhenger, er noe man ikke har kontroll på. Det er viktig at man får kontroll på den virksomheten. Det er forbudt, og det skal fortsatt være forbudt.

samtykke. I alle tilfeller der det er praktisk mulig å få til, er det det som må være hovedregelen i det vi holder på med, både innenfor helseregisterloven og innenfor pasientjournalloven. Det fanger også loven opp i seg, at det er det som er hovedregelen, mens i en del sammenhenger er det slik at man har en mulighet til å reservere seg. Jeg vil særlig rette oppmerksomheten mot bl.a. helseregisterloven når det gjelder hvorfor det er viktig at vi har aktivt samtykke som hovedregel. Det er særlig knyttet til forskning. Når det gjelder forskning og de som skal bruke den type informasjon som blir opprettet i våre helseregister, er vi nødt til å sikre oss at den type informasjon ikke kommer på avveie. Det gjelder i hele Det gjelder i hele kjeden. Det gjelder ikke bare blant helsepersonellet, for blant helsepersonellet har vi mulighet til å kunne iverksette en del reaksjoner dersom man bryter loven, men det gjelder overfor dem som skal forske. Dersom man skal kunne ha tilgang til personopplysninger i forskningen, og kan gå tilbake og personidentifisere disse dataene, må loggføring og sporbarhet gjelde i alle ledd som har tilgang til denne informasjonen. Når det gjelder helseregister og samtykke til reservasjon, dreier denne saken seg ikke om du skal ha en lås på døra og at det skal være vanskelig å gå inn. Nei, det er hvor mange låser du har når det gjelder det sikkerhetsmessige, som på mange måter er debatten her. Har vi den tryggheten som skal til for å kunne ha personidentifiserende opplysninger og kunne forske på det? det? Der er det viktig det som helseministeren har uttalt tidligere, og som også har vært sagt i denne salen, at loven trer ikke i kraft for virksomhetene før man har et sikkert system på plass. Verktøyet må ligge der før man kan iverksette disse tingene, nettopp av hensyn til personvernet og pasientens interesser. Men det er at man kan dele informasjon på tvers av virksomheter, for det dreier seg om at man skal få den rette helsehjelpen. Det må vi også ta inn over oss. En del har stilt spørsmål her, og det var vel representanten Tove Karoline Knutsen som viste til problemstillingen med private helseinstitusjoner. Men når man vedtar en lov, gjelder ikke den bare for offentlig sektor.

at sporbarheten og loggføringen ligger der, og at vi får iverksatt enda strengere tiltak mot snoking i pasientjournaler. Det er særlig viktig når vi utvider omfanget av journalen på tvers av flere virksomheter. Da må disse tingene ligge i

hvor det er viktig å få informasjon og få tak i livsviktige opplysninger for å kunne hjelpe personer, uansett hvor de kommer fra i landet, og når på døgnet de kommer inn. Det er ikke så mange år siden vi hadde papirjournaler som utfordret oss med hensyn til å ha en samlet journal. Å få tak i journaler og finne de rette papirene som skulle høre til, var i mange områder vanskelig å få til. Det var til og med slik at hadde det vært to tette sykehusinnleggelser og epikrisen ikke var skrevet, kunne du ha bare halve journalen foran deg når du hadde pasienter som var svært alvorlig syke. Vi har heldigvis kommet et skritt lenger. Vi har fått ny teknologi, som gjør at vi til enhver tid kan ha tilgang til de riktige opplysningene. Derfor er det viktig å sikre at disse opplysningene, opplysningene. Derfor er det viktig å sikre at disse opplysningene, som er sårbare opplysninger, ikke kommer på avveier, som de kunne gjøre da vi hadde papirjournalen i sin tid og vi ikke kunne se hvem som Vi må sikre at disse opplysningene ikke kommer på avveier, og at pasienten til enhver tid skal vite hvem som er inne på journalen, og hvem som har rett til å gå inn på journalen, og vet hvem som vet hva om en selv. Kristelig Folkeparti er glad for at det forbedres, sånn at pasientene nå får vite hvem som har vært inne eller hvem som skal inn i journalen. Ingen skal inn i journalen som ikke har noe der å gjøre. Formålet med pasientjournalloven er at vi skal ha helsehjelp av god kvalitet, og at vi sikrer personvernet og pasientsikkerheten, samtidig som vi skal ta i bruk ny teknologi som sikrer at vi får tak i de opplysningene vi trenger til enhver tid for å gi god helsehjelp. Den nye pasientjournalloven skal sikre at vi får tak i nødvendige og relevante opplysninger hele veien for å gi pasienten den beste hjelpen. Så er det viktig å legge til rette for at det kan være informasjonsdeling mellom helsepersonell for nettopp å kunne gi rett hjelp til rett tid. Hvis vi ikke har den muligheten, kan det faktisk ende med at vi ikke klarer å gi rett hjelp til rett tid. Loven må gjelde offentlig sektor som privat sektor. Det er også viktig at vi får på plass en god helseregisterlov, sånn at vi sikrer kvaliteten på det som ligger der, hvem som har tilgang, og til grunn for den behandlingen de skal legge til rette for på sikt. Derfor er Kristelig Folkeparti glad for den loven som nå kommer i

Det er tatt omsyn til innspel, og fleire gode presiseringar er gjorde. Loven fastset at samtykke skal vera hovudregelen for alle helseregister. Senterpartiet vil støtta at det leggjast til rette for etablering av reservasjonsrett for registrering i helseregisteret når det ut frå registerets formål ikkje kan krevjast samtykke. Etablering av nye, store helseregister utan samtykke skal avgjerast av Stortinget. Senterpartiet har etter nøye vurdering og behandling av innspel kan støtta hovudregelen som er foreslått frå regjeringa om at behandling av helseopplysningar mellom verksemder i ny pasientjournallov skal reduserast til passivt samtykke i form av ein rett til å motsetja seg behandling av opplysningar. På dette punktet er vi einige med Venstre og SV i at dette er vesentlege inngrep i retten til å verna om eigne sensitive opplysningar, og sensitive opplysningar, og at rett til å motsetja seg er noko heilt anna enn eit uttrykkeleg samtykke. Senterpartiet meiner at deling av pasientopplysningar på tvers av verksemder som hovudregel må vera basert på uttrykkeleg samtykke. Unntak frå hovudregelen kan vera aktuelt i akutte situasjonar. Vi meiner også at det må kunna vera mogleg å innhenta eit slikt aktivt samtykke ein gong.

journalsystem i alle verksemder. At den innleggjande lege eller utskrivande lege lagar gode, poengterte notat med komprimerte fakta og aktuell problemstilling, vil alltid vera viktig og vil ikkje kunna erstattast av ein generell tilgang til pasientens journal. Tilgang til pasientjournalar vil vera for å innhenta ekstra opplysningar som trengst i behandlingsforløpet. Slik sett hastar det kanskje endå meir med å få på plass rutinar for gode tilvisingar og Deling av helseopplysningar i pasientjournalar skal berre skje når dette er nødvendig og relevant. Det er viktig. Det slår loven òg fast. Helseopplysningar skal berre vera tilgjengelege for helsepersonell med tenesteleg behov. Det er òg viktig å presisera. Behandling av helseopplysningar skal vera i samsvar med strenge krav til teieplikt og personvern. Både regelverk og teknologi skal sørgja for at personlege helseopplysningar ikkje vert gjenstand for uautorisert bruk. Urettmessig innsyn i og deling av pasientopplysningar er ulovleg og kan medføra straffansvar. Alt dette er slått fast i loven, men her tolest ikkje slurv, her tolest ikkje ein einaste glipp. Skal helsevesenet få dela sensitive opplysningar om folk, er det også eit stort ansvar. Det er tilliten til helsevesenet som vert skadelidande om det som står i loven, ikkje vert følgt opp. I dag er det ikkje gode nok system på plass, men det er tatt eit atterhald i loven om at desse må vera på plass før ordninga vert innført. Personvernomsynet må varetakast. Det er då vesentleg med god overvaking og tilgangskontroll når det gjeld innsynsrett og sporing av innlogging. Helsevesenet vil ikkje fungera godt utan pasientens tillit. Både pasient og behandlar må ha tillit òg til journalen. At enkelte helseopplysningar må kunna skjermast og At enkelte helseopplysningar må kunna skjermast og sperrast for registrering, altså at pasienten har rett til å motsetja seg registrering av opplysningar, er òg grunnleggjande for denne tilliten. Senterpartiet er einig med SV og Venstre når vi påpeiker at denne retten er lite kjend i dag, og det er behov for ein klar heimel for retten til å skjerma eller sperra journalopplysningar. Mykje har skjedd med pasientjournalar på 50 år. For 50 år sidan var det vel ingen pasient som las kva som sto i eins eigen journal. Eg må fortelja ei historie frå eg sjølv var i turnus,

vil eg få fremja forslaga nr. 2 og 3 frå Senterpartiet, Venstre og SV. Representanten Kjersti Toppe har tatt opp de forslagene hun viste til. Venstre er tilhenger av at helsepersonell skal få relevante og nødvendige opplysninger om sine pasienter på en rask og effektiv måte. Vi er teknologioptimister og mener det er viktig å ta i bruk ny teknologi. Vi vil gjerne at fastleger, sykehus og andre kommuniserer bedre elektronisk med og vi vil gjerne ha bedre helsetjenester, til beste for pasientene. Men vi er også opptatt av å ivareta tilliten til helsevesenet og gi den enkelte trygghet for at ikke detaljer rundt et opprivende samlivsbrudd, et vanskelig abortinngrep, medisinering i forbindelse med en depresjon eller en overgrepshistorie kommer på avveier. Som pasient skjønner vi at det noen ganger er nødvendig for helsepersonell å få innsikt i hele sykdomshistorikken. Vi forventer også at ulike deler av helsevesenet snakker sammen. Vi skjønner at det er nødvendig å dele opplysninger elektronisk. Men vi vil bli spurt. Hva sier foreldrene når det avsløres at det er tatt vevsprøver fra deres døde spedbarn til bruk i forskning på krybbedød, uten at det ble innhentet samtykke fra foreldrene? Jo, de sier: Vi skulle blitt spurt. Og de sier: Vi ville sagt ja. Når Venstre foreslår å sende proposisjonen tilbake, er det først og fremst fordi en i forslag til ny pasientjournallov åpner for deling av journalopplysninger mellom virksomheter uten at det innhentes uttrykkelig samtykke. samtykke. Det anføres at delingen er samtykkebasert, og at pasientene gir sitt samtykke når de oppsøker helsehjelp. Hvor mange tror vi, helt ærlig, vil være klar over at man ved å oppsøke legevakten i en akuttsituasjon eller ved å konsultere psykolog indirekte samtykker til at helsepersonell i andre virksomheter kan få tilgang til de fortrolige opplysninger som er gitt i enhver kontakt med alle deler av helsevesenet i fortid og i framtid? Så anføres det at man har rett til å motsette seg deling, som om det var likeverdig med et uttrykkelig samtykke. En rett til å motsette seg innebærer at man må foreta seg noe aktivt – man må rent faktisk motsette seg deling. Det forutsetter for det første at man vet at opplysningene kan deles, og for det andre at man vet at man kan motsette seg deling. Når vil man bli informert om at man har rett til å motsette seg deling?

Et passivt samtykke avlaster det offentlige for et stort informasjonsansvar, noe som Venstre er svært skeptisk til. Det framgår av lovproposisjonen at personvernet er ivaretatt, og Venstre er glad for at personvern er tatt inn i formålsbestemmelsen. Kan det likevel tenkes at personvernet kunne blitt ivaretatt på en enda bedre måte enn det som er tilfellet i forslagene som er lagt fram? Andalucía i Spania har med sine åtte millioner innbyggere en IT-infrastruktur for helsetjenesten som vi bare kan drømme om her til lands. Alle sykehus og offentlige legesentre har samme løsning og kan kommunisere elektronisk med hverandre uten hindringer. Det betyr at pasientinformasjonen faktisk følger pasienten, slik at alle ledd i helsetjenesten har tilgang til den samme informasjonen når de er i kontakt med pasienten. Dette gjelder også apotekene som leverer ut pasientens legemidler og gir råd om bruken. I Andalucía har de løst dette ved at alle innbyggere har et pasientkort for sikker identifikasjon. Det ligger ingen informasjon i kortet utover at det identifiserer pasienten. For at helsepersonell skal få tilgang til pasientdata, må de som hovedregel ha dette pasientkortet. Da har pasienten selv full kontroll over hvem som får tilgang til deres informasjon, og de kan gi tilgang til akkurat det helsepersonellet de selv ønsker. Ingen kan mistenkes for urettmessig å snoke i sensitive persondata, og alle har tilgang til nok informasjon til å gjøre en best mulig jobb for pasienten. Det er mulig å ivareta hensynet til effektiv kommunikasjon og samtidig la den enkelte selv beholde kontrollen over egne sensitive opplysninger. En av utfordringene ved at det nå åpnes for deling på tvers av virksomheter, er at journalene ikke er strukturerte. Journaler føres på ulikt vis og inneholder i mange Det vil derfor være en krevende prosess å lete seg gjennom en lang journal for å finne relevant informasjon. Da får man en unødvendig og omfattende eksponering av de mange sensitive opplysninger en journal kan inneholde. Det er behov for å gjennomgå både beskrivelser av diagnoser og metoder for loggføring. Venstre foreslår derfor å oppnevne en LEAN-kommisjon som kan gjennomgå dagens journalpraksis og opplæringsbehovet blant helsepersonell, for å kunne etablere en felles standard for en digital journal. Det gjelder uavhengig av hvilke krav man stiller til samtykke. Så vil jeg til slutt si noe om forslaget til ny helseregisterlov. Venstre mener det er fornuftig med en todeling av gjeldende lov for å tydeliggjøre forskjellen mellom bruk av journalopplysninger som ledd i behandling og til sekundære formål som ikke direkte kommer den berørte pasienten til gode. Helseregistrene er viktige i forbindelse med forskning, utarbeiding av statistikk, ved analyser, planlegging, styring og beredskap. Vi har mange gode registre, og slik skal det fortsatt være. Venstre er imidlertid kritisk til at en i forslaget til ny helseregisterlov legger opp til at nye registre kan opprettes ved forskrift. Jeg vil til slutt fremme de forslag som Venstre alene eller sammen med andre går inn for. Representanten Ketil Kjenseth har tatt opp de forslagene han refererte til. Det er i utgangspunktet en svært positiv sak vi behandler i dag. Vi har

og vi har muligheten til i en tid der pasientforløpet er annerledes enn før og ofte finner sted i ulike virksomheter i helsevesenet, å sørge for at informasjonen følger pasientene på en sikrere måte enn før. Likevel er det ikke til å komme bort fra at denne debatten selvfølgelig mye blir handlende om det vi er uenige om, som er graden av kontroll den enkelte innbygger skal ha over sine helseopplysninger. I SV er vi svært kritiske til at sensitive opplysninger om vår helsetilstand og våre liv skal kunne deles i helsevesenet uten hver enkelt innbyggers aktive samtykke. Det handler om å ta vare på noen grunnleggende prinsipper i vårt helsevesen og i vårt samfunn, og om hvordan vi behandler konfidensielle og taushetspliktbelagte opplysninger. Det blir særlig viktig å ha en sånn diskusjon når mer og mer av disse opplysningene finnes i elektroniske journaler som det er lett å dele, men som dessverre også lett havner på avveie. Vårt syn at det er mulig å videreføre dagens krav til aktivt samtykke i ny pasientjournallov på en effektiv og ubyråkratisk måte. Vi er sterkt bekymret for at det å snu hovedregelen fra et aktivt samtykke til et passivt samtykke, eller en reservasjonsrett, som jo er populært i norsk politikk om er en rettighet som for veldig mange vil forbli en papirrettighet. Vi vet at allerede i dag sliter vi i helsevesenet vårt med at mange rettigheter som folk har på papiret, er rettigheter som ikke er kjent for pasientene i praksis. Og terskelen for å reservere seg vil sannsynligvis være høyere enn for ikke å gi et aktivt samtykke. Så vi står sammen med Venstre og Senterpartiet om at kravet til informert samtykke i dagens lov skal videreføres i den nye loven. Legeforeningen ga en god illustrasjon på betydningen av det i høringene som komiteen hadde, der de viste til at dagens adgang til å sperre opplysninger er lite brukt fordi terskelen for brukerne er høy og folks kjennskap til regelen ønsker vi oss også en klar hjemmel for adgangen til å sperre sånne opplysninger i den nye loven. Jeg tror at aktivt samtykke er noe vi som folkets tillitsvalgte ikke skal være så redde for. Aktivt samtykke bygger tillit, det legger til rette for en sunn prosess, og det kan være positivt for helsevesenet, som må ha en kritisk gjennomgang med seg om hvordan man behandler sensitive personopplysninger. Det kan være positivt for pasientene, som gjennom et aktivt samtykke bevisstgjøres rundt hvor mye viktig informasjon om oss helsevesenet sitter på, og det er ikke minst viktig for samfunnet fordi vårt samfunn trenger en stadig bevisstgjøring rundt de vanskelige spørsmålene om personvern. De opplysningene vi snakker om her,

Jeg synes at denne saken belyser noe som dessverre er en trend i Stortinget, og det er at Datatilsynet kommer med svært klare råd til oss som Stortinget ikke følger, og at personvernhensyn igjen og igjen kommer bak i rekken når viktige Det vi ser, er en litt uvanlig allianse av Venstre på borgerlig side og oss og Senterpartiet på rød-grønn side, men det er dessverre en vanlig allianse i personvernspørsmål. Vi trives veldig godt med Venstre der. Problemet er at personvernpartiene ser ut til å være i kronisk mindretall i denne

Regjeringens forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov vil åpne for at nye, bedre og sikrere løsninger utvikles og kan tas i bruk. En følge av økt spesialisering og samhandling er at flere virksomheter er løpende involvert i behandlingen av én og samme pasient. Dette har skapt nye og større behov for å dele pasientopplysninger som dagens lovverk ikke tar høyde for. For dårlig

ikke til den virksomheten der pasienten tidligere har fått helsehjelp. De færreste ønsker å dele alt med alle. Vi vil ikke at uvedkommende skal ha tilgang til helseopplysninger om oss selv. Men vi får ikke et godt personvern ved å gjøre det vanskelig å dele informasjon mellom personer som trenger det, for å gi best mulig helsehjelp. Vi foreslår ikke at flere pasientopplysninger skal kunne deles. Det som er nytt, er måten opplysningene kan deles på. Dersom et sykehus eller en fastlege har moderne elektroniske pasientjournaler med høy sikkerhet ved deling av opplysninger, kan de velge å gi helsepersonell direkte tilgang til opplysninger som er nødvendige for å gi pasienten helsehjelp på et annet sted. Bare de som trenger det, skal få og bare i forbindelse med at pasienten har oppsøkt helsehjelp, eller for å administrere slik hjelp. Pasienten skal, som i dag, ha rett til å se hvem som har sett opplysningene, og til å motsette seg at de deles med andre behandlere. Selvfølgelig gjelder taushetsplikten. Pasientjournalloven vil være ett av mange skritt på veien mot regjeringens visjon om «én innbygger – én journal». Her har vi flere parallelle prosesser, bl.a. om standardisering, strukturering og utvikling av nye og bedre journalsystemer. Når vi har utviklet systemene og vurdert ulike løsninger grundig, vil vi legge fram et nytt forslag om én nasjonal journalløsning som samler alle pasientens helseopplysninger. Vi trenger helsedata for å behandle hver enkelt pasient, men også for å få mer kunnskap om årsaker og forekomst av sykdommer, hvordan de utredes og behandles, og

Men den type registre kan bare etableres dersom registeret er viktig og det ikke er mulig å basere registeret på at den enkelte samtykker. Representanten Tove Karoline Knutsen refererte til en del av mine synspunkter i denne type spørsmål for en del år tilbake. Det er helt riktig at i denne type spørsmål har både jeg og Høyre beveget oss. Men i forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldingen Én innbygger – én journal og i forbindelse med saken om kjernejournal så en at Stortinget hadde en annen holdning til denne type spørsmål enn det en hadde i stortingsperioden før. Det er i dag grunn til å takke tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen for å ha igangsatt et viktig reformarbeid på dette området. Den nye pasientjournalloven og helseregisterloven vil åpne for nye og sikrere løsninger, sånn at den enkelte pasient får bedre helsehjelp, og for å utvikle helsetjenesten til beste for pasienten. Så er det viktig at vi tar personverndiskusjonen fra papirsamfunnet til det digitale samfunnet og ser de mulighetene for styrket personvern som økt, ny digitalisering innebærer.

går. Der sier man rett ut at stadig flere tilbydere – uten avtale med det offentlige, slik vi har i dag – er en utfordring for både pasientsikkerhet og personvern. Statsråden vil sikkert si at dette skal utredes. Men mitt spørsmål er: Kan helseministeren slutte seg til intensjonen i det forslaget som Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Venstre legger fram, om at private tilbydere skal levere gode og fullstendige helsedata til offentlige registre, bidra til ambisjonen om «én innbygger – én journal» og ha trygg og sikker håndtering av pasientjournalopplysninger? Hva er grunnen til at regjeringspartiene ikke støtter dette forslaget, slik det framkommer i merknaden? Det vil ikke være nødvendig for regjeringspartiene å stemme for dette forslaget. Jeg regner med at regjeringspartiene har tillit til at dette blir utredet av regjeringen. Det kom også fram i det høringsnotatet om fritt behandlingsvalg som vi sendte ut i går. Den enkle tommelfingerregelen er at de samme kravene for private tilbydere i fritt behandlingsvalg-ordningen som for de private tilbyderne som har anbud i dag – og som jeg også forstår at Arbeiderpartiet er enig i er en viktig del av det offentlige helsetilbudet – nemlig at også private som har anbud, deltar i dag. Der stiller en krav om den type deltagelse Ja, det vil bli stilt krav om dette. Dessuten er det jo sånn at både pasientjournalloven og helseregisterloven gjelder offentlige og private virksomheter, og reglene om behandling av helseopplysninger er de samme for private og offentlige virksomheter. Men det avgjørende er hvilke oppgaver som utføres, og om de omfattes av lovens virkeområde, ikke om oppgavene utføres av offentlige eller private

ulik forvaltning, og det er mange ulike typer forvaltning – som gjør at vi er skeptiske. Det er godtgjort i dag at vi har en forvaltning som er i stand til å håndtere dette. Da er spørsmålet til statsråden: Er det sikkert nok når det er kjøpt inn, eller er det sikkert nok når alle aktørene som skal forvalte systemet, har fått den opplæringen som er tilstrekkelig for å håndtere all den sensitive

rammer for utviklingen. Hvis vi skulle gjort det sånn at vi ventet til alle IKT-systemene var helt på topp før vi innførte nytt lovverk, hadde vi latt dem som var sist ute, få lov til å bestemme farten. Ved å legge lovverket, men med klare krav, har vi også noe som virksomhetene må strekke seg etter når de skal utvikle sine nye Det f.eks. å utveksle informasjon mellom virksomheter får en ikke lov til før en tilfredsstiller lovens krav. Vi vil også, bl.a. på innspill fra Datatilsynet i høringsrunden, lage en egen forskrift med egne krav om dette. Replikkordskiftet er avsluttet. Dette er en av de sakene som vi i møte med sykehus- og helseregistre har fått tilbakemelding på at de hadde størst forventninger til.

Men når jeg har besøkt primærhelsetjenesten, har jeg også sett hvor kort vi er kommet med tanke på visjonen om «én pasient – én journal». Så det er behov for å få et rammeverk, slik at vi kan bli bedre. Da komiteen var på studietur til Bergen, fikk vi også god innsikt har vært med på både å forbedre tjenesten og målrette tiltakene, slik at barnedødeligheten har gått ned. De ga oss også klare innspill for hvordan vi burde endre loven, slik at vi fikk enda bedre kunnskapsgrunnlag framover. Derfor er Arbeiderpartiet trygg på at flertallet her har landet på en god avveining mellom personvern og muligheten for å gi raske og effektive omsorgstilbud og helsetilbud til befolkningen.

får det rette og det beste tilbudet. Innenfor dette området er det kanskje enda viktigere med godt tilsyn – og at vi følger med. Det er i alle fall bakgrunnen for vårt forslag. Vi er glad for signalene vi fikk fra helseministeren, og ser fram til at dette blir utredet bedre, og at det blir utarbeidet tjenlige verktøy. Jeg vil også takke for representanten Nesviks innlegg, som gikk veldig tydelig i samme

pasientjournalar gir nye moglegheiter, men også nye utfordringar for helsesektoren. Informasjonen kan bringast fram, han kan spreiast mykje hurtigare enn før, han er raskare tilgjengeleg, og ein kan finne han med større treffsikkerheit. Mens ein tidlegare måtte ha fysisk tilgang til pasientjournalen, anten ved å oppsøke arkiv eller ved at han fanst tilgjengeleg på eit legekontor eller ein sengepost, er han no berre eit tastetrykk unna. Det er ei utfordring for teieplikta. Det har vorte lettare å få tilgang, men tilgjengelegheita til informasjonen gjev også større potensial for misbruk. Personvern er viktig for Venstre, og vi var veldig glade for at det i 2007 vart oppnemnt ein personvernkommisjon som utarbeidde NOU-en Individ og integritet. Personvern i det digitale samfunnet. Der uttaler ein følgjande om journaltilgang på tvers av verksemder: «Etter Personvernkommisjonens oppfatning fordrer økt tilgjengelighet til pasientjournalen at pasienter kan ha tillit til at ikke er verken juridisk, teknisk eller faktisk mulig for utenforstående å tilegne seg informasjon man ikke skal ha. Dette forutsetter kontinuerlig og systematisk opplæring og oppdatering av helsepersonells kunnskaper om gjeldende regelverk om taushetsplikt og personvern. I tillegg kreves holdningsskapende arbeid hos både helsepersonell og sykehusledelse, samt fortsatt strenge regler for når det kan gjøres unntak fra taushetsplikten og hovedregelen om samtykke til slikt unntak.»

Den enkelte har sjølv kontrollen over spreiinga av eigne helseopplysningar, og når kravet til samtykke blir fjerna, mistar pasienten den kontrollen. Sensitive opplysningar vil kunne kome på avvegar, og ein veit ikkje alltid kven som får tilgang. Nokon som ikkje burde ha visst, får vite. Det blir notert at ein har rett til å motsetje seg deling, og at opplysningar kan sperrast. Lege Britt Lagerholt Smith uttalte til VG 23. april i år at sperring er berre for dei mest ressurssterke pasientane. Det er også i dag tilgang til å sperre opplysningar, men erfaring viser at det kan ta mange år og krev hjelp frå både advokat og fylkeslege. Det er ikkje, som ein kan få inntrykk av, tilstrekkeleg å be om at opplysningane blir sperra. Vidare må ein vera merksam på at sjølv om ein skulle vinne fram med krav om sperring, vil det via kontaktopplysningane i journalen framleis gå fram at det eksempelvis er ein psykiatrijournal. Vidare er det vist kva diagnose som er Samla sett er det grunn til å vere uroleg for det ein gjer i Stortinget i dag. Eg håpar vi kan kome tilbake til det på eit seinare

Men mange behandler pasienter utenfor, og der er det – ifølge SINTEF – helt eller nesten helt umulig å få opplysninger. Der må man gjøre en jobb for å rydde opp. Derfor etterlyste jeg dette i proposisjonen. Jeg ser fram til at det blir gjort et arbeid med det. Helseministeren har lovet det, og jeg ser fram til at han kommer til Stortinget med det. Så til det med aktivt samtykke: Noen mener man skal ha et slags engangssamtykke, og at det er tilstrekkelig. Hvis ikke må man ha samtykke hver eneste gang det blir aktuelt å dele disse opplysningene. Hvis man har engangssamtykke, må det kombineres med en reservasjon, for hvis man én gang gir et samtykke, kan det dukke opp ting i helsetilstanden som gjør at man vil opplysninger. Jeg tror dette er ganske forvirrende for pasientene – for ikke å snakke om byråkratiet man bygger opp for å utsjekke og avsjekke alle disse ulike samtykkene og reservasjonene som måtte komme. Jeg tror man skal prøve å lage systemer som gjør dette håndterbart for helsevesenet og så sikkert som overhodet mulig for pasientene. Det er det jeg forstår at proposisjonen legger opp til. og så sikkert som overhodet mulig for pasientene. Det er det jeg forstår at proposisjonen legger opp til. Komiteen har også understreket det proposisjonen sier, at man må ha skikkelig struktur på pasientjournalen før dette blir rullet ut. Det skal være ordninger som gjør at man kan ha tilgangskontroll, at man kan ha systemer for administrasjon og autorisasjon, og at man har sporing av innlogging i journalen – og veldig mange andre ting. Jeg er enig med helseministeren i at loven må komme først, og så må vi i enda større grad få teknologien på plass. Vi er selvfølgelig og heldigvis allerede kommet mye lenger enn vi var da vi begynte å jobbe med dette, men vi må hele tiden gjøre et arbeid for at loven og teknologien vi har, skal balansere.

rommet der papirjournalene var – hvis en var så heldig at det var låst – lese disse journalene helt uten noen som helst form for kontroll. Den eneste kontrollmuligheten var at man ble «fersket». I dag har man full oversikt over hvem som er inne i journalene. Vi som pasienter har også en helt annen mulighet til å kontrollere om f.eks. naboen, hvis naboen jobber i helsevesenet, er inne og

videreføres. Det innebærer at i normale tilfeller vil helsepersonell innhente informasjon fra andre virksomheter i samråd med pasienten. Å stille særlige krav til samtykke utover dette vil vanskeliggjøre informasjonsutveksling i en behandlingssituasjon. Helsepersonell har allerede i dag rett og plikt til å dele informasjon, men taushetsplikten endres ikke. Det som er nytt i forslaget, er måten opplysningene kan deles på. Dersom f.eks. et sykehus eller en fastlege har gode og moderne systemer, kan de etter lovforslaget velge å gi helsepersonell direkte tilgang til journalen. Helsepersonell kan selv søke fram relevante opplysninger om pasienten, men sykehus eller legekontor som ikke sikrer pasientens personvern på en god måte i sine systemer, kan ikke gi annet helsepersonell tilgang, og pasienten vil fremdeles kunne nekte

at en ivaretar personvernet inn i et moderne system, for jeg er helt enig med alle dem som har sagt at helsetjenesten er avhengig av at befolkningen har tillit til at opplysningene om dem blir forvaltet på en god

eller om det skal være reservasjonsrett eller reservasjonsmulighet – her kan vi være rause med begrepene. Men det er et langt stykke derfra til å si at det bare er noen partier som er opptatt av personvern. Jeg er helt klar på at debatten vi har hatt mellom partiene, og arbeidet i komiteen, i stor grad har vært opptatt av å belyse personvern og

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 15 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 20 minutter, Høyre 15 minutter, Fremskrittspartiet 10 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. I tillegg gis statsråden 5 minutters taletid. Videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen.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

fasetter. Saken blir heller ikke enklere av at det er vekslende flertall og mindretall i komiteen for og imot regjeringas ulike lovforslag. Dessuten er verken Kristelig Folkeparti eller Miljøpartiet De Grønne representert i komiteen, så når vi kommer så langt som til votering i saken en eller annen gang i natt, gjelder det å ha tunga rett i munnen, samtidig som det påhviler innpiskerne et stort ansvar for at de voterende faktisk gjenspeiler det som er stortingsflertallets syn i saken. Som saksordfører er det mitt ansvar her og nå å forsøke å dra oss igjennom hovedpunktene i saken, på en måte som gjør at Stortinget har oversikt over det vi skal ta stilling til. Men før jeg gjør det, har jeg som saksordfører en liten oppfordring til statsråden, som jeg håper han vil ta til seg og i hvert fall reflektere over, med tanke på framtidige saker. Jeg har vært stortingsrepresentant i ni år og saksordfører for mange saker, men aldri har jeg slitt mer for å skaffe meg oversikt over innholdet i en sak enn jeg har gjort med denne proposisjonen. Tittelen kan ved første øyekast tyde på at dette er en teknisk tilpasning til vedtak Stortinget allerede har gjort, når det gjelder ny uføretrygd og ny uførepensjonsordning for offentlige tjenestepensjonsordninger, men så Forslagene omfatter endringer i en rekke lover – folketrygdloven, endringsloven til folketrygdloven om ny uføretrygd, som først trer i kraft 1. januar 2015, samordningsloven, lov om krigspensjon for militærpersoner, lov om krigspensjon for sivile m.v., sjømannspensjonstrygdloven, Statens pensjonskasseloven, lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet,

Noen av forslagene er ikke tilpasninger til ny ordning, men forslag til endringer i vedtak Stortinget allerede har gjort. Noen forslag omhandler en rekke ytelser og har egentlig ingen sammenheng med iverksettelsen av ny uføretrygd og ny offentlig uførepensjonsordning og kunne som sådan vært fremmet i en egen proposisjon, der tittelen ikke hadde handlet om uføretrygd eller uførepensjon i det hele tatt. tatt. I tillegg foreslås en oppsplitting i en av paragrafene i endringsloven til folketrygdloven, som gjør at paragrafnumrene i noen av endringsforslagene ikke samsvarer med paragrafnumrene i den loven det foreslås endringer i. Da komiteen skulle behandle forslag til framdrift i saken, var et av spørsmålene vi skulle ta stilling til, om vi skulle ha høring i saken. I utgangspunktet tenkte vi at det kanskje ikke var nødvendig. nødvendig. Vi forholdt vi oss da til sakens overskrift. Jeg tror de fleste med en gang oppfattet dette som en sak som bare inneholdt nødvendige tilpasninger til tidligere vedtak, men vi bestemte likevel å avholde høring. høring. Kun én organisasjon meldte seg, Landslaget for offentlige pensjonister. Jeg har en mistanke om at det kanskje kan skyldes at de færreste – i likhet med oss i komiteen – greide å lese ut av sakens tittel hva saken egentlig omfattet. Hvis det er tilfelle, er det et demokratisk problem som vi bør reflektere over, enten vi er i posisjon eller i opposisjon. Da kommer min lille henstilling til statsråden, for tidligere statsråd Rigmor Aasrud startet et prosjekt – Klart språk i staten – som nåværende moderniseringsminister Jan Tore Sanner har trykket til sitt bryst. Prop. 66 L for 2013–2014 hadde neppe stått seg i dette perspektivet. Som folkevalgte skal vi ta stilling til viktige spørsmål for innbyggerne våre, og et minimum er da at vi skjønner hva saken går ut på. på. Klart språk er ekstra viktig når vi har kort tid til å behandle saken, som i dette tilfellet. Det er et gammelt ord som sier at det i mange tilfeller kan være lurt å holde munnen lukket og la andre tro du er dum, istedenfor å åpne munnen og heve enhver tvil. Når jeg i dette tilfellet våger å trosse dette kloke rådet og faktisk åpne munnen, er det delvis fordi jeg i mitt tidligere liv, som jeg sa, har vært saksordfører for mange saker, men at jeg også har vært saksbehandler

at han med kritisk blikk vurderer om det er mulig å forenkle språket i framtidige proposisjoner om så kompliserte spørsmål. Tilbake til saken, som jeg velger å gjennomgå med utgangspunkt i politikk og ikke teknikk. Med det som rettesnor har jeg valgt å dele forslagene inn i fire hovedgrupper. Den første består av helt greie tilpasninger, som enten er av teknisk art, eller som det er bred politisk enighet om, både partiene imellom og blant høringsinstansene som har avgitt uttalelse ikke i vår, men til departementets, høring i saken. Dem velger jeg rett og slett ikke å bruke tid på her, bortsett fra ett, som gjelder opphevelse av bestemmelsen om uføretrygd til hjemmearbeidende ektefelle. Det innebærer at de få – i praksis kvinnene – dette gjelder, heretter skal bli vurdert i forhold til sine framtidige muligheter på arbeidsmarkedet, noe som vil gi dem en høyere uføregrad enn om de skulle bli vurdert i forhold til mulighetene til å utføre husarbeid. Det er alle enige om. Den andre hovedgruppa er forslag til nødvendige tilpasninger til allerede vedtatte regler, men der ulike løsninger er mulige, og der det er forskjellige meninger blant høringsinstansene. Det gjelder bl.a. de ulike forslagene til endringer i samordningsloven, utformingen av et midlertidig gjenlevendetillegg til uføretrygden i påvente av nye, permanente regler og nye, enklere regler for etteroppgjør der den utbetalte ytelsen har vært for lav eller for høy. En samlet komité har her – tross ulike syn blant de berørte – valgt å støtte regjeringas forslag. En tredje hovedgruppe av forslag gjelder ny politikk som Stortinget ikke tidligere har tatt stilling til, og som det delvis er politisk uenighet om. Det gjelder reduksjon av folketrygdens ytelser under opphold i institusjon under statlig ansvar og i anstalt under kriminalomsorgen. Ytelsene som har størst endringer, er Ytelsene som har størst endringer, er ny og gammel uføretrygd og uførepensjon, ny og gammel alderspensjon, tidligere familiepleier, gjenlevende ektefelle og barnepensjon. En samlet komité støtter at regelverket harmoniseres for alle de nevnte ytelsene. Reglene må dessuten endres der de er knyttet til begrepene grunnpensjon og tilleggspensjon, som etter hvert vil forsvinne.

har imidlertid i mindretallsforslag nr. 3 bedt regjeringa om å utrede konsekvensene av hel eller delvis likebehandling mellom pasienter i somatiske sykehusavdelinger og pasienter som er innlagt i psykiatriske avdelinger. Mindretallet støtter her Mental Helses påpekning av at dagens praksis kan virke diskriminerende, men ser samtidig at det kan være grunner til at de to pasientgruppene ikke kan ha helt like regler. Derfor er forslaget fra mindretallet at saken utredes før en tar endelig stilling i spørsmålet. Der det er forskjellig syn mellom flertall og mindretall, er regjeringas forslag om en ny regel som medfører at ytelsene til tidligere familiepleiere, gjenlevende ektefelle, barnepensjon, ny uføretrygd og alderspensjon faller helt bort under straffegjennomføring i en av kriminalomsorgens anstalter. Komiteens mindretall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, mener at dette er å gå for langt, fordi disse ytelsene er opptjent på et grunnlag som ikke har noe å gjøre med de kriminelle handlingene som er begått, og anbefaler Stortinget å stemme imot disse forslagene. De bør etter mindretallets mening heller sidestilles med opphold i institusjon. Mindretallet har også merket seg at en tilsvarende regel ikke foreslås for krigspensjonister og deres barn og eventuelle etterlatte. Komiteens flertall derimot, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, støtter regjeringas forslag om at pensjonister og yrkesaktive bør likestilles under straffegjennomføring. For å gjøre innstillinga i saken så enkel som mulig rundt dette punktet ber komiteen om at avstemninga i denne delen av saken blir lagt opp slik at § 16-12, om ytelser til tidligere familiepleier under straffegjennomføring, stemmes over før § 16-11, om tilsvarende ytelse i institusjon, og på samme måte for gjenlevende ektefelle § 17-14 før § 17-13, for barnepensjon § 18-9 før for alderspensjon §§ 19-22 og 20-23 før henholdsvis § 19-21 og § 20-22, og for uføretrygd § 12-20 før § 12-19. Det enkleste vil være å ta alle disse paragrafene om bortfall av ytelse under straffegjennomføring i én votering før en stemmer over resten av romertall XIV i innstillinga. Da gjenstår den fjerde hovedgruppa av forslag, sortert etter politikk: Det gjelder forslag der regjeringa nå foreslår omkamp på deler av stortingsvedtaket fra forrige periode, om ny uføretrygd og alderspensjon til uføre. Dette er vedtak som dels er trådt i kraft og som dels skal tre i kraft 1. januar 2015. Det var politisk strid om dem i forrige periode, og det er politisk strid om dem nå. Det vedtaket fra forrige periode som allerede er trådt i kraft, gjelder vedtaket om delvis skjerming av uføre mot den nye levealdersjusteringen i alderspensjonen. Vedtaket i forrige periode gir halv skjerming fram til 2018 og innebærer livslang skjerming for uføre født 1944–1951. Begrunnelsen var at uføre ikke har samme mulighet til å tilpasse seg levealdersjusteringen som arbeidsføre har, samtidig som vi manglet, og mangler, underlag som kunne vise hvordan den faktiske tilpasninga blant arbeidsføre ville bli. Vedtaket forutsetter at det i 2018 skal foretas en ny vurdering av hvordan skjermingsbestemmelsen skal videreføres. Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte for denne skjermingsbestemmelsen i forrige periode. Regjeringa foreslår nå å fjerne denne bestemmelsen for uføre født fra og med 1948. Komiteens flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV, har ikke gitt sin tilslutning til regjeringas forslag om å fjerne denne skjermingsbestemmelsen for uføre. Regjeringas forslag til endringer i folketrygdlovens § 19-9 a er derfor tatt ut av komitéinnstillinga og foreligger i stedet som mindretallsforslag fra Høyre og Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet. Det samme gjelder regjeringas forslag om å endre de nye bestemmelsene for fastsettelse av inntekt før uførhet, som ble vedtatt i forrige periode og som ennå ikke er trådt i kraft, men som altså skal tre i kraft 1. januar 2015. Denne inntekten – før uførhet – brukes til å fastsette uføregrad. Stortinget vedtok i forrige periode at inntekt før uførhet skulle fastsettes med utgangspunkt i inntekten på uføretidspunktet/året før uføretidspunktet. Regjeringa foreslår nå å endre vedtaket, slik at det er gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste årene som skal legges til grunn for fastsettelse av inntekt før uførhet. Dette alternativet ble drøftet i forrige periode og forkastet på grunn av negative virkninger for personer med inntektsøkning kort tid før uføretidspunktet. Da sto alle partiene, unntatt Fremskrittspartiet, bak det vedtaket som ble gjort. Flertallet i dagens komite – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV – står på vedtaket fra sist og har tatt dette punktet ut av innstillinga. Det foreligger nå som en del av mindretallsforslag nr. 1 fra Høyre og Fremskrittspartiet. Både det vedtaket som ble gjort i forrige periode, og regjeringas forslag i dagens sak krever visse unntak fra hovedregelen for at regelverket ikke skal bli for rigid. Unntaksbestemmelsene blir naturlig nok forskjellige – litt med motsatt fortegn – siden vedtaket fra sist og regjeringas forslag nå er forskjellige. Komiteens flertall har lagt det som følger av den allerede vedtatte regelen tilbake i innstillinga, mens de unntakene regjeringa har foreslått, og som logisk må avvises av flertallet i dagens sak, framgår av mindretallsforslag nr. 1 fra Høyre og Fremskrittspartiet. Det siste forslaget, der regjeringas forslag ikke har fått flertall i komiteen, er spørsmålet om differensierte satser for maksimal avkorting for uføre med minsteytelser, der Stortinget har vedtatt 3,3 G for gifte/samboende og 3,5 G for enslige. Stoltenberg II-regjeringa foreslo i Prop. 130 L for 2010–2011 at det skulle være én sats for alle, med 3 G, men Stortingets flertall Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre – endret dette etter avtale i Stortinget. Begrunnelsen var da ønsket om en lempeligere avkorting mot arbeidsinntekt for dem med minsteytelser, og med ca. 70 pst. for alle, uavhengig av sivilstand. Fremskrittspartiet sto da utenfor denne avtalen. Regjeringa foreslår nå å endre dette til én sats Nåværende komités flertall innstiller på at regjeringas forlag avvises, og har derfor tatt det ut av innstillinga. Det foreligger nå som en del av mindretallsforslag nr. 1 fra Høyre og Fremskrittspartiet. Da har jeg redegjort for komiteens behandling av saken og innstilling til Stortinget. Komiteens tilråding til romertall I–XIII, XV–XIX, XXI og XXII fremmes av en

komiteens flertall, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti når det gjelder § 12-7 til og med § 12-9, med unntak av § 12-9 fjerde ledd, som er enstemmig. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er imot § 12-20. For øvrig er komiteens innstilling under romertall XX enstemmig. Jeg benytter samtidig – for å spare tid – anledninga til å ta opp mindretallsforslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV og forutsetter at de øvrige mindretallsforslagene tas opp av forslagsstillerne selv, også hvis de har ønsker vedrørende voteringsopplegget i saken, som jeg ikke allerede har vært inne på.

Den skal vi hegne om, men det betyr ikke at velferdsstaten er en statisk størrelse. Som en viktig institusjon i samfunnet vårt må denne også skrus på og justeres for å være bærende i nye tider. Jeg mener det er en viktig erkjennelse å si at sammen med velferdsstaten har vi også bygget en struktur som kan være overveldende i sin kompleksitet, ikke bare for dem som har behov de velferdsgodene som storfelleskapet tilbyr, men også for dem som hver dag forvalter dem. Kompleksitet er ikke i seg selv negativt. Det sier seg selv at i et samfunn med mange forskjellige mennesker, mange forskjellige skjebner og mange forskjellige opplevelser må man ha ordninger og regler som i størst mulig grad ivaretar de forskjellige menneskene på en rettferdig måte. Det er naturlig nok en vanskelig øvelse.

Det ene er hvordan vi i dag fastsetter inntekt før uførhet. Målet her er å få én hovedregel, fordi dagens system er unødvendig komplekst. Det baseres på skjønn, og derfor krever det også mye ressurser. Hvis vi lager et regelverk som i mindre grad baserer seg på skjønn, er det riktig at vi forenkler saksbehandlingsprosessen, men det er også riktig og enda viktigere at vi sikrer likebehandling. Helheten i løsningen som er skissert i proposisjonen, nemlig at inntekt før uførhet skal fastsettes av å ta gjennomsnittsinntekten av de tre beste inntektsårene de siste fem årene før uførhet inntraff, sikrer også dem som ikke har hatt inntekt alle de årene. Én av de ordningene som har gitt urettferdige utslag, er skjermingstillegget til uføres alderspensjon. Vi har i dag et system hvor uføre samlet sett får en høyere alderspensjon enn ikke-uføre med like høy opptjening, og som går av før fylte 67 år. Jeg synes det i denne sammenheng er relevant å vise til et eksempel gitt til oss av Jens Stoltenberg et eksempel som jeg vet det er blitt referert til i denne salen tidligere, beleilig nok ikke av representanter fra Jens Stoltenbergs parti, i hvert fall ikke som jeg har klart å finne. Poenget i eksemplet er hva som skjer med to 64-åringer med samme inntektshistorie, der den ene blir ufør og den andre går av med alderspensjon og tar ut AFP som 64-åring. Det som skjer, er at ved å skjerme uføre for levealdersjustering vil vedkommende som blir ufør, få en bedre pensjon enn AFP-pensjonisten. Jeg synes også eksemplet som presenteres i proposisjonen, er ganske talende for AFP-pensjonisten. Jeg synes også eksemplet som presenteres i proposisjonen, er ganske talende for urimeligheten i dette: Hvis en i privat sektor som ikke har AFP, går av med tidligpensjon når han er 62 år, vil denne personen få en pensjon som er 30 pst. lavere enn en ufør med samme opptjening, som går over til alderspensjon ved 67 år. I mange tilfeller er det helt rimelig at man går av med uten at man nødvendigvis er for syk til å jobbe, og da har man ikke mulighet til å kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe mer. Det understreker urimeligheten i skjermingstillegget. Men jeg opplever at det ikke bare er Høyre og Fremskrittspartiet som ser at dette er en urettferdig effekt. Det er jo grunnen til at man ønsker hele ordningen evaluert i 2018.

Dessverre må vi konstatere at det ikke ble slik. Jeg tar med det opp de av forslagene som regjeringen har fremmet, og som det ikke er flertall for i komiteen. Representanten Stefan Heggelund har tatt opp de forslagene han refererte til. Dette er en vanskelig og krevende sak, som flere har

enn det noen nå har gjort den til. Her er vi dessverre vitne til at opposisjonen spiller et politisk spill, istedenfor å bli med på fornuftige regelendringer på dette meget kompliserte og meget viktige feltet. Forrige gang Stortinget behandlet uførepensjon var det en del usikkerhet om hvordan kommende pensjonister ville forholde seg til reglene. Et flertall mente derfor at det var fornuftig å være forsiktig med endringer for de uføre. Nå skal jeg ikke rippe opp i den gamle striden, men vil heller vise til at det i dag er en tydelig uvilje i denne salen mot å forholde seg til det vi nå vet, som er langt mer enn det vi visste den gangen. Et viktig moment her er kompleksiteten i reglene. For vanskelige regler er et hinder for den enkelte, en merutgift for det offentlige og gjør det vanskeligere å se konsekvensene av ordningene. Regjeringens forslag har som mål å forenkle regelverket. Det synes jeg er meget fornuftig. Det vil jeg også tro at de fleste i denne salen faktisk synes. synes. Følgelig kan jeg ikke med min beste vilje forstå hvorfor noen ikke vil forandre regelverket – med mindre de kun er ute etter å lage litt vanskeligheter i et politisk spill. De foreslåtte endringene vil også passe som hånd i hanske med tankegangen om at det skal lønne seg å jobbe. Alle vil jo at det skal bli enklere for uføre å utnytte en eventuell restarbeidsevne. For samfunnet og ikke minst for den enkeltes del er dette viktig. viktig. Da må det være hensiktsmessig å lage regler som gjør det enklere for uføre å kunne arbeide mer og tjene mer penger. I tillegg må man lage enklere regler for fastsettelse av pensjon for dem som har vært uføre, og det må ikke minst være rettferdighet i behandlingen av ulike grupper. Det er verd å nevne at de aller fleste forslagene ikke har nevneverdig proveny, og at de ikke Forskjellene for dem som omfattes av det, er ikke så store, og det at man sparer en del på administrasjon blir bare en ekstra bonus i tillegg. Hovedbudskapet i saken er nettopp å stimulere og motivere folk til å prøve å stå lenger i arbeid og bidra mer i samfunnet. Det er kun forslaget om å endre reglene for skjermingstillegget som har en vesentlig budsjettmessig besparelse. Allikevel er det ikke besparelsen som er hovedmotivasjonen for forslaget. Dette gjøres fordi man ser at kun et mindretall av de arbeidsføre står i arbeid til etter fylte 67 år, mens uføre får full opptjening til fylte 67 år og i tillegg et skjermingstillegg til alderspensjonen. Jeg kan virkelig ikke forstå hvordan et mulig flertall i denne sak kan mene at dette er forenlig med arbeidslinjen. Jeg mener i hvert fall at det ikke er forenlig med arbeidslinjen, og jeg kan ikke helt se at det er en rimelig ordning, når uføre får en relativt god pensjon sammenlignet med den alderspensjonen som de som ikke blir uføre, får. Her er det fristende å utfylle eksemplet litt, som representanten Heggelund delvis var inne på: det med Per og Pål. Begge to nærmer seg pensjonsalderen. Begge to har skrantende helse. Begge to kunne nok kanskje blitt uføre, og begge to går til lege. Per ender opp som ufør, mens Pål nekter å gi seg. Han biter tennene sammen og tar problemene i seg, får tilrettelegging og tilpasning på arbeidsplassen sånn at han klarer å stå i arbeidslivet til han er 67 år. Men hva er det som skjer da? Det som skjer, er at sliteren den andre. Er dette rettferdig? Jeg bare spør. Det er synd at grunnen til at fornuftige forenklinger kanskje ikke blir vedtatt i dag, delvis skyldes et politisk spill. Det er kanskje ikke overraskende at Arbeiderpartiet går mot saken slik det nå er, siden de tross alt sikkert har litt problemer med å innrømme at de har etterlatt seg et villnis av byråkratiske regler. Men jeg hadde virkelig håpet at både Venstre og Kristelig Folkepartiet ville forholdt seg til arbeidslinjen, og at de kunne vært med og støttet tanken om at det skal lønne seg å jobbe, også når det gjelder uføre. Hvilket incentiv har de uføre for å jobbe når de vet at de uansett vil få lik alderspensjon? Men jeg er i hvert fall optimist. Jeg er overbevist om at det neste gang denne saken kommer opp igjen

hatt. Så vil jeg takke saksordføreren for et glimrende innlegg og en glimrende jobb. For oss som ikke sitter i komiteen, har det vært veldig bra å få følge både innleggene i dag og det arbeidet som er blitt gjort i løpet av komiteens behandling. Jeg vil takke både saksordføreren og komiteen for det. Siden vi ikke sitter i komiteen, har jeg behov for å komme med en stemmeforklaring på hvordan vi har tenkt i de ulike sakene. dem langt på vei, i tillegg til at vi også støtter forslaget fra Arbeiderpartiet. Men for å begynne med fastsettelse av inntekt før uførhet: Vi står på det samme som vi gjorde i forrige periode, og det vil si at vi kommer til å støtte at det fortsatt skal være det siste året som skal legges til grunn, og ikke gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste inntektsårene. Jeg kan forstå at gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste kan forstå at gjennomsnittet av de tre beste av de fem siste årene fungerer bra og er riktig for selvstendig næringsdrivende, men for de aller fleste vil det være sånn at man får en økt lønnsøkning hele veien, slik at man rett før man blir ufør, vil ha en høyere lønn og en høyere inntekt som da bør legges til grunn for uføretrygden. Når det gjelder om en skal ha 3,4 G, som er foreslått lagt til grunn, eller om en skal ha 3,3 G eller 3,5 G, som flertallet i komiteen støtter, er vi, som sagt, på samme linje som flertallet i komiteen, og vi vil opprettholde det som er: 3,3 G og 3,5 G.

så at det slo feil ut. Det er riktig at 3,4 G vil gi en annen avkortning på inntekten som en har utover fribeløpet, men det vil allikevel være en større avkortning for uføre som velger å jobbe, riktignok for enslige som velger å jobbe, fordi for gifte vil den jo bli økt fra 3,3 G til 3,4 G. Men hvis en følger arbeidslinja, som både Fremskrittspartiet og Høyre har vært opptatt av, vil en jo sitte igjen med mindre for enslige som velger å jobbe lenger, så i den forstand er dette et forslag som går motsatt vei. Men det vi har vektlagt her, og som jeg vil peke på, er at hvis en ser på dem som har størst utfordringer, er det ofte enslige uføre som er i den kategorien. Når det gjelder skjerming av levealder, mener jeg at det er et av de viktigste poengene. Jeg skjønner at både Høyre og Fremskrittspartiet, som var imot i forrige periode, ønsker å ta en omkamp nå, men jeg klarer ikke å se at det kommer noen gode argumenter nå som vi ikke visste om da vi vedtok det sist. Det var vel representanten Johnsen som var inne på det, som viste til at vi vil vente til 2018. Ja, det er fordi at vi da vet mer om hvordan systemet slår ut. Vi

er derfor de er uføre. Derfor vil vi, etter evalueringa i 2018, være med og tilpasse det sånn at det blir ca. det samme for uføre som for andre arbeidstakere, og det mener jeg er et mye bedre system enn i dag å si at sånn kommer det til å bli. Så til forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, forslag

og at det sidan den gongen ikkje har skjedd noko som gjer at det etter våre vurderingar har endra seg. Med andre ord er det ikkje riktig, som representanten Johnsen antydar, at ein spelar eit politisk spel. Ein gjer det stikk motsette. Først til det som gjeld fastsetjing av inntekt før uførleik. I lov av 16. desember 2011 nr. 59 går det fram at ein skal fastsetje uføregraden ved å samanlikne inntekt før uførleik med den inntekta ein reknar med at vedkomande vil kunne skaffe seg ved å utnytte Inntekt før uførleik for arbeidstakarar blir fastsett med utgangspunkt i pensjonsgjevande inntekt i uføreåret eller året før. Regjeringa foreslår, grunngjeve med eit ønske om forenkling, følgjande endringar: Ein skal berekne inntekt før uførleik på same måte for arbeidstakarar og sjølvstendig næringsdrivande, og inntekta skal bli sett lik gjennomsnittet av dei tre beste av dei fem siste inntektsåra før uførleiken byrja. Dette spørsmålet blei vurdert i førre fordi nokon då ville få ei lågare uføregrad enn det den reduserte stillingsdelen skulle tilseie. Dette faktumet har ikkje endra seg, og Venstre støttar derfor ikkje regjeringas endringsforslag. Så til skjermingstillegget, som har vore det mest omtalte her. I Prop. 130 L for 2010–2011 foreslo dåverande regjeringa Stoltenberg II at uføre sin alderspensjon i utgangspunktet skulle justerast etter levealder etter same reglar som dei yrkesaktive sin alderspensjon, men at årskulla 1944–1951 frå 2011 skulle få ei delvis skjerming for verknaden av levealdersjusteringa med 0,25 pst. fordi det knytte seg uvisse til korleis arbeidsføre ville tilpasse seg dei nye reglane. I 2018 skulle ein så vurdere korleis skjerminga skulle vidareførast, basert på dei arbeidsføre si faktisk tilpassing til den nye levealdersjusteringa og utviklinga i talet på uføre. Grunngjevinga var at grunnlaget for ein permanent regel var for spinkelt. Regjeringa føreslår i dag å oppheve ordninga med skjermingstillegg for uføre født frå og med 1948. Det inneber at alderspensjonen til uføre heretter blir levealdersjustert på same måten som alderspensjonen til arbeidsføre. I samband med høyringa vi hadde, der det som nemnt dessverre var få deltakarar, bad Landslaget for offentlige pensjonister om at Stortinget opprettheld sitt tidlegare vedtak om delvis skjerming og gjer ei ny vurdering i 2018, som planlagt. På det tidspunktet vil ein ha betre kunnskap om korleis arbeidsføre faktisk tilpassar seg den nye levealdersjusteringa av alderspensjonen. Grunngjevinga var at uføre får dobbel ulempe ved at dei har lågare inntekt enn yrkesaktive i tida før alderspensjonering, samtidig som de er avskorne frå moglegheita til å jobbe lenger for å motverke effekten av Venstre støttar ikkje regjeringas forslag til endringar i folketrygdlova på dette punktet. Vi snakkar her om ei gruppe med særs låg inntekt i utgangspunktet, og før ein vurderer full levealdersjustering bør vi samle meir kunnskap om effektane av reforma vi er i gong med å gjennomføre. Venstre kan vanskeleg sjå at det har skjedd noko sidan 2011 som gjev grunn til at vurderinga det dåverande stortingsfleirtalet gjorde, ikkje skal stå seg. Så til spørsmålet om minsteinntekt før Regjeringa har føreslått å oppheve den tidlegere vedtekne forskjellen i minsteinntekt før uførleik etter sivilstand på 3,3 gonger grunnbeløp for gifte/sambuarar og 3,5 gonger grunnbeløpet for einslege, og erstatte den med ein felles sats på 3,4. I førre perioden føreslo komiteens fleirtal, alle unntatt Framstegspartiet, å endre den nedre grensa for inntekt før uførleik frå 3 G, som ein føreslo frå regjeringa si side for alle, til 3,3 G for gifte/sambuande og 3,5 Grunngjevinga då var å redusere de maksimale avkortingssatsane for uføre med minsteyting og å styrkje insentiva til å ta i bruk faktisk inntektsevne. Valet mellom lik eller differensiert sats for einslege og ektepar/sambuarar er ei avveging mellom ulike omsyn – absolutt – men fleirtalet valte å leggje størst vekt på at reduksjonen i uføretrygda ved inntekt over inntektsgrensa blir den same, uavhengig av sivilstand, med maksimale avkortingssatsar på for begge grupper. Venstre meiner framleis det og støttar derfor ikkje regjeringas forslag til felles sats for einslege og gifte/sambuarar. Avslutningsvis vil eg også få lov til å takke saksordføraren for ein solid jobb, for å ha losa dette trygt i hamn etter kvart. Eg deler nok også saksordføraren si merknad om språket, forma og tilgjengelegheita til proposisjonen. Det er bra at det vert sagt, og vi håpar det blir lytta til. Til sist, sjølv om det bør gå fram av det som ligg der, vil Venstre stemme mot mindretalsforslaga nr. 1 og 2, frå Høgre og Framstegspartiet, i tillegg til at vi vil stemme mot mindretalsforslag nr. 3, der det på bakgrunn av førre talaren sitt innlegg ser ut til å kunne bli ei skarp votering. La meg minne om at Stortinget i 2011 vedtok Prop. 130 L, som

forstå. Det vil alltid være en utfordring, og vi tar med oss signaler tilbake om hvordan man skal gjøre det mest mulig forståelig og pedagogisk, og hvordan man skal følge det opp. Jeg har vært med på å behandle alle de pensjonssakene som har vært til behandling i Stortinget siden 2005, og jeg registrerer at denne proposisjonen ikke skiller seg ut i forhold til hvordan andre proposisjoner om pensjonsreformen er lagt fram og skrevet sånn at også det er sagt. Det er sagt mye om de ulike forslagene. Jeg registrerer at Stortinget på flere punkter ikke er enig med regjeringen. Det er Stortingets suverene rett til å være det. Det er slik i et folkedemokrati at det er demokratiet som bestemmer, og Stortinget som fatter vedtak. Samtidig synes jeg at en del av de vedtakene som fattes, er ukloke. Jeg synes det burde vært tettet en del åpenbare hull i den ordningen som er ukloke. Jeg synes det burde vært tettet en del åpenbare hull i den ordningen som er nå. Dette ønsker jeg å komme litt tilbake til. La meg starte med det saksordføreren også var inne på, at forslaget etter mitt skjønn innebærer ytterligere og betydelige forenklinger i forhold til de vedtakene som er gjort tidligere. Vi opphever de særlige bestemmelsene om uføretrygd til hjemmearbeidende ektefelle, og gir nye regler om reduksjon og bortfall av ytelser under opphold i statlige institusjoner og ved straffegjennomføring. Så til det som gjelder levealdersjustering. Stortingets forutsetning, slik jeg leser innstillingen og proposisjonen, var at det i 2011 var en samlet arbeids- og

Det synes jeg står i sammenheng med det som Stortinget vedtok i 2011, nemlig at dette skal stå i rimelig samsvar. Jeg registrerer at flertallet i Stortinget viker bort fra det prinsippet, men at det ikke skal være førende for årskullene fram til 1951. Jeg registrerer også at uføres inntekt før uførhet har vært en del av diskusjonen. Jeg synes også her at regjeringen har lagt opp til uføres inntekt før uførhet har vært en del av diskusjonen. Jeg synes også her at regjeringen har lagt opp til å tette åpenbare hull i det som var. Hvis vi tar utgangspunkt i minstegrensen som Stortinget bestemte skulle være på 3,3 G for gifte og samboende og 3,5 G for enslige,

gifte og samboende sammenlignet med enslige. Det mener jeg ville vært god og fornuftig politikk. Det blir også sagt når det gjelder gjennomsnittsberegningen av tre av de fem årene, vil det bli mer komplisert, og at det nærmest er å gå bort fra det som har vært tenkningen tidligere. Nei, jeg mener at også på det området er det å tette et åpenbart hull i pensjonssystemet og i

syk. Så skal man fastsette uføretidspunktet. Ved at man fortsatt har den ordningen som flertallet går inn for, opprettholder man gråsoneproblematikken. Man opprettholder skjønnsvurderingen, man opprettholder et mer byråkratisk, tungrodd system som er mindre treffsikkert for den enkelte. Det synes jeg er uheldig, og jeg skulle gjerne ha sett at man hadde

tilfreds med at vi nå har fått på plass alle de vedtak og forslag som må til for å få et regelverk som gjør at man kan ferdigstille implementeringen av ny uføretrygd fra 1. januar 2015. Det er en stor reform, det er en viktig reform – en reform som alle sammen er enige om i Stortinget – der man får en moderne

Det var bare én ting som var en åpenbar misforståelse: Representanten Ropstad nevnte at Arbeiderpartiet sto alene når det gjaldt reglene ved straffegjennomføring, men det er altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV som sammen kommer til å stemme mot – sånn at ikke det blir stående i i referatet. Ellers hadde det vært fristende å gå løs på mange av argumentene her, men jeg vil bare minne om at når vi diskuterer regelverksendringer i folketrygden, kan det ofte være litt skummelt å basere seg på typetilfeller. Det er ofte det vi er henvist til, men det gir ikke alltid et riktig bilde av virkeligheten. Derfor er det etter flertallets mening fornuftig å vente til 2018, sånn som vi har sagt, og så gjøre en vurdering og se hvordan virkeligheten da ser ut, når vi har mer erfaring.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

forkant eller i løpet av ferien. Dette meiner komiteen er ei god presisering frå EU. Heile komiteen er av den oppfatninga at å endre ferielova § 9 nr. 1 andre ledd vil styrke arbeidstakaranes rett til ferie og i enda større grad enn i dag underbyggje det som er ferielovas føremål og intensjon om restitusjon og kvile for arbeidstakarar. Proposisjonen frå regjeringa går rett nok noko lenger enn det direktivet krev, og nokon arbeidsgjevarorganisasjonar meiner at manglande særregulering for lovbestemd ferie utover direktivets krav inneber ei unødvendig overoppfylling av direktivet.

ESA har konkludert med at dette er i strid med nemnde artikkel. Komiteen er derfor nøydd til å seie seg einig med regjeringa i at moglegheita til å få utbetalt feriepengar framfor å avvikle ferie må falle bort, også når det skuldast sjukdom eller foreldrepermisjon. Også her er det viktig med eit enkelt og føreseieleg regelverk. Komiteen ønskjer derfor ikkje å foreslå særreglar for utbetaling av feriepengar for lovfesta ferie utover direktivets krav. Så har det vore ein diskusjon i komiteen om det kan slå uheldig ut for arbeidstakarar at lova trer i kraft frå 1. juli, midt i eit kalenderår. Fleirtalet i komiteen tilrår at ein held på 1. juli 2014 som tidspunkt for å late lova tre i kraft. Grunngjevinga for det er at dei føreslåtte endringane, slik som vi ser det, vil styrkje arbeidstakaranes rett til ferie i forbindelse med sjukdom. Det vil vere ein fordel for desse om det allereie frå 1. juli i år blir mogleg å få utsett ferien, viss dei blir sjuke. I tillegg er dagens reglar i strid med arbeidstidsdirektivet, og vi bryt dermed våre forpliktingar etter EØS-avtalen. Dette talar sterkt for at reglane bør endrast så snart som råd, slik at norsk regelverk blir i Dette talar sterkt for at reglane bør endrast så snart som råd, slik at norsk regelverk blir i samsvar med direktivet. Dette gjeld sjølv om forslaget vil kunne ha nokre økonomiske konsekvensar for arbeidsgjevarar og det offentlege. Dei andre endringane og forslaga som denne samleproposisjonen legg opp til, er det semje om i komiteen, så for å spare tid på ein lang møtedag, skal ikkje eg

for. Vi mener at det er uheldig at en gjør endringer for den enkelte arbeidstaker, og at det bare skal gjelde for deler av ferien den enkelte tar ut i 2014. Dette er svært kompliserende, og vi foreslår derfor at endringene i ferieloven først blir gjeldende fra 1. januar 2015. Dette er uproblematisk for arbeidstaker, det strammer ikke inn noen rettigheter. Det er billigere for arbeidsgiver, det er mindre administrasjonskostnader – og det er det vi legger vesentligst vekt på – og det er helt uproblematisk med henblikk på EØS-avtalen om en utsetter dette ytterligere et halvt års tid. Jeg vil bare si at jeg er overrasket over regjeringspartiene, som går inn for å endre dette midt i et år. Vi har hatt mange diskusjoner i Stortinget i forbindelse med mange ordninger, hvor en har fått fram de kompliserende forhold – for at en gjør sånne ting. Jeg må si at det vel er noe lite gjennomtenkt over det som regjeringa har kommet med på dette punktet, ut fra hva som er sagt i denne salen tidligere. Jeg vil til slutt gå inn på at ved en inkurie har teksten i forslaget fra Senterpartiet blitt feil. Forslaget gjelder tilrådningens VIII, om ikrafttredelsen, og skal lyde som følger: Endringene under VII trer i kraft straks.» Jeg ber om at dette blir korrigert til voteringa. Jeg tar med dette opp forslaget fra Senterpartiet. Representanten Per Olaf Lundteigen har tatt opp det forslaget han selv refererte. Det opprinnelige forslaget vil bli korrigert.

gjort med den nye endringen. Jeg tror det er viktig at man får dette på plass så fort som overhodet mulig. Det er heller ikke noe urovekkende i det. Når det gjelder ikrafttredelsestidspunktet, tenker jeg som så at dette er i forbindelse med akutt sykdom. Om man gjennomfører det med en gang, eller om man venter til 2015, så at dette er i forbindelse med akutt sykdom. Om man gjennomfører det med en gang, eller om man venter til 2015, tror jeg ikke har noe å si for den problemstillingen som blir tatt opp. Jeg tror ikke folk evner å planlegge akutt sykdom allerede fra denne sommerferien av. Det tror jeg er noe som oppstår på kort tid – det er det som ligger i ordet «akutt». Dermed synes jeg det er et godt argument for at man bør få dette i gang så fort som overhodet mulig

bare vi jobber godt i komiteen, gjør vi mye der – vi kan bruke mye av tiden til Stortinget der. Vi trenger ikke å holde på til midnatt for denne sakens del. Vi har en enstemmig innstilling. Den er ganske kort og grei, så kort og grei at man kan kalle det for plankekjøring. Men når jeg alt er her på talerstolen, vil jeg benytte anledningen til å rette en takk til komiteen for samarbeidet, til sekretæren vår – som også er i salen til de av rådgiverne våre som er her. Vi har et veldig godt samarbeid. Det er derfor vi av og til kan komme fram til ganske kjappe – ikke enkle – men greie forslag, som det er enkelt for Stortinget å vedta. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 19. Som Johnny Ingebrigtsen sa, er det stort sett også mye godt arbeid i arbeids- og sosialkomiteen,

konstaterer at det er gjort slik som Stortingets vedtak sier. I år er det en oppjustering på 3,67 pst. Løpende alderspensjoner blir regulert med lønnsveksten. Så skal det gjøres et fratrekk på 0,75 pst, slik at dagens alderspensjonister får en årlig økning på 2,89 pst., som også er en reallønnsvekst. Dette er i tråd med gjeldende praksis. Det ble avholdt drøftingsmøter mellom regjeringen og en rekke ulike organisasjoner den 16. og den 20. mai. Vedtaket er gitt tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2014. Vi har altså fått dette klart. Det var en rimelig ukomplisert sak for komiteen.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

jeg tror de fleste i Norge vil anse som helter, personer som ofret sitt liv og sin helse for den felles oljerikdommen vi alle nyter utrolig godt av den dag i dag. Dette er mennesker som det gjennom mange år har blitt begått mye urett mot, både da de dykket, og ikke minst med tanke på det som skjedde i mange år etter det – helt frem til behandlingen i dag. Jeg vil først uttrykke en stor takk til alle dykkerne og, ikke minst, til deres organisasjoner, som har ført en utrettelig kamp for rettferdighet og for å få satt et verdig punktum, slik at dykkerne skal kunne komme seg videre i livet. Saken har vært for domstolene flere ganger. Den ble ansett som såpass viktig, både prinsipielt og innholdsmessig, at den ble tatt helt opp til EMD, der få saker slipper igjennom nåløyet. Resultatet av EMD-dommen var at staten ble frikjent på mange områder – juridisk sett – men ble dømt på ett punkt. En samlet komité – der alle partiene står bak innstillingen – er enig om at denne saken politisk sett og for oss ikke handler om juss. saken handler om politikk, moral og hvilken vilje og evne vi som storting har til å skjære igjennom og sørge for en moralsk og politisk sluttstrek for denne saken. I dag tror jeg det er mange dykkere som ikke er fornøyd. Mange er delvis fornøyd, og noen er veldig fornøyd.

folk vi har sendt ut til å kjempe for Norge i diverse utenlandsoperasjoner. Nå legger vi oss på samme nivå, og det viser noe av alvoret komiteen og Stortinget tar inn over seg i denne saken. Som jeg innledet med, er komiteen samlet, og det gir også saken ekstra styrke, for her har alle partier gitt og tatt for å kunne enes om en god ordning. ordning. Jeg vil også gi honnør til regjeringen og statsråd Robert Eriksson, som var den som tok opp saken igjen, og sørget for starten på at vi nå får landet denne saken. Men selv om man nå kommer med en økonomisk kompensasjon, er det viktig å huske at penger ikke gir tilbake tapte liv eller tapt helse, så det er viktig at selv om vi nå avslutter saken politisk her i dag, i dag, viderefører vi den viktige dykkerrelaterte forskningen sånn at vi best mulig kan behandle dem som har store skader. Det er viktig at vi viderefører Dykkerkontakten, og ikke minst er det viktig at vi bidrar til at fremtidige generasjoner også kjenner til denne historien. Avslutningsvis vil som samtlige partier på Stortinget står bak: «Komiteen vil gi uttrykk for at det foreligger et særskilt politisk og moralsk ansvar overfor pionerdykkerne. Det er udiskutabelt at de gjorde et banebrytende arbeid under svært vanskelige og ukjente forhold. Denne gruppen fortjener derfor en ytterligere politisk anerkjennelse og kollektiv berømmelse. forhold. Denne gruppen fortjener derfor en ytterligere politisk anerkjennelse og kollektiv berømmelse. På denne bakgrunn vil komiteen uttrykke en stor politisk og moralsk beklagelse til dykkerne, deres pårørende og øvrige berørte for hendelsene i perioden 1965 til 1990 og også for prosessen for en endelig avslutning frem til i dag.» Jeg vil understreke den enigheten som er

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, var vårt utgangspunkt at dersom det ble enighet mellom statsråden og representantene for nordsjødykkerne, ville vi støtte en sånn enighet. Det ble ikke enighet, og derfor synes jeg vi har funnet en god løsning når vi nå, som den økonomiske delen av kompensasjonen, havnet på 25 G, som ligger midt mellom statsrådens forslag

skal plasseres ved Oljemuseet. For å understreke enigheten skal jeg bare til slutt få lov til, som saksordføreren, å takke dykkerne for innsatsen, ikke bare den innsatsen som har blitt gjort i en pionertid i Nordsjøen, som har blitt utrolig viktig for det norske samfunnet, men også den innsatsen som er gjort i oppfølging av saken. Jeg håper at den enstemmigheten vi nå har om saken, vil sette et verdig punktum for en sak som av dykkerne med rette har føltes som uverdig tidligere. Jeg håper vi setter et verdig punktum for en vanskelig sak, først og fremst for dykkerne, deres nærmeste og etterlatte. Det fortjener de virkelig. Dette er

nå kan få en verdig avslutning. Det er med stor glede jeg konstaterer at det nå blir en løsning. Det anslås at ca. 365 personer med varig tilknytning til Norge har deltatt i petroleumsrelatert dykking i pionertiden. Når vi inkluderer hvor mange mennesker disse har vært ektefeller, onkler, tanter – for den saks skyld, hvis det var kvinner med barn og barnebarn for, er det tusenvis av mennesker som direkte har følt det på kroppen over lang tid. Det er helt udiskutabelt at dykkerne gjorde et banebrytende arbeid i Nordsjøen, under svært vanskelige og ukjente forhold, og mange pådro seg helseplager og skader. For oss i Høyre er det også viktig at denne gruppen får den politiske anerkjennelsen de fortjener samt at det gis en kollektiv berømmelse til dykkerne. Det foreslås derfor at ytterligere kompensasjon enn det som regjeringen foreslo. Sammen med enkelte andre forslag som også regjeringen foreslo, blir dette en totalløsning for å framheve det. Utgangspunktet for saken er at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen og statsråd Robert Eriksson ønsket en verdig avslutning på saken for alle parter.

som vi opplever at er tatt vel imot over lang tid siden den ble innført. Stortinget gir altså en skriftlig politisk og moralsk beklagelse til dykkerne, deres pårørende og øvrige berørte for hendelsene i hele perioden 1965–1990 og for den prosessen for en endelig avslutning fram til i dag. Jeg vil avslutte med nok en gang å si tusen takk til nordsjødykkerne, tusen takk til familiene. Med en beklagelse og kompensasjon håper jeg at Stortinget på den måten har gitt sitt bidrag til at en uverdig sak kan få en verdig avslutning. Som komitéleder kan jeg si at dette burde skjedd mye før. Når det ikke skjedde mye før, er jeg veldig fornøyd med at det skjer

oss. Nå kommer forhåpentligvis og etter alle solemerker det punktumet, og det er bra. Det er dessverre sånn at alle som fortjener å høre det og se det, ikke lenger er her, men jeg tror likevel at etterlatte og pårørende setter stor pris på det vedtaket som fattes i dag. Det er fire punkter som jeg vil jeg vil løfte fram. I likhet med andre vil jeg si at det er spesielt beklagelsen jeg synes er viktig komiteen enstemmig uttaler, viser at vi setter pris på den jobben som er gjort. Det er vanskelig å forstå fullt og helt den belastningen de har hatt og som deres pårørende har blitt påført. Det understøtter også hvor viktig det har vært at beklagelsen kommer fra oss alle. Det er klart at kompensasjonsnivået er viktig. viktig. Jeg synes det har vært en god prosess i regjeringa og Stortinget, der vi har klart å komme fram til en enstemmig innstilling, som jeg mener også er noe av det gode med Stortinget, at en sammen kan finne fram til et godt resultat, sånn at det kan stå seg uten noen form for politisk spill. Jeg er også glad for at Dykkerkontakten, som Bondevik-regjeringen innførte, fortsette. Den har vært til god hjelp for den enkelte dykker. Det vet jeg, for hver gang jeg har møtt representanter for nordsjødykkere, har de som regel nevnt Dykkerkontakten. Vi er glad for minneplaketten som skal oppføres på Norsk Oljemuseum, fordi dette er en del av norsk historie, som vi ikke må glemme. Vi må ta lærdom av det som gikk galt, og vi må minnes dem som gjorde en så viktig jobb for oss alle. Dette er en heder som er viktig for å hedre dykkerne, for de etterlatte og pårørende. Så vil jeg også gi honnør til min forgjenger på Stortinget, Åse Gunhild Woie Duesund, som både var representant for Aust-Agder og satt i arbeids- og sosialkomiteen og sosialkomiteen. Hun kjempet for nordsjødykkerne, og sa til meg at det måtte jeg love å fortsette med. Så jeg vil rose den innsatsen hun gjorde i sin tid, og

den innsatsen som er gjort i den lange perioden 1965–1990. Som flere har vært inne på, er det en samlet beklagelse som komiteen har gitt. Jeg vil uttrykke det ytterligere: Nordsjødykkerne utsatte seg i sitt arbeid for svært stor helsefare med følgende senvirkninger uten at myndighetene bidro nødvendig til å gjøre dette klart for dykkerne. Det er dette som gjør saken veldig spesiell. Jeg er veldig Jeg er veldig glad for enigheten om en kompensasjon på 25 G, og en samlet komité anser saken for endelig avsluttet gjennom denne kompensasjonen, da dette er en endelig, men jeg vil understreke, frivillig ordning. Den enkelte har seks måneders betenkningstid, og den enkelte mottaker forplikter seg da til ikke å gå videre med saken i rettsapparatet. Helt til slutt vil jeg berømme Offshore Dykker Unionen for dens store innsats for å skaffe mer rettferdighet, for deres standhaftighet, saklige innsats til beste for alle dykkere enten de er en del av Offshore Dykker Unionen eller av andre. Det har blitt en verdig avslutning som ikke minst den organisasjonen har en stor del av æren for i dag. Det er

eit resultat av godt politisk handverk. Det har vore ulike syn i denne saka blant dei ulike partigruppene både i behandlinga av saka no og ikkje minst gjennom mange år. Men alle har opptredd klokt, har vore villige til å tilpasse seg, til å justere seg, til å samle seg. Det er det vesentlege. Når det gjeld resultatet, er Venstre svært glad for det. I fjor antyda vi at eit forlik på rundt 25 G kunne vere eit fornuftig nivå å leggje seg på. Det vart resultatet til slutt – det er godt. Vi har også sagt at det viktigaste no er at ein får eit samrøystes vedtak i Stortinget – det får vi også. Det er slik med unnskyldningar at ein ikkje kan krevje at nokon aksepterer dei – ein kan berre gje dei. På same måten kan vi ikkje som storting krevje at alle dei som har vore ramma av urett, skal vere fornøgde med eller akseptere det vi gjer i dag – vi kan berre tilby det. Vi tilbyr ein kompensasjon som vi håpar dei opplever som riktig og verdig for dei som får tilbodet om ein. Og viktigare enn det er, etter mitt syn, at vi som landets nasjonalforsamling ei tydeleg unnskyldning for urett som er påført ei gruppe i samfunnet. Det må vi heldigvis ikkje gjere så ofte – dei fleste i dette landet blir behandla godt. Men når nokon først ikkje blir det, er det desto viktigare at det politiske Noreg tek det felles ansvaret det er å seie tydeleg ifrå om at her vart det gjort feil, og vi skal gjere vårt beste for å rette det opp og håpar at det blir akseptert.

Min tilnærming til denne saken og menneskene var i 1977 da jeg som 17–18-åring tok sportsdykkersertifikat. Lærerne mine, som lærte meg å dykke og miljøet jeg havnet i, var nettopp dem jeg ser symbolsk nå står over

Vi hadde ikke hatt vår ekstra velstand i Norge uten disse dykkerne. Vi hadde ikke kommet til det resultat vi har kommet til nå, uten kamp. Jeg er glad for å ha vært med på å komme til enden. Jeg er også glad for at

hadde heller ikke kommet uten at dere dykkere hadde reist dere. Det hadde ikke kommet uten at dere hadde orket, og det hadde ikke kommet uten at dere hadde kjempet. Jeg slutter meg til den unnskyldningen som alle de andre i komiteen på vegne av hele Stortinget har

Første gang jeg ble introdusert for denne saken, var da jeg som læregutt kom inn på Stortinget som rådgiver for den ruvende John Alvheim, som også viste et langt, varmt og godt engasjement for saken. Mange stortingsrepresentanter i ulike partier har hatt engasjement. Denne saken handler ikke om hvem som har hatt engasjement, og hvem som ikke har hatt det. Den handler om at det største engasjementet har vært hos de menneskene som sto i den hverdagen, deltok i operasjonene og lette etter oljen fra 1965 og fram til 1990. Jeg er svært glad for det vedtaket et enstemmig storting gjør i dag. Jeg takker også for hyggelige ord fra flere representanter, men det som gir størst grunn til å takke for at vi har denne saken, er at vi for første gang åpnet departementsdørene da Nordsjødykkeralliansen banket på døren og ville sette seg ned og diskutere på nytt hvordan vi kunne sette et verdig punktum i en sak som hadde versert i altfor lang tid – en sak som burde ha vært avsluttet for lenge siden, en sak som burde ha fått et endelig vedtak for kanskje 10–15–20 år siden, men som endelig i dag får det vedtaket. Jeg er også glad for den kompensasjonen Stortinget gir, men dette handler ikke om dette handler ikke om penger. Dette handler ikke om størrelse. For de menneskene som ikke får oppleve dette, for de familiene som sitter igjen hjemme, for ungene som er der, kan ikke penger erstatte de menneskelivene som er gått tapt. Dem kan man ikke under noen omstendigheter kjøpe tilbake. I tillegg til at et enstemmig storting har blitt enig om en kompensasjon, som i alle fall setter et verdig politisk punktum, er jeg også glad for at vi har blitt enig om en kompensasjon, som i alle fall setter et verdig politisk punktum, er jeg også glad for at vi sammen – også med innspill bl.a. fra Nordsjødykkeralliansen – klarer å reise en minneplakett, klarer å få mer lempelige forhold som gjør at dette også omhandler de barna som i dag er som gjør at vi fortsatt opprettholder dykkerkontakten, at vi setter oss ned på nytt igjen sammen med Petroleumstilsynet og næringen og ser på dykkernes arbeidsvilkår i dag og, ikke minst, får på plass en minneplakett som er med på å vise den betydning disse menneskene har hatt for Der kan etterkommere gå med stolthet, tenke gjennom, kjenne på savn, men også kjenne på stolthet over hva denne generasjonen – disse menneskene – har gjort for Kongeriket Norge. Jeg er som sagt svært glad for at vi har fått avsluttet en sak som har versert i altfor lang tid, i altfor mange år. Mange har stått på, men den største innsats og den største takk bør gå til dem som har kjempet for sine kamerater og for seg selv gjennom alle disse årene, som har gjort at vi i dag får et godt, verdig, enstemmig vedtak i Stortinget. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 21. Vi behandler i

nedgang i sykefravær, inkludering av flere med nedsatt arbeidsevne i arbeidslivet samt det å stimulere til at folk skal stå lenger i arbeid, ligger fast. Men den nye avtalen inneholder helt nødvendige forenklinger i sykefraværsoppfølgingen sett i forhold til IA-avtalen fra 2010. Hele grunnholdningen i IA-avtalen er at arbeid ofte er rett medisin, at det å kunne gå på jobb lite grann, det å kunne gå på jobb lite grann, det å kunne ha kontakt med arbeidslivet, selv når du er syk, kan være med å få deg raskere tilbake. Arbeid skaper helse. Man skal ikke gå på jobb kun når man er frisk. Man skal også kunne gå på jobb for å bli frisk. Dette er arbeidstakersiden, arbeidsgiversiden og myndighetene i Norge enige om. Det gjør også at IA-avtalen er kanskje det beste eksempelet på de gode resultatene som den norske modellen og trepartssamarbeidet gir det norske samfunnet. Reformer blir til i enighet, og dermed øker også mulighetene for at gode intensjoner skal bli til realiteter. Svært få andre land kan vise til den type forpliktende, langsiktig og involverende arbeid. IA-avtalen fra 2010 ga oss – etter omfattende arbeid i ulike ekspertgrupper og etter forhandlinger mellom partene den gang, i 2010, behandlet de nødvendige lovendringene for å iverksette den avtalen, la en samlet komité vekt på at sanksjoner aldri skal være et mål i seg selv, men at det kan være et egnet virkemiddel, men bare hvis det faktisk fører til endret atferd og bedre oppfølging. Komiteen den gang ba om at dette skulle følges tett. Vi så også raskt den gangen at deler av IA-avtalen fra 2010 var vanskeligere å iverksette og følge opp enn planlagt, deriblant sanksjonsregimet som ble utsatt noe i tid. I januar 2012 rettet jeg en interpellasjon til daværende arbeidsminister, slik at Stortinget kunne få en passende orientering om, men også en mulighet til å diskutere hvordan innføringen av IA-avtalen gikk, hvordan de nye virkemidlene fungerte. Det gjorde vi nettopp fordi vi så – gjennom ulike oppslag i mediene og også gjennom ulike innspill vi fikk rundt om på arbeidsplassene – at det var forbedringsmuligheter. Jeg er veldig glad for at den nye IA-avtalen og de lovendringene vi vedtar i dag, gjør nettopp det vi da så trengtes, at IA-arbeidet forbedres gjennom en forenkling og avbyråkratisering av sykefraværsoppfølgingen. Vi viderefører i dag det som virker, reverserer det som ikke virker og forbedrer avtalen på en rekke punkter.

at den framstår som lukrativ for bedriftene – at den er verdt det – og ikke bare medfører belastende skrivebordsrutiner. Det er etter min mening viktig at også Stortinget diskuterer gjennomføringen av og status for IA-arbeidet med jevne mellomrom, slik at vi kan være godt oppdatert, slik at vi kan tilse at det virker som planlagt, og slik at vi også kan bidra til at gjennomføringen blir enklere dersom det trengs.

som ikke lenger skal drive med kontroll og oppfølging på den måten, i stedet – og naturligvis – brukes til tettere og bedre oppfølging av sykmeldte på andre måter.

Samtidig er det også mennesker som er en del av det ordinære arbeidslivet, som kan møte hindringer som gjør at de senere blir sykmeldte. Det er en utfordring for den sykmeldte, men også for arbeidsgiveren – for den sykmeldte fordi man faller ut av arbeidslivet helt eller for en periode, men også for arbeidsgiveren fordi viktig kompetanse blir delvis eller helt borte i samme periode. Derfor er IA-avtalen som ble inngått 4. mars i år, så viktig, fordi den skal legge til rette for gode arbeidsrammer på arbeidsplassen, men også fjerne aktivt de hindringer som gjør mennesker syke. IA-avtalen har bakgrunn i en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge. Avtalen bygger på en felles erkjennelse av at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for inkludering, og at tidlig aktivisering av sykmeldte og iverksettelse av tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen vil bidra til å forebygge og redusere sykefravær. Det viktigste er samhandling på arbeidsplassen, ikke skjemaer og sanksjoner. Målet er å bygge tillit mellom arbeidsgiveren og den sykmeldte. Forenkling og mindre byråkrati i oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere er også regjeringens mål for å frigjøre ressurser både på arbeidsplassene og i Arbeids- og velferdsetaten. er lavere sykefravær, høyere avgangsalder og økt integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet. Jeg har bare noen få ord til enda en viktig sak. La meg starte med å si at det var utrolig viktig for regjeringen, da vi gikk i gang med IA-arbeidet, å sørge for at vi får en målrettet IA-avtale, en IA-avtale som ivaretar intensjonen med IA-avtalen på en god og riktig måte. Jeg er veldig glad for den enstemmigheten som er i Stortinget med tanke på den forenklingen som nå gjøres, for det er en betydelig forenkling, for legene, for den sykmeldte og ikke minst for arbeidsgiverne. Vi snakker her om forenklinger som betyr at man løfter blikket bort fra kontrollskjemaer og papirhauger, og reduserer 1 500 skjemaer hver eneste dag som nå ikke lenger skal sendes inn til Nav. Det betyr at man får frigjort rundt 69 ansatte i Nav, som nå sammen med arbeidsgiveren kan følge opp den enkelte sykmeldte tettere, bedre og på riktigere måte for å komme tilbake til arbeidslivet. Når vi også ser at økningen i stor grad skjer innenfor psykiske lidelser, vet vi hvor viktig det er med tett, riktig og nær oppfølging. Det har denne regjeringen tatt høyde for, og jeg er veldig glad for at vi har klart gå gjennom IA-avtalen, der alle partene i arbeidslivet har stått sammen om og fått til disse gode endringene. Da er det også veldig bra, og det er jeg veldig glad for, at et enstemmig storting også følger det opp. Så har jeg lyst til å si en liten ting til som minner meg på det som representanten Trettebergstuen tar opp, nemlig at det er viktig at man diskuterer IA-arbeid jevnlig i jevnlig i Stortinget. Det er viktig at man også diskuterer alle delmålene i en IA-avtale, ikke bare delmål 1. Derfor vil jeg også gjøre Stortinget oppmerksom på, og jeg er veldig glad for, at vi har fått til en IA-avtale som er mer forpliktende på delmål 2, i den forstand at nå vil IA-bedriftene forplikte seg til å stille sine bedrifter til rådighet, slik at de kan brukes mye mer aktivt for å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

og jeg vil anta at andre partier vil redegjøre for sitt avvikende syn på de områdene der dette er aktuelt. Det er i hovedsak enighet om grep som foreslås knyttet til petroleumsskatt og overgangsregler til friinntektsreduksjon. Denne endringen er en justering av det vedtaket Stortinget fattet i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i fjor, hvor satsen for friinntekt ble redusert, men hvor det ble tilrettelagt for en overgangsordning der denne reduserte friinntektssatsen ikke skulle gjelde for prosjekter som var omfattet av plan om utbygging eller søknad etter petroleumsloven § 4-2 og § 4-3, levert Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013. Regjeringens forslag i denne proposisjonen om å utvide overgangsregelen vil gjelde der det er en nødvendig sammenheng mellom utbyggings- og slik at det samlede prosjektet også omfattes av overgangsordningen. Videre er det også satt en frist på hvor lenge overgangsreglene faktisk skal gjelde, og flertallet stiller seg bak at regelen ikke får virkning for kostnader som er pådratt fra og med inntektsåret 2021. Det er bra at flertallet støtter opp om denne endringen. Et av våre viktigste konkurransefortrinn for olje- og gassaktiviteten på norsk sokkel er stabilitet og forutsigbarhet knyttet til rammebetingelsene. rammebetingelsene. Med denne justeringen blir forutsigbarheten for investeringsbeslutninger på norsk sokkel styrket. Det er videre en enstemmig komité som støtter opp under regjeringens forslag til endringer i rederiskatteordningen og solidaransvar for arbeidsgiverplikter her, og likeledes er det enighet om de endringer som er foreslått knyttet til merverdiavgift og fast eiendom. Når det gjelder endringer foreslått i båtmotoravgift, taxfree-ordning og elavgift, er disse behandlet i Innst. 260 S for 2013–2014 og vil debatteres i sin fulle bredde i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget kommende fredag. Regjeringen er opptatt av å ivareta skattyters rettsikkerhet, og dette er også et satsingsområde som er forankret i I denne omgang foreslår regjeringen bl.a. å stramme inn reglene om offentlige skattelister. Skattelistene skal fremdeles være offentlige på skatteetatens hjemmesider på Internett, men på en måte som gjør at opplysninger om hvem som har søkt i skattelistene, blir gjort tilgjengelig for skattyter elektronisk. Tilsvarende vil skattyter få tilgang til informasjon om hvem som har fått utlevert skriftlige skattelisteopplysninger, utover ektefelle, dødsbo, konkurs eller eller domstol. Det er bred enighet om at opplysninger om eiere i aksjeselskaper skal være offentlig tilgjengelig. Alle aksjeselskaper er også pålagt etter § 4-5. i aksjeloven å ha en aksjeeierbok, og denne aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver som måtte ønske innsyn. Det har i tillegg vært en diskusjon knyttet til og offentlighet om aksjeeierskap og utlevering av informasjon. Det er slik at dette aksjonærregisteret kun inneholder opplysninger om forhold i selskapet frem til utgangen av det året det rapporteres for, og dette registeret er derfor mindre egnet til å være noen form for digital plattform eller publikumsvennlig løsning for innhenting av aksjonæropplysninger.

og det bidraget som dette vil være til å gjøre informasjon om eierskap mer Debatten om Innst. 261 L kunne egentlig blitt en forsmak på fredagens debatt om revidert nasjonalbudsjett, men jeg hadde nær sagt: Det er langt på kveld. Det er ikke fullt så sent, men jeg skal i hvert fall konsentrere meg bare om noen hovedpunkter i det som er forslag til endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Så får vi vente og tollovgivningen. Så får vi vente og glede oss til debatten om taxfree og båtmotorer på fredag. Vi i Fremskrittspartiet slutter oss til det som er sagt fra saksordføreren, og jeg vil samtidig takke Meling for samarbeidet i komiteen og for den store enigheten som det er rundt de viktige punktene i denne innstillingen. Skattedirektoratets aksjonærregister, som også representanten Meling var innom, har fått veldig mye oppmerksomhet, og det har vært mye debatt rundt de forslagene som lå i proposisjonen, knyttet til registeret. Det er grunn til å understreke at både regjeringen og regjeringspartiene er veldig opptatt av mest mulig åpenhet rundt og tilgjengelighet til informasjon som er av allmenn interesse. Derfor vil regjeringen etablere et digitalt og brukervennlig register, som gir opplysninger Komiteen ber om at dette skjer i løpet av 2015. Så er det viktig å understreke at selv om offentlighet om økonomiske interesser og posisjoner er viktig, må vi også ivareta skattyters rettssikkerhet, og vi må ha respekt for at noen opplysninger er gitt i fortrolighet mellom skattyter og ligningsmyndighetene. Komiteens flertall gir også tilslutning til regjeringens forslag om endringer i ligningsloven, som gir den enkelte skattyter tilgang til opplysninger om søk foretatt på egen person. Det er en veldig viktig endring som ikke begrenser offentlighet, men som kan bidra til å hindre misbruk av informasjon, ved at den som søker, etterlater seg spor. I Prop. 94 LS omtaler regjeringen det arbeidet som er igangsatt med forenkling av skatteregelverket, styrking av skattyters rettssikkerhet og gjennomgang av klageordningen på skatteområdet. Skatte- og avgiftssystemet skal være kostnadseffektivt, og det må være enkelt å forstå regelverket for å sikre at både næringsliv og privatpersoner har mulighet til å opptre som lovlydige borgere. I så måte er regjeringens forslag om å endre merverdiavgiftsreglene for utleie av bl.a. fast eiendom ved å oppheve kravet om frivillig registrering for dem som allerede er avgiftsregistrert, et riktig skritt. Det er et forslag som ikke har fått fullt så mye omtale som Aksjonærregisteret, men etter min oppfatning er det et veldig viktig forenklings- og moderniseringsforslag, og vi i Fremskrittspartiet har vært opptatt av dette gjentatte ganger tidligere. Den lovbestemmelsen som nå endres, har i realiteten medført at en rekke næringsdrivende, og også aktører innen landbruket, har fått store økonomiske overraskelser, til tross for at man har vært i god tro, men ikke har besørget tilleggsregistrering i momsregisteret. Vi i Fremskrittspartiet er veldig fornøyd med denne endringen og anser det for å være en fornuftig regelendring, som kan bidra til at folk flest fortsatt kan være lovlydige og ha respekt for skattereglene.

Finansnæringen skaffer bedriftene kapital, fordeler risiko og bidrar til oppbygging av kapital i samfunnet. Finansnæringen er internasjonal, og vi trenger derfor internasjonale regler som legger til rette for at norske bedrifter har tilgang til EU og resten av verden. Forslaget til en ny lov om kredittvurderingsbyråer kommer som en konsekvens av EU-forordning nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer. Den nye loven er viktig fordi kredittvurderingsbyråene spiller en stadig viktigere rolle når stadig flere norske bedrifter låner penger til vekst og nye arbeidsplasser direkte i obligasjonsmarkedet istedenfor gjennom tradisjonelle banker. Regulering av utkontraktering er et sentralt moment i innstillingen. En samstemt komité understreker at hensyn til forsvarlig organisering i henhold til foretakets konsesjon, personvern og usvekkede tilsynsmyndighet må inngå i totalvurderingen. Kunden eier selv sine opplysninger, og personvernet og hensynet til konfidensiell kundeinformasjon er viktig. En samstemt finanskomité understreker også at det samtidig må tas hensyn til effektivitet og konkurranseevne. Hensikten med loven er selvfølgelig ikke å påføre norske finansforetak unødvendige konkurranseulemper sammenlignet med konkurrenter i andre land. Hensikten er tvert imot å sikre en forsvarlig regulering av utkontraktering også i Norge. Norge. Norge er bundet av EU-reglene og ønsker selvfølgelig ikke å gå lenger enn disse reglene. Et annet viktig tema i proposisjonen er kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og utenfor arbeidsforhold. I dag betyr kravet om sammenheng mellom premie og risiko at forsikringsselskaper ikke kan se bort fra faktorer som har vesentlig betydning for risikoen. Det betyr at kvinner har høyere pensjonspremie enn menn fordi kvinner har lengre forventet levetid. Nå endres loven slik at forsikringsselskapene ikke lenger kan anvende kjønn som beregningskriterium. Denne endringen skaper knyttet til flytting av eksisterende kontrakter med garanterte ytelser og overskuddsdeling. Et eventuelt krav om at flytting skulle utløse kjønnsnøytrale tariffer i det selskapet man flytter kontrakten til, ville ført til at flyttemarkedet for de tradisjonelle, garanterte kontraktene som IPA og livrente stoppet opp. Jeg er derfor godt fornøyd med at en samstemt finanskomité støtter regjeringens forslag om at flytting av slike avtaler ikke kan anses som inngåelse av ny avtale, og at selskapene må gis tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg nye regler. Her handler det om å finne praktiske og gode løsninger som ikke rammer bransjen mer enn strengt tatt nødvendig. La meg avslutningsvis igjen få takke komiteen for et godt og konstruktivt samarbeid. I Prop. 87 L er

det fremmet mange forskjellige lovforslag i flere av lovene på finansmarkedsområdet. Jeg merker meg at komiteen enstemmig har sluttet seg til forslagene. Flere av lovendringene er oppfølging av EØS-avtalen. Gjeldende eierbegrensningsregler for børser og verdipapirregistre blir endret til eierkontrollregler, lignende de reglene som i dag gjelder for bl.a. finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Med disse endringene vil en mangeårig diskusjon med ESA forhåpentligvis kunne avsluttes. Det innføres krav om kjønnsnøytrale premier og ytelser for nye avtaler i private og frivillige livsforsikringer utenfor arbeidsforhold. For å bidra til et fungerende flyttemarked for spare- og pensjonsavtaler med garanterte ytelser og overskuddsdeling som ikke lenger tilbys i markedet, legges det til grunn at flytting av slike kontrakter ikke skal anses som inngåelse av en ny avtale. Jeg har merket meg at en samlet komité støtter dette. Jeg har også merket meg at komiteen er enig med regjeringen i at selskapene må gis tilstrekkelig med tid til å tilpasse seg nye regler, og det er foreslått at reglene trer i kraft 1. januar 2015. Reglene i finansavtaleloven som gjennomfører EØS-regler om grensekryssende betalinger i euro og tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, oppdateres i tråd med nye EU- og EØS-regler. En egen ny lov om kredittvurderingsbyråer gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs forordning nr. 1060/2009, CRA I, om kredittvurderingsbyråer. Forordningen ble vedtatt i EU før og det var derfor ikke behov for tilpasninger ved innlemmelse i EØS-avtalen. I etterkant av CRA I er det imidlertid i EU vedtatt både CRA II og CRA III. Disse endringsforordningene gir overnasjonal kompetanse til ESMA, som er EUs verdipapirmarkedstilsyn, og kan derfor ikke tas inn i EØS-avtalen uten tilpasninger. Det vil ikke være mulig å etablere og drive kredittvurderingsvirksomhet uten at virksomheten også underlegges kravene i CRA II og CRA III. Det vil derfor inntil videre ikke være mulig å etablere denne type virksomhet i Norge, til tross for den nye loven som nå vedtas. Gjennomføringen av forordningen i norsk rett gjøres derfor utelukkende for å overholde våre formelle EØS-forpliktelser. Videre lovfestes det nå en rett til behandling av sensitive personopplysninger i forbindelse med autorisasjonsordninger for ansatte i bl.a. verdipapirforetak, verdipapirfond og finansinstitusjoner. Dette gjelder private ordninger uten noen form for offentlig godkjennelse. Autorisasjonsordningene er et positivt supplement til den offentligrettslige reguleringen av bl.a. finans- og forsikringsrådgivere. Ordningene bidrar til økt kunnskap og kompetanse blant disse yrkesgruppene, noe som vil komme forbrukerne til gode. Jeg mener derfor det har vært viktig å legge til rette for at disse ordningene får tilstrekkelig hjemmel til å behandle sensitive personopplysninger, slik at de kan fungere på en hensiktsmessig måte og samtidig underlegges forsvarlig tilsyn av Datatilsynet. Finansinstitusjoners utkontraktering av virksomhet er et viktig – og voksende – felt, som samtidig fremstår som svakt regulert. Nå vedtas det regler som presiserer reguleringen av utkontraktering bedre i norsk lovverk. Det er ingen motsetning mellom de minste standarder som EU fastsetter, det nasjonale handlingsrom EU-reglene gir, og de lovregler som vi nå fastsetter i Norge. Reglene er basert på foreslåtte nye regler om utkontraktering i Banklovkommisjonens innstilling med utkast til ny finansforetakslov. De lovreglene som vedtas i dag, vil, på samme måte som nylig vedtatt finansmarkedslovgivning, bli tatt inn i det forslaget til ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern som vil bli fremmet om kort tid. Fordi utkontraktering er et viktig område, har vi gjennom denne proposisjonen bedt om Stortingets umiddelbare behandling av forslaget til regler. Slik det er uttalt i proposisjonen og i innstillingen, vil konkurranseforhold bli vurdert som en del av det samlede bilde en må ta standpunkt til når konsesjonsskjønnet skal utøves. Hensikten med loven er ikke å påføre norske finansforetak unødige konkurranseulemper i forhold til foretak i andre land, men å sikre hjemler for en forsvarlig regulering av utkontraktering også i Norge. Det vil etter forslaget være betydelig mulighet for ulike typer utkontraktering. Oppgaver som ikke er kjerneoppgaver, kan i utgangspunktet utkontrakteres hvis det er forsvarlig og det kan føres tilsyn med den utkontrakterte virksomheten. Kjerneoppgaver kan i utgangspunktet ikke utkontrakteres, med mindre slik utkontraktering har hjemmel i lov. I forbindelse med søknader eller meldinger om utkontraktering vil det bli foretatt et skjønn når spørsmålet om tillatelse skal avgjøres. Utgangspunktet er at det er store utfordringer og potensiell risiko knyttet til utkontraktering, avhengig av hva den enkelte utkontraktering gjelder, og avhengig av hvordan den er tenkt foretatt. Det er viktig å sikre at legitime og viktige tilsynsmessige forhold ivaretas, og likeledes at en sikrer forsvarlig drift. Det er også viktig å sikre at det ikke er noen usikkerhet knyttet til sikker og konfidensiell behandling av personopplysninger og fortrolig informasjon mer generelt. Slik informasjon kan ha betydelig verdi for kriminelle, være vanskelig å reparere når skaden er skjedd, og dessuten ha stor verdi også for kommersielle formål som kunden ikke er innforstått med eller kjent med. Det er altså store samfunnsmessige interesser i å sikre at dette er et felt som er underlagt en hensiktsmessig lovregulering. Det er også lagt frem forslag om endring av finanstilsynsloven § 7, som er en opprydding og en forenkling av bestemmelsen.

Kristelig Folkeparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Venstre 5 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Miljøpartiet De Grønne 5 minutter. I tillegg gis statsråden 5 minutters taletid. Videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen.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
Sjøtransporten er ein viktig del av det norske transportsystemet og står for 92 pst. av godstransporten i utanrikshandelen og 42 pst. av innanlands godstransport. Me ser at godstransporten stadig er aukande, men dessverre er det òg slik at godstransport på veg tek størstedelen av auken. For å kunna snu denne trenden og for å få ein større del av godsmengda over på sjø er det nødvendig med tiltak som stimulerer til auka lønsemd. Utan politiske grep vil me kunna sjå ei forverring av denne utviklinga. Stoltenberg-regjeringa fremja i september 2013 ein nærskipsfartsstrategi med tiltak for å få meir gods over på sjø. Satsinga på hamner og farleier vart styrkt med 50 pst. i Nasjonal transportplan. Eg er glad for at sitjande regjering i si erklæring slår fast at satsinga i gjeldande NTP

og utvalet er i stor grad samstemt om korleis den framtidige lostenesta bør sjå ut. Eg vil nytta høvet her til å gje honnør til regjeringa som, i alle fall til no, har følgt opp førre regjering si satsing på sjøtransport – og altså no Losutvalet si innstilling. For å gje endå meir skryt vil eg også takka komiteen sine medlemar for eit at det i hovudsak er ein samla komité som står bak innstilling og merknader. Komiteen er oppteken av å sikra eit høgt nivå på sjøtryggleiken, og av at det vert gjort tiltak innan lostenesta som medverkar til at sjøtransport vert meir attraktivt. Noko usemje er det, og eg reknar med at dei ulike partia gjennom debatten vidare vil gjera nærare greie for sine Så vil eg gå inn på dei meir faglege sidene ved proposisjonen og meldingsdelen av han. Ein samla komité meiner at det skal vera generell lospliktgrense for fartøy over 70 meter at ei kostnadseffektiv losordning for fiskefartøy og små fraktefartøy bør varetakast gjennom dei føreslegne endringane i farleisbevisordninga at den særskilte losplikta for passasjerfartøy

og me opnar for mindre justeringar og endringar i lospliktfrie korridorar og losbordingsfelt. Når det gjeld den særskilte vurderinga om at det vert oppretta eit nytt losbordingsfelt i området Bastøy for hovuddelen av trafikken inn Oslofjorden, spriker det litt i komiteen. Eg vil for eigen del peika på at Arbeiderpartiet ikkje vil ta stilling til flytting av losbordingsfeltet no, men avventa resultatet av den varsla utgreiinga. utgreiinga. Me ber regjeringa då, på eigna måte, koma tilbake med tilråding til Stortinget. Når det gjeld losplikt ved forflytting i hamn, eller forhaling, meiner komiteen at det ikkje er føremålstenleg med losplikt ved korte og tryggleiksmessig uproblematiske forflyttingar i hamn. Landbasert losing vil ikkje kunna erstatta ordinær losing i stort omfang. Ut frå ei samla vurdering av dei økonomiske og tryggleiksmessige konsekvensane vil komiteen derfor ikkje tilrå ei slik løysing for losing. Tilrådinga rundt farleisbevisordninga er eit av dei viktigaste grepa som vert gjort i meldingsdelen av proposisjonen. Komiteen sluttar seg til Losutvalet si tilråding om at farleisbevisordninga no vert gjort mykje enklare for næringa, og at me no får ei differensiert ordning med tre ulike farleisbevis delt inn i klassar ut frå ei vurdering av risikonivået dei ulike gruppene av fartøya representerer. Komiteen er også oppteken av at ordninga med farleisbevis vert gjort meir fleksibel, slik at fleire kan gjera seg nytte av ordninga. Men uansett, det viktigaste her er at kvalifisering av reiarlaga sine eigne navigatørar gjennom farleisbevis vil ta vare på tryggleiken langs kysten på ein god måte, samstundes som det også er ei ordning som reduserer kostnadene for sjøtransporten og altså gjer han meir konkurransedyktig. Derfor blir det også viktig med ei vurdering av losavgiftssystemet, som i dag utgjer om lag 700 mill. kr per år. Losavgiftene bør reduserast, og kanskje bør dei fjernast heilt som eit verkemiddel for å nå målsetjinga om å overføre gods frå veg til sjø. Omorganisering er ofte nødvendig

men at ein søkjer ei oppgåve- og funksjonsdeling som er mest mogleg føremålstenleg i høve til aktiviteten. Samstundes understrekar dette fleirtalet at dette heller ikkje må innebera at alle forvaltingsoppgåvene vert samla ein stad, men at ein også her søkjer å oppretthalde fag- og kompetansemiljø langs heile kysten. Eg ber om at statsråden spesielt merkar seg dessa føringane frå Når det gjeld tilbringartenesta, er komiteen noko meir delt i sine merknader. Tilbringartenesta si oppgåve er å frakta losar til og frå losoppdrag, og det er i dag Kystverket sine losbåtar og losbåtførarar, innleigde skyssbåtar med mannskap og innleigde helikoptertenester som utgjer denne tenesta. Hovuddelen vert driven av Kystverket sjølv, med om lag 90 pst. av oppdraga. Komiteen har merka seg regjeringa si avgjerd om at tilbringartenesta skal konkurranseutsetjast. Komiteen sitt fleirtal er positiv til og pådrivar for denne varsla konkurranseutsetjinga. Frå Arbeidarpartiet si side vil eg understreka at me er skeptiske til dette, og vil visa til at tilbringartenesta også har ei viktig beredskapsmessig rolle fleire stader langs kysten. Me er opptekne av at ei eventuell konkurranseutsetjing må vera basert på faglege og kostnadsmessige kriterium, og ikkje av reint ideologiske årsaker, som mykje kan tyda på no. Me føreset at regjeringa sørgjer for at omorganiseringa av tilbringartenesta kan skje etter reglane om verksemdsoverdraging, og at dei tilsette sine rettar skal ivaretakast på ein god måte. Me har i Noreg fem sjøtrafikksentralar for overvaking og kontroll med skipstrafikk og annan ferdsel

der trafikken representerer ein særskilt risiko for sjøtryggleiken og for miljøet. Til slutt vil eg gå inn på den lovmessige delen av proposisjonen. Det er jo her sjølve vedtaka kjem. Losutvalet har i NOU 2013: 8 peika på behovet for å oppdatera og modernisera gjeldande loslov og tilhøyrande forskrifter, og lovutkastet som nå ligg føre, er ein tilnærma full gjennomgang av gjeldande lov. Føremålet er å forenkla og modernisera regelverket, og at lovteksten også er harmonisert med ordlyden i hamne- og farvasslova. Her vert også prinsipielle spørsmål løfta frå forskriftsnivå til lovnivå, særleg innanfor det som gjeld farleisbevisordninga. Det er ein samla komité som sluttar seg til føremålet om at losordninga skal bidra til å redusera risikoen for uønskte hendingar ved sjøtransport, slik at ein unngår skade på liv og helse, miljø og materielle verdiar. Komiteen er derfor svært nøgd med at me nå skal vedta ei oppdatert og ny heilskapleg

at den er tilgjengelig og at den blir drevet så effektivt som mulig. Losplikten kan løses på to måter, enten ved å benytte seg av den offentlige lostjenesten, eller ved å kvalifisere egne navigatører gjennom farledsbevisordningen. Med dagens moderne tekniske utstyr er det kanskje mange som vil hevde at losen er overflødig. Jeg deler ikke det og kunnskap om sjøtrafikken i de farvannene fartøyene seiler, er viktig for sikkerheten, og losene innehar denne kompetansen. Men det gjør også mange av fartøyenes egne navigatører. Derfor er farledsbevisordningen viktig. Navigatører og skipsførere med lang erfaring er gode loser og både kan og bør kvalifiseres gjennom farledsbevisordningen. Regjeringa har foreslått å gjøre farledsbevisordningen enklere å bruke for næringa. Det foreslås en differensiert ordning med tre farledsbevisklasser. Hensikten med ordninga er å kvalitetssikre rederienes egne navigatører med nødvendig erfaring og kunnskap til å føre fartøyer i lospliktig område. Endringene som er foreslått, vil gjøre ordninga enklere å bruke og mer fleksibel, samtidig som sikkerheten er godt ivaretatt. Det er forventet at flere kan benytte ordninga, og at det vil gi Det er viktig at ordninga oppfattes som brukervennlig for rederiene, og at det nå blir laget gode og ubyråkratiske ordninger for kvalifisering av navigatørene. Lospliktens virkeområde er vurdert. Hovedregelen med losplikt innenfor grunnlinja blir videreført. Det finnes i dag tolv lospliktfrie områder/korridorer som går fra grunnlinja og Losutvalget har vurdert disse områdene og foreslår at losbordingsfeltet i Oslofjorden flyttes lenger inn i fjorden til Bastøy. Det har vært en del diskusjon omkring dette tiltaket, siden det er nasjonalparker både ved Ytre Hvaler og Færder. Forslaget fra regjeringa er i tråd med Losutvalgets innstilling og vil bli gjennomført dersom oppdaterte utredninger viser at dette er miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig og Samtidig vil det opprettholdes et losbordingsfelt i ytre Oslofjord for fartøy med anløp lenger ut i fjorden og fartøy som ønsker los i hele ytre Oslofjord. Jeg har tillit til at oppdaterte faglige utredninger vil gi de nødvendige avklaringer på om dette er en forsvarlig tilpasning. Losutvalget har i tillegg slått fast at det ikke er hensiktsmessig med losplikt ved korte og sikkerhetsmessig uproblematiske forflytninger i havn, og vil forskriftsfeste et slikt unntak. er en praktisk tilnærming det ser ut til at det er bred enighet om. Det er et mål for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa å redusere kostnadene og dermed også avgiftene til los. Lostjenesten er i dag 100 pst. brukerfinansiert, og det er en betydelig kostnad for skipsfarten, ikke minst for nærskipsfarten. Regjeringa har varslet at den vil vurdere en reduksjon i losavgiftene og vil komme tilbake til dette i de årlige budsjettene. Det Det er vi glad for. Det mest nærliggende vil være å redusere eller fjerne losberedskapsavgiften. Det vil bety langt lavere kostnader for sjøtransporten og vil bidra til å nå den viktige målsettingen om at nærskipsfarten skal bli mer konkurransedyktig og kan være et virkemiddel for å flytte mer gods fra vei til sjø. Et viktig grep for å etablere et tydeligere skille og klarere grenser mellom forvaltningsoppgaver og drift er å å gjøre den operative lostjenesten til en egen enhet direkte underlagt Kystverkets hovedkontor og at forvaltningsoppgavene blir skilt fra driftsoppgavene. En slik organisering vil gi klare ansvarsforhold og tydeliggjøre hvilke oppgaver som skal finansieres av losavgiftene. Det er forutsatt at denne endringen skal tre i kraft allerede fra 1. januar 2015. I merknadene fra flertallet, i dette tilfellet Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, er det uttrykt en skepsis for at dette skal bety at alle drifts- og forvaltningsaktiviteter blir samlet på en plass. Jeg deler ikke den bekymringen og føler meg trygg på at kystdirektøren vil finne en god organiseringsform som ivaretar det gode fagmiljøet vi har på dette området. I lys av de organisatoriske endringene i lostjenestene er det naturlig å se nærmere på organiseringa av både losformidlingen og sjøtrafikksentralene. Det er gode grunner til å se losformidlingen i sammenheng med den operative lostjenesten. Teknologisk utvikling gjør det også naturlig å se nærmere på organiseringa av sjøtrafikksentralene. Målet må være å sikre en kvalitativt god tjeneste, samtidig som vi holder kostnadene nede. Innenfor disse rammene er det vårt ansvar at lostjenesten blir driftet på en slik måte at den ikke påfører skipsfarten unødige kostnader. Derfor synes jeg det er litt overraskende at både Arbeiderpartiet og Senterpartiet allerede nå, før utredningene foreligger, slår fast at det skal være som før. Det ville vært mer ryddig å avvente utredningen før konklusjonen ble trukket. Lostjenesten kan ikke fungere uten en god tilbringertjeneste. Regjeringa foreslår å konkurranseutsette denne tjenesten dersom det gir lavere kostnad og ikke går ut over kvalitet og sikkerhet for Kjøp av tjenester fra andre skjer allerede i dag i mindre skala, og det er ingen grunn til ikke å utvide denne ordninga til andre områder dersom det gir lavere kostnader for næringa. Dette er ikke et ideologisk standpunkt, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet antyder i sine merknader, men et praktisk standpunkt for å skape en best mulig tjeneste for brukerne. Arbeidet med losloven har vært et spennende og lærerikt arbeid. Med de endringene som er foreslått, er jeg overbevist om at vi skal få en styrket lostjeneste, økt bruk av farledsbevisordninga, en bedre organisering av tjenesten og ikke minst betydelig lavere kostnader for næringa. Det vil bidra til å gjøre skipsfarten mer konkurransedyktig og være et viktig element i å flytte mer gods fra vei til sjø.

men blir nå lagt direkte under hovedkontoret. Det vil bli innført et klarere skille mellom administrasjon og drift, og samtidig legger vi opp til at tilbringertjenesten for losene skal konkurranseutsettes. Tilbringertjenesten av los er en tjeneste som egner seg veldig godt for konkurranseutsetting, for nå kan vi få flere lokale aktører til å konkurrere og få muligheten til å frakte losene fra land Dette trenger ikke lostjenesten å gjøre selv, og det kan være et kjærkomment bidrag som ekstranæring for skyssbåter langs hele kysten. Det er beregnet at dette forslaget vil kunne gi en bedre og mer effektiv lostjeneste som vil gi lavere kostnader for skipsfarten, og dermed styrke sjøtransportens Dette er et av mange tiltak som kan være med på å gjøre det lettere å flytte mer gods fra vei til sjø, noe som igjen vil gi en solid miljøgevinst. Da må jeg si at jeg stusser litt når jeg hører at representanten Rommetveit er så skeptisk til dette. Redningsselskapet har siden 1990-tallet hatt en rammeavtale med Kystverket om tilbringertjeneste av los. Redningsskøytene frakter losen ut til skipet, eller henter losen når han forlater et skip. I 2011 hadde disse oppdragene en verdi på mellom 9 og 10 mill. kr, og beløpet har steget etterpå, siden flere losstasjoner ikke lenger er døgnbemannet. Utenfor Kvitsøy, der jeg bor, er det losbordingsfelt. Når større båter skal inn i Rogaland, kan det hende de trenger skyss av helikopter. Da er det private aktører som blir benyttet. Totalt kjøper Kystverket I Bodø, Arendal, Farsund, Andenes, Hammerfest og Nordkapp kjøper de alle for omtrent en halv million kroner hver. I Florø er det 100 pst. konkurranseutsatt. Tilbringersentralen her ble i tillegg opprettet for bare omtrent fem år siden, under den rød-grønne regjeringen, og det private selskapet Florø Skyssbåt sørger for at losene kommer seg trygt om bord. Så hvis representanten Rommetveit og Arbeiderpartiet er så bekymret for konkurranseutsetting av hvorfor gjorde de ikke noe med det mens de selv satt i regjering, men snarere tvert imot økte omfanget? Et annet tiltak som vil være nyttig for å flytte gods fra hjul til kjøl, er en ny og enklere farledsbevisordning, bl.a. rangert etter størrelse på skip, som gir skipsfarten økte muligheter for at lospliktig seilas kan foregå uten los. Dette vil føre til en reduksjon Dagens ordning oppfattes som komplisert og lite fleksibel, men den nye ordningen vil føre til at farledsbevis vil bli delt inn i ulike klasser ut fra en vurdering av hvilket risikonivå ulike grupper av fartøy representerer. Ordningen innebærer at det vil bli enklere å få farledsbevis for fartøyer med lavest risiko samt utvidede muligheter for å få farledsbevis for navigatører med særskilt erfaring og kompetanse. Dette vil også gi reduserte I Fremskrittspartiet har vi alltid vært opptatt av at hvis sjøtransport skal være konkurransedyktig med godstransport på land, må avgiftsnivået senkes. På Stortinget er det en enstemmig målsetting om at mer gods skal transporteres på kjøl i stedet for på hjul, og det staten kan bidra med, er å gjøre sjø mer konkurransedyktig ved ikke å ha ekstra kostnader. Dette gjelder både innenfor lostjenesten og med tanke på havneavgifter. Nærskipsfarten er en mer klimavennlig transport, og for hver godsvogn som vil bli flyttet over til sjøveien, vil trafikksikkerheten på norske veier bli bedre – altså en vinn-vinn-situasjon. For å klare dette målet vil det i framtiden være viktig å ha topp moderne utstyr for å sikre at sjøveien skal være et trygt alternativ, og at sikkerheten og beredskap mot utslipp og ulykker til sjøs skal være ivaretatt. Det er mange nestenulykker til sjøs som trafikksentralene i Norge avverger, og vi som er vant til sjølivet, vet at det er i dårlig vær tiden er kritisk. Det er ikke så farlig å få motorstopp på speilblankt hav en sommerdag, men hvis det skjer noe med en oljetanker på en uværsdag langs kysten, kan det å ha utstyr som klarer å framskaffe bedre bilder raskere, være det lille ekstra som trengs for å avverge en katastrofe. I forrige uke fikk jeg æren av å åpne det nye overvåkningsutstyret på Kvitsøy trafikksentral, som nå har brukt flere titalls millioner på å investere det nye overvåkningsutstyret på Kvitsøy trafikksentral, som nå har brukt flere titalls millioner på å investere i ny radar, som vil gi bedre bilder raskere, noe som spesielt vil gi utslag i trafikkstyringen under dårlige værforhold. Jeg vil benytte anledningen til å takke dem som arbeider innenfor lostjenesten, Kystverket og trafikksentralene, og si at de gjør en utrolig god jobb som de kan være stolte av, for i

I denne sammenheng vil jeg poengtere at jeg ber om at utredningen spesielt tar for seg sikkerhetsaspektet ved en mulig flytting. Da tenker jeg først og fremst på hvordan den fysiske bordingen vil foregå, med tanke på vær- og vindforhold og ikke minst at risikoen i forbindelse med kryssende trafikk minimeres. Videre bør hensynet til nasjonalparkene være sentralt. Kanskje vil det være til det beste for nasjonalparkene at bordingen Hvis en flytting av bordingsfelt skal skje, må sikkerhet og beredskap ivaretas, samtidig som det gir en klar økonomisk gevinst til nærskipsfarten i form av reduserte losavgifter. Angående dette vil jeg oppfordre statsråden til å involvere Stortinget i den videre prosessen i denne saken. Jeg håper at han i sitt innlegg kan klargjøre litt nærmere hvordan han ser for seg den videre saksgangen, både i denne saken

og jeg oppfordrer derfor statsråden på det sterkeste til at han i framtidige prioriteringer av veiprosjekter ser det naturlig å legge til rette for god adkomst til de viktigste

Fra Kristelig Folkepartis side er det viktig å ha formålet klart for øye når en går i gang med omorganisering. Det blir etter vår mening feil fokus hvis omorganisering av denne tjenesten først og fremst skal ha et innsparingspotensial for øye. Det viktigste fokus må være sikkerheten på sjøen gjennom ivaretakelse av liv og helse, miljø og ellers de materielle verdiene som står på spill, når vi snakker om å omorganisere denne virksomheten. Departementet peker selv på den ansvarsdelingen som i dag gjelder for den forebyggende sjøsikkerheten mellom flere departementer og etater. Ansvaret for sikkerheten på sjøen oppleves fragmentert. Kristelig Folkeparti er derfor glad for at departementet nå ønsker å se alle de forebyggende sjøsikkerhetstiltakene i sammenheng, på tvers av ulike etaters ansvarsområder. Her kan det utvilsomt ligge muligheter for å håndtere sikkerheten til sjøs på en mer koordinert og hensiktsmessig måte så vel som det kan ligge et effektiviseringspotensial i en bedre samordning. Når det gjelder lospliktens geografiske virkeområde, slutter en samlet komité seg til at losplikt innenfor grunnlinjen i hovedsak blir videreført. Imidlertid er Kristelig Folkeparti ikke enig i at man flytter losbordingsfeltet i Oslofjorden til området Bastøy. Vi har merket oss de sterke beveggrunnene som flere høringsinstanser har anført mot å flytte det inn i fjorden til området Bastøy, som departementet foreslår. Viktige høringsinstanser som er opptatt av tryggheten, blir svekket ved flyttingen i dette svært sårbare området. Hensynet til miljø og mennesker ivaretas best, tror vi, ved ikke å flytte det fra der det er i dag. Fra Kristelig Folkepartis side er vi ellers tilfreds med at ordningen med farledsbevis gjøres mer fleksibel. Dette bidrar til reduserte kostnader for sjøtransporten. Vi er opptatt av å få til tiltak som kan redusere kostnadene – det er bra. I den forbindelse hilser vi også velkommen den bebudede reduksjonen av losavgiftene i de kommende budsjett – et bidrag sammen med andre virkemiddel for nettopp å kunne overføre mer gods fra land til sjø. Folkeparti støtter fullt ut de grep som regjeringen gjør for å skille den operative delen av lostjenesten fra resten av tjenesten gjennom å legge den til en egen enhet direkte underlagt Kystverkets hovedkontor. Dagens modell hindrer tjenesten i å være effektiv nok og har skapt lange og til dels uklare beslutningslinjer. Det er en fordel at det skapes større avstand mellom forvaltningen og den operative driften, og rollene blir på den måten også klarere definert. Vi vil likevel være opptatt av at dette ikke må bety at all losaktivitet blir samlet ett sted. Vi frykter en sentraliseringstendens som heller ikke blir formålstjenlig for aktivitetens egenart. Det bør være en sentral oppgave å søke å opprettholde fag- og kompetansemiljø langs hele vår kyst. Når det gjelder losformidlingen, må den ses i sammenheng med organiseringen av Dette må ikke føre til at losformidlingen blir slått sammen til ett kontor, men at en finner en mest mulig effektiv og funksjonell organisering ut fra brukernes behov. Tilbringertjenesten er svært viktig for en god og effektiv tjeneste. Fra Kristelig Folkepartis side er vi positive til den varslede konkurranseutsettingen av tilbringertjenesten. Men det blir viktig å stille høye krav til losfartøyenes utforming og kapasitet og til losbåtførernes kompetanse. Kravet til rimeligst mulig drift må heller ikke her gå på bekostning av liv og helse. I den vurderingen som nå skal foretas vedrørende organisering av sjøtrafikksentralene, er det viktig at ulike alternativer kan utredes. Vi ønsker å avvente utredningen, men vil gi uttrykk for at en framtidig ny organisering må hensynta sikkerhet og beredskap på en best mulig måte. Det er derfor slett ikke sikkert at resultatet av denne vurderingen bør bli at alle syv i dag blir slått sammen til kun én. Jeg viser ellers til saksordførerens utmerkede

Nå tar vi et steg videre når vi skal gjøre vedtak i tråd med det som Losutvalget har foreslått. Det er viktig med forenkling og å gjøre det mer effektivt å bruke sjøtransport. Her er en rekke tiltak, mener jeg, som bidrar til det. Farledsbevisene er ett av dem, som jeg tror vil være veldig viktig. I tillegg varslet man også fra departement og regjering, som komiteen egentlig er samstemt i ønsket om, reduserte avgifter for å gjøre sjøtransporten mer konkurransedyktig. Det er viktig å ivareta sjøsikkerhet og tilstedeværelse. Det er viktig at ikke all losaktivitet blir samlet på ett sted, men at man sikrer fag- og kompetansemiljø langs hele kysten. Det er noen naturlige grunner til at miljøene er der de er. Det er viktig at det blir ivaretatt også i det videre, ikke minst for å ivareta en samlet tilstedeværelse av den typen kompetanse vi snakker om. Jeg skal bare innom noen få element, for jeg synes saksordføreren på en god måte har redegjort for hvor komiteen egentlig står, Det første jeg har lyst til å kommentere, er losbordingsfeltet på Bastøy. Senterpartiet har ikke tatt stilling til det i denne innstillingen. Vi ønsker å avvente den utredningen som er varslet, før vi konkluderer. Når det gjelder sjøtrafikksentralene, har vi, i likhet med det jeg sa i mitt innlegg litt tidligere, sagt at vi ikke ønsker å se på en løsning der man ender opp med én sentral, men vi ønsker å beholde dem der de er, og det er ikke minst med bakgrunn i at man ønsker både tilstedeværelse og sikkerhet langs hele kysten. Når det gjelder privatisering av tilbringertjenesten, ble det gjort forsøk fra representanten Steffensen på å mene at vi var konsekvent imot. Det er ikke rett. Det som er sagt i merknaden fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er at der det er med basis i faglige og kostnadsmessige kriterier, er det logisk at man gjør det, i tråd med det man har gjort tidligere, men er det rent ideologiske årsaker til at man ønsker å privatisere, uttrykker vi skepsis. Det er en vesentlig forskjell i det som jeg ber om at representantene merker seg. Ellers synes jeg det er det er positivt at vi får mer fokus på sjøtransport framover. Jeg ønsker at vi skal se dette i sammenheng med både det som er gjort tidligere, og det som er varslet i tilknytning til en havnestrategi der man kan knytte litt sterkere føringer – som også representanten Steffensen var innom – til koblingen mot vei, og der det er naturlig også å se på koblingen mot bane, sånn at man får en mer sømløs overføring av gods fra de ulike transportkildene. Selvfølgelig er det ulikt rundt om i landet, det er ulike forhold i havnene, men det er viktig at vi tenker på hvordan godsoverføringen kan skje mest mulig naturlig. Ellers viser jeg til de merknadene som Senterpartiet har fremmet i sakens innstilling, og støtter meg for øvrig på det som saksordføreren har gjort rede for. De endringene vi gjør i dag, er viktige. Jeg vil derfor berømme regjeringen for

i forbindelse med dette. Dette er viktig og nødvendig, både for trafikksikkerheten og for klimaet. De grepene som gjøres i dag, er med på å forenkle og forbedre vilkårene for dem som vil frakte godset sitt til sjøs. Samtidig må vi ha naturmiljøet i tankene. Det er derfor Venstre ikke ønsker å flytte bordingsfeltet i Oslofjorden fra Færder til Det er viktig for oss å ta vare på kystmiljøet i Ytre Oslofjord. Her har vi to nasjonalparker, Færder og Ytre Hvaler, de to eneste til havs, og det er i denne delen av fjorden det har vært store oljeutslippsulykker. Derfor vil vi som et godt miljøparti, i likhet med Kristelig Folkeparti, være føre var og beholde losen gjennom hele fjorden. Dette er også i samsvar med hva KS Buskerud, KS Vestfold og KS Telemark har ment, og det er også i samsvar med det bl.a. Bellona har sagt. Jeg hører at Senterpartiet kanskje også kan komme til å mene det samme. Når vi likevel ikke får gjennomslag for at dette avklares alt nå, håper vi at de utredningene som skal gjøres, tar særskilt hensyn til nasjonalparkene og det sårbare kystmiljøet langs Oslofjorden. Og jeg ber statsråden særlig merke seg dette, slik at det blir ivaretatt på en skikkelig og god måte. Det overordnede formålet må fortsatt være å redusere sannsynligheten for skipsulykker langs kysten, og vi må unngå utslipp og ulykker til skade for mennesker og miljøet. miljøet. Jeg håper at utredningen ikke blir forsinket, og at statsråden i sitt innlegg vil kunne forsikre oss om at han vil gå hurtig i gang med dette arbeidet. Jeg har tenkt å være kort; vi har hatt en lang dag, og vi skal fortsette utover med flere saker. Når denne uenigheten er tatt opp, vil jeg avslutte der jeg begynte: Venstre gleder seg over at Stortinget i dag gjør det enklere og billigere å frakte gods til sjøs. Det er Venstre gleder seg over at Stortinget i dag gjør det enklere og billigere å frakte gods til sjøs. Det er viktig arbeid. Det vi gjør i dag, er et godt skritt i den retningen. Det er
veldig kjekt å kunne ta denne diskusjonen i Stortinget, fordi det er en veldig samlet komité og et veldig samlet storting som står bak denne innstillingen. Losutvalget gjorde en veldig god jobb

både god framkommelighet og drift ved havnene og langs kysten, og den skal ivareta sikkerheten. Samtidig er det viktig at vi prøver å redusere kostnadene ved dette, ikke minst hvis målsettingen er å få mer varer over på sjø. For hvis det blir for kostbart hver gang en skal inn til land og sette av frakt og varer, vil skipsfarten tape i forhold til spesielt lastebiltransport. Vi har gjort flere grep i det vi har lagt opp til. Den nye losloven vil gi en mer effektiv organisering av losområdet. Vi konkurranseutsetter tilbringertjenesten, og vi etablerer en ny differensiering av farledsbeviset. Alt dette vil bidra til minst å ivareta det sikkerhetsnivået vi har i dag, men også gjøre det mer fleksibelt for de ulike rederi og skip å kutte kostnader. Losloven av 1989 framstår som lite moderne i dagens lys. Det har skjedd mange endringer både innenfor skipsfarten i seg selv, innenfor teknologibruk og informasjonstilgang og innenfor den generelle kunnskap om sikkerhet og navigering. Den nye loven er oppdatert, og det er et spesielt fokus på at den skal være brukervennlig og moderne. Fortsatt skal den bidra til å redusere risiko for uønskede hendelser, og bare for å understreke det som representanten fra Kristelig Folkeparti tok opp: Dette handler om å unngå skade på liv og helse, på miljø og på de materielle verdiene. I all hovedsak viderefører vi omfanget av losplikten, men vi øker muligheten for å kunne seile uten los med en ny, differensiert farledsbevisordning. Der vil en i større grad legge vekt på risikonivå for de ulike skip istedenfor å ha en veldig regel. Det gjør at en på skip med liten risiko vil kunne bruke farledsbevis veldig ofte, mens en vil være stadig strengere med stadig mindre skip som har spesielt farlig last, enten av sikkerhetshensyn eller av miljøhensyn. I tillegg vil en stille strengere krav der en har passasjerer om bord. Den liberaliseringen vil en også se når det gjelder bruk av los i havneområdene: Skip som har liten risiko, vil en lettere kunne flytte i havnebassenget uten bruk av los, men er det farlig last om bord, vil en fortsatt være veldig streng på dette. Det mener jeg er viktig. Så er det en del prinsipielle spørsmål rundt dette temaet, og dem flytter vi fra forskriftsnivå til lovnivå. Det tror jeg også Stortinget vil sette pris på. Så skal vi oppdatere utredningen om konsekvensene for losbordingsfeltet for Oslofjorden, altså ved Bastøy, for å vurdere om det kan flyttes lenger innover. Det har flere talere vært opptatt av. Vi har ikke konkludert i dette spørsmålet, men om vi vil utrede det, er det for å se på muligheten. Da er det naturlig at vi kommer tilbake til Stortinget hvis vi gjør endringer på dette. Omorganiseringen av selve lostjenesten vil ha en ny struktur fra 1. januar 2015. Det framstår i dag som å være en komplisert organisasjonsstruktur med uklare skiller mellom drifts- og forvaltningsoppgaver. Operatøransvaret kommer vi til å legge under Kystverkets hovedkontor som en egen enhet, og forvaltningsmessige oppgaver legges til en annen avdeling. Det er bra at komiteen slutter seg i all hovedsak til dette. La meg understreke at dette ikke betyr at vi flytter alle oppgaver til kontoret i Ålesund. Det vil fortsatt være stort behov for fagkompetanse langs kysten. Så dette er ikke en sentralisering til en geografisk enhet, det handler om styringsenheter. Så konkurranseutsetter vi tilbringertjenesten for å få bedre ressursutnyttelse og mer effektivitet. Vi viderefører statlig drift der anbudskonkurranse viser at det ikke er noe å tjene for det private. Så det er ikke noe ideologisk i dette, men det er en tro på at private ofte kan gjøre det minst like godt som staten.

og da fortrinnsvis losberedskapsavgiften». Korleis ser statsråden føre seg at dette kan gjerast? Er målet statleg fullfinansiering? Og kan det verta aktuelt at me får sjå ein lette i desse avgiftene allereie i budsjettframlegget for 2015? Jeg er veldig glad når Arbeiderpartiet snakker om skatte- og avgiftslettelse. Det varmer hjertet mitt. mitt. Vi kommer til å jobbe for å få ned avgiftsnivået, spesielt når det gjelder losberedskapsavgiften, for det er noe som alle må betale i dag, uavhengig av om en bruker lostjenesten eller ikke. Det er derfor med og svekker spesielt konkurranseevnen til nærskipsfarten, der en gjerne ikke trenger los i det hele tatt, men klarer seg med farledsbevis. Så for å få en mer rettferdig fordeling av kostnadene her vil det være naturlig at en ser på om en betaler og at mindre skip som ikke trenger det, slipper unna. Dette blir en prioritering som en må gjøre i Stortinget. Med diverse bompengedebatter friskt i minne, der regjeringen blir kritisert for at vi foreslår å redusere skattenivået uten at Stortinget blir tatt med, regner jeg med at Arbeiderpartiet synes det er bra at vi tar opp denne saken i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, sammen med Stortinget. No er me ikkje på veg, no er me på sjø. Når det gjeld Arbeidarpartiet og Når det gjeld Arbeidarpartiet og avgifter på sjø, har me no, særleg i siste periode, hatt veldig god tradisjon for å fjerna masse avgifter der. Men eit anna spørsmål er: Dersom det no er sånn at tilbringartenesta skal konkurranseutsetjast, kan statsråden då gje lovnad om at dette skal skje etter reglane om verksemdsoverdraging, og at dei tilsette sine rettar vert varetekne på ein god

Så langt jeg husker, var vel skatte- og avgiftslettelsen som Arbeiderpartiet i regjering presenterte, på ca. 20–30 mill. kr. Det er det samme som den antatte effektiviseringen ved det som vi gjør her. Så kommer avgiftslettelsene som Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen vil fremme, i tillegg. Det tyder på at skipsfarten går bedre tider i møte. Men jeg er veldig glad for at vi alle her kjemper den samme saken, og at vi i all hovedsak også drar i samme retning. Og så vil utredninger på et par områder her komme tilbake til Stortinget – det gjelder også sjøtrafikksentralene – for at det skal tas en endelig beslutning her. Skal me fortsetja å vera greie med kvarandre, må eg jo seia at eg synest det er bra at statsråden er så klar på at den saka med losbordingsfelt kjem tilbake til Stortinget. Det var flott å få avklart det, for me har ikkje bestemt oss på enno. Så litt til det siste som statsråden var inne på: Kva for endeleg løysing ser statsråden føre seg som mest aktuell når det gjeld dei fem sjøtrafikksentralane? Kan me risikera at representanten Roy Steffensen om eit par år gjerne må vera med og pitla ned igjen det dyre, flotte utstyret på Kvitsøy? Jeg har ikke konkludert på noen måte. Når vi vil ha en utredning, er det fordi Hvis vi allerede hadde svarene, hadde vi presentert dem for Stortinget også. Men det som er viktig her, er ikke å se på hvordan en kan spare en krone her og en krone der, hvis det går på bekostning av sikkerheten. Vi vet at mange av disse trafikksentralene har en viktig rolle lokalt. Men det kan hende – og det er det vi må se på – at ny teknologi, nye kommunikasjonsmuligheter, der vi også som nasjon er en drivkraft, sammen med IMO, der Norge gjennom er førende, kan gi oss nye teknologiske muligheter som gjør at vi gjerne organiserer ting litt annerledes. Det betyr ikke nødvendigvis at en har aktivitet på færre steder, men at en gjerne har en mer spesialisert aktivitet på de ulike stedene, fordi en har flere spennende oppgaver som må løses, og trenger et mer spesialisert miljø rundt omkring. Replikkordskiftet er avsluttet. Vi i Arbeiderpartiet er veldig glade for at regjeringen har videreført vår satsing for å få mer gods over på sjø. Det er

Vår regjering la inn 3 mrd. kr ekstra i nærskipsfartsstrategien og i NTP. Det var en viktig og riktig satsing, sånn som vi ser det. Men det var også viktig å legge fram en nærskipsstrategi, og – ikke minst – nedsette Losutvalget. Jeg er av den oppfatning at vi tverrpolitisk er enige om at vi må få mer gods over på sjø. Dette har lenge vært et tema langs kysten – ja, sikkert Men det betyr ikke at det er ferdigsnakket for det. Det betyr at det er viktig for kysten, og at det er viktig å ta tak i det. For to år siden hadde vi i Arbeiderpartiet en rekke møter oppover langs kysten med dette temaet å få mer gods over på sjø. For oss var det viktig å få dialog og innspill fra alle aktørene i næringen. Jakten på de gode løsningene fikk meg raskt til å skjønne at det var en rekke tiltak,

På miljøsiden ble landstrøm frontet og økt bruk av LNG, distribusjon og lagring løftet fram som viktige tema. Havner og farleder er definitivt en del av diskusjonen som har vært, og som må landes etter hvert. Her er flere ulike kategorier på havning som skal avklares, og ulike mål som skal løses, ikke minst med tanke på nasjonale knutepunkt, hvor sjø, vei og bane – som også var nevnt tidligere her – må være langt framme i pannebrasken på oss når vi skal finne de framtidsrettede, beste løsningene. Så litt til avgiftsdiskusjonen. Det var selvfølgelig også tema på våre møter. Ønsket var primært å få redusert antallet avgifter. Men det er jo også litt interessant, det som blir løftet fram her, at i dag betaler alle fartøy losberedskapsavgift, uansett om los benyttes eller ikke. Om det er riktig i framtiden, kan nok komme opp som tema i budsjettbehandlingene framover. Det er ingen tvil om at sjøsikkerheten er utrolig viktig for oss alle. Det å få klargjort at Stad skipstunnel skal bygges, var viktig for oss, og – ikke minst – Losutvalgets nedsatte

Til slutt vil jeg oppfordre regjeringen til å komme med flere saker som bidrar til å få mer gods over på kjøl. Vi i opposisjonen vil selvfølgelig også bidra til å komme med nødvendige forslag for å nå målet, men det er viktig å følge opp, for det er ikke bare én ting som løser dette. Det er et puslespill med minst 1 000 brikker som skal legges, og det tror jeg vi som politikere må klare å gjøre tverrpolitisk. Jeg tror også det er viktig at dialogen med næringen er der hele for å løse dette. Jeg ønsker statsråden lykke til, og jeg ønsker også hele Stortinget lykke til med jobben. Det er en krevende jobb, men viktig å få

Forslaget fra regjeringen legger opp til en besparelse på ca. 25–30 mill. kroner. Et av hovedmålene med endringen av losloven er å få mer gods fra vei til kjøl. Målet er derfor å senke kostnadene for båttrafikken sånn at man kan få mer på kjøl. Derfor bør losavgiften reduseres og, som flere har vært inne på i dag, kanskje fjernes helt – som et virkemiddel for å nå målsettingen om å overføre gods fra vei til sjø. Så må jeg arrestere ministeren når det gjelder reduksjon av millioner. Det var ikke sånn at det bare er kuttet 20–30 mill. kr, det er kuttet ca. 90 mill. kr. Arbeiderpartiet er enig i at man må finne gode tiltak, sånn at man kan få økt konkurranse til sjøs. Derfor er jeg enig i at vi må effektivisere losordningen, sånn at man får dette til en lavere pris. Men det er overordnet viktig at man ikke glemmer det overordnede målet om sikkerhet, som også flere har vært inne på her i dag. Derfor mener vi i Arbeiderpartiet at man må få konsekvensene på bordet før man tar stilling til om man skal åpne for et nytt losbordinsgfelt ved Bastøy i Oslofjorden. Når det gjelder lostjenestens organisering, er både Arbeiderpartiet og et flertall i komiteen tydelige på at vi er imot at all losaktivitet blir samlet på ett sted, og er glad for at ministeren langt på vei også bekrefter dette synspunktet. Men man må få til en oppgave- og funksjonsfordeling som er mest mulig hensiktsmessig i forhold til aktiviteten. Flertallet understreker også at dette heller ikke må bety at alle forvaltningsoppgavene blir samlet på ett sted, men at man kan opprettholde fag- og kompetansemiljøene langs hele kysten. Når det gjelder losformidlingen, er Kystverket bedt om å vurdere den framtidige organiseringen som en del av prosessen med omorganiseringen av lostjenesten. Flertallet i komiteen er enig i dette, men vil understreke at det ikke innebærer at losformidlingen skal slås sammen til ett kontor, som losutvalget foreslo, men at man finner en mest mulig effektiv og funksjonell organisering. Dette er viktig, ikke minst for plassene som kan bli berørt. Jeg kjenner best til Lødingen i Nordland, et av landets eldste lossteder. Beliggenheten ved hovedleden gjennom Tjeldsundet og innløpet til Ofotfjorden har gjort Lødingen losstasjon til et strategisk tyngdepunkt for losvirksomheten både i regionen og i Nord-Norge. Lødingen losstasjon har styrket sin posisjon som en av landets viktigste og er i dag Nord-Norges største Det er bygd opp et sterkt faglig miljø både på lossiden og på losformidlingen. Losformidlingen på Lødingen dekker strekningen fra Rørvik til Kirkenes. Her snakker man om et stort område, og det sier seg selv at nærhet er et viktig sikkerhetsmessig aspekt. Jeg mener vi skal vektlegge betydningen av å ha slike arbeidsplasser i distriktene og ikke legge oss på en sentraliseringslinje, slik det kan se ut som Kystverket ønsker. I Lødingen er det forventninger til at losstasjonen må videreføres og eventuelt få I Lødingen er det forventninger til at losstasjonen må videreføres og eventuelt få en styrket posisjon innenfor den nye strukturen. Når det gjelder tilbringertjenesten, registrerer vi at regjeringen har avgjort at man vil konkurranseutsette denne. Da er det viktig at man ved en eventuell konkurranseutsetting av tilbringertjenesten må basere dette på faglige og kostnadsmessige kriterier, og ikke gjøre det av Arbeiderpartiet er skeptisk til konkurranseutsettingen og vil vise til at denne tjenesten har en viktig beredskapsmessig rolle flere steder langs kysten. Vi er også opptatt av at en eventuell omorganisering skjer innenfor reglene av virksomhetsoverdragelse, og at de ansattes rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Jeg synes derfor det er litt merkelig med Fremskrittspartiets representant til at det er de som gjør noe for å få mer gods fra vei til sjø. Jeg vil minne Fremskrittspartiet om at det var de rød-grønne som nedsatte losutvalget. Jeg synes det er en unødig piping fra Fremskrittspartiet. Jeg hadde forventet en viss etterrettelighet, også fra Fremskrittspartiet, i denne saken. Når det gjelder vurdering av framtidig organisering av sjøtrafikksentralene, går – som man har hørt fra representanten Rommetveit – Arbeiderpartiet imot at man samlokaliserer dagens fem

Sånn beskrives lostjenesten i monumentet «Den norske los», som er obligatorisk for å sikre hele farvannet i Norge ved at det skal ligge om bord på alle skip. Når vi snakker om den norske lostjenesten, snakker vi ikke om en hvilken som helst tjeneste. Vi snakker om samfunnets og fellesskapets garanti for at menneskeliv ikke skal gå tapt på sjøen, og for å forhindre miljøkatastrofer i den norske skjærgården. Hvis man snakker med losen, får man høre historier om hvordan menneskeliv ikke er gått tapt, og hvordan miljøkatastrofer er avverget – nettopp fordi man hadde en los om bord som sørget for å forhindre katastrofen. Vi snakker ofte om at forebygging er mye bedre enn reparasjon, og lostjenesten er nettopp noe vi har for å ha den forebyggingen av katastrofer for samfunnet. Når vi behandler den nye losloven i dag, er det mye godt å si om gjennomgangen som er gjort. Det er en faglig og grundig gjennomgang, og jeg vil si at de aller fleste lover fra tid til annen har godt av å bli gjennomgått og røsket litt opp i etter at de er blitt endret mange, mange små skritt opp gjennom årene. Jeg tenkte jeg skulle trekke fram noen av de tingene jeg synes er positive i den gjennomgangen som jeg synes er positive i den gjennomgangen som er gjort av loven og i meldingsdelen av proposisjonen som er lagt fram. Jeg synes det er positivt at solidaransvaret som nå ligger mellom agenten og rederiet, er så tydelig kodifisert som det. Jeg synes det er positivt at regjeringen varsler

og som er laget for at folk selv skal kunne sertifisere eget mannskap, har den risikoen ved seg at useriøse aktører, nettopp for å spare penger, vil kunne godkjenne folks kompetanse selv om den ikke finnes – sånn som vi har vært inne på flere ganger når vi eksempelvis har diskutert kabotasje her i denne sal. Derfor vil jeg be statsråden være kritisk og bevisst når han ser på hvordan ordningen konkret skal utformes. Jeg er også kritisk til det nye feltet som er planlagt, som gjør at man i realiteten vil redusere lostjenesten inn gjennom Oslofjorden. Der er jeg enig med de deler av regjeringens støttepartier som er mest kritiske til den omleggingen. Jeg viser også til de uttalelser og høringsuttalelser som er kommet fra omkringliggende fylker. Så vil jeg til slutt si noe om tilbringertjenesten. Jeg og SV er mot den omleggingen av tilbringertjenesten som nå skjer. For det ene er det de ansatte. Arbeiderpartiet trakk fram beredskapshensynet som også ivaretas av de folkene som er der. Men jeg vil si at det vitner om en mangel på selvtillit fra regjeringspartienes side når de mener at det offentlige ikke er i stand til å organisere en

Det gjør vi i stor stil innenfor samferdselssektoren. Det hadde ikke blitt bygd mange veier i Norge uten at vi hadde konkurranseutsatt og brukt de mulighetene som ligger i markedet. Derfor synes jeg hele diskusjonen om konkurranseutsetting eller ikke konkurranseutsetting – det med å være ideologisk fundert – blir litt merkelig. Det det handler om, er å gi Kystverket muligheten til å bruke de aktørene som finnes i markedet, til faktisk å gi brukerne en best mulig tjeneste tjeneste til lavest mulig pris. Vi må også huske at når vi driver med dette, gjør vi det ved faktisk å sende regninga videre til rederiene, til nærskipsfarten, til skipsfarten totalt sett. Og hvis ikke vi som ansvarlig myndighet tar i bruk de mulighetene som finnes, til faktisk å gjøre denne tjenesten så god og rimelig som mulig, gjør vi også skipsfarten dyrere, og det kan vi ikke fortsette med i det lange løp. Det spørsmålet som henger igjen for meg, er kanskje skepsisen er mer ideologisk fundert enn ønsket om faktisk å bruke konkurranseutsetting. De talere som heretter får ordet, har en

på ein god måte sjølv. Eg har reist ein del rundt og møtt fleire ledd av dei tilsette i Kystverket, og det verkar som dei er veldig gira. No ønskjer dei verkeleg å trø til og har venta på at me skal få teke ei avgjerd. Dei var livredde for at dette skulla dryga over sommaren. Men så fekk me saka, og me har behandla ho. Eg meiner at desse treng botna i uro. Så eg vil gjerne roa representanten Orten. Det må heller oppfattast som positive råd og føringar frå stortingsfleirtalet for det viktige omorganiseringsarbeidet som heile organisasjonen til Kystverket no skal gjennom. Eg håpar at også dei som er bak min rygg – nokre av dei akkurat no

der. Det eg peiker på, og som andre òg har peikt på, er at denne tilbringartenesta også har ei rolle når det gjeld beredskap, og går ein i marknaden, må ein også sørgja for at dei som er der, òg kan ta den rolla. Me er òg opptekne av – ikkje nødvendigvis av uro – at det skal vera basert på faglege og kostnadsmessige kriterium. Ein ting eg òg har tenkt på, er at viss ein skal

ein venta i timevis før det kjem ein ny båt. Så ein må vera oppteken av sånne ting. Kanskje må ein sjå større på det og ta regionar viss ein skal gå til marknaden med dette, og ikkje berre ein og ein Jeg registrerer at Arbeiderpartiet blir mer og mer positive til både avgiftslette og konkurranseutsetting dess lenger ut i debatten vi kommer, så det er fristende å holde debatten gående til midnatt for å se hvor langt de vil strekke seg. Ekstra fornøyelig må jeg si det er med losberedskapsavgiften, som Arbeiderpartiet hadde åtte år på seg til å gjøre noe med, men som de nå forventer at Fremskrittspartiet skal gjøre noe med. Ellers registrerer jeg at representanten Rommetveit at representanten Rommetveit og representanten Juvik er opptatt av at det er beredskapsargumenter som må være viktige her. Jeg noterer meg at det tydeligvis ikke var viktig i Florø, hvor det ble 100 pst. konkurranseutsatt. Juvik tok ellers opp at vi burde gi ære til Arbeiderpartiet for at denne saken er til behandling i dag. Det er for så vidt riktig, for jeg vil minne om at da de foreslo egen politikk, da de foreslo en lospliktforskrift i 2011, skapte det så mange negative reaksjoner at utvalget var nødt til å bli nedsatt. Ellers føler jeg at jeg har blitt utfordret av Rommetveit når det gjelder de fem sjøtrafikksentralene, og jeg må si at jeg stiller meg litt undrende til Arbeiderpartiets bastante standpunkt i denne saken. Jeg forstår ikke hvorfor de er så sterkt imot å få i gang en utredning og dermed en tilstandsrapport som viser om vi har den beste og mest optimale organiseringen i dag. Hvis en utredning kan vise at vi med en omorganisering til et annet antall klarer å sørge for at sikkerheten og beredskapen mot utslipp og ulykker til sjøs likevel blir ivaretatt, samtidig som vi kan sørge for at avgiftsbelastningen på nærskipstrafikken blir redusert, vil det da ikke være naturlig å foreta en sånn omorganisering for ytterligere å styrke norsk nærskipsfarts konkurranseevne mot lastebilen på det norske veinettet? Jeg har forståelse for at det er mange forskjellige meninger og argumenter for og imot en mulig samlokalisering, men det bør ikke bety at vi skal fritas for vårt ansvar for å se om vi bruker samfunnets ressurser på en best mulig måte. En utredning kan vel så gjerne vise at dagens organisering ikke bør forandres, og hvis den viser at en samlokalisering av en eller flere sentraler er fornuftig, får vi heller ta en runde med argumentene for og imot da. Jeg hadde forventet at et parti som Arbeiderpartiet, som liker å framstille seg selv som et åpent, ansvarlig og styringsdyktig parti, også ville vært ansvarlige når det gjelder å lete etter bedre løsninger, at det ville vært åpent for å se på om dagens organisering er den beste, og at det ville vært interessert i å finne enda flere tiltak som kan bidra til å få mer godstransport over fra hjul til

og en farledsbevisordning som ble innført i 2011. Et krav om å skille forvaltning og operativ drift har også hatt høyt fokus fra omverdenen. Reduserte avgifter er viktig for å nå målet om mer gods over på kjøl, og som en som har jobbet på sjøen helt sitt liv, har jeg også høyt på min agenda at som sjøfartsnasjonen må Norge være i stand til å Transportøkonomisk institutt påpeker imidlertid at en reduksjon av havneavgiftene sannsynligvis er det tiltaket som vil virke best, men alle avgiftsreduksjoner vil bidra i riktig retning. Derfor er jeg glad for at regjeringens målsetting – og signaler – om mulige reduksjoner i så måte vil bidra i sterkere grad til at man kan få mer over på kjøl. Når storsamfunnet gir rederinæringen den tilliten som en lemping på farledsbevisordningen vil være, så måte vil bidra i sterkere grad til at man kan få mer over på kjøl. Når storsamfunnet gir rederinæringen den tilliten som en lemping på farledsbevisordningen vil være, får en håpe at ulykkesstatistikkene ikke går vesentlig opp. For det vesentlige momentet her er: Hva vil være konsekvensene for kysten? Vi har alle sett, for ikke så lenge siden, resultater på TV om båter som gikk i bergveggen, hvor blåbærlyng og hvis man ser på statistikkene, er at folk sovner på vakt. I så måte har losen bidratt til at det kom en uthvilt person om bord og brakte det skipet trygt i havn. Vi får håpe at man – når man nå får på plass en assessorordning der rederiene selv skal kvalifisere seg – er i stand til å se til at man har tilstrekkelig bemanning om bord, som gjør at man ikke Det er ikke slik at losen er opptatt av å skjerme sitt eget yrke. Nei, vi er svært opptatt av at vi skal være effektive, vi står til tjeneste for rederinæringen og vi ønsker å bidra på best mulig måte. Derfor er også vi opptatt av at det som nå kom gjennom NOU-en, var fornuftig. Vi må tåle å bli gjennomgått fra A til Å, og det er derfor viktig at man ser på Det er en nødvendighet at vi blir mest mulig effektive. Ettersom jeg er født og oppvokst i Lødingen, hadde vel de fleste trodd at jeg skulle si at vi må verne stasjonen i Lødingen. Nei, jeg tror faktisk at de som treffer avgjørelsen til slutt, etter den gjennomgangen som skal gjøres, vil se nødvendigheten av at denne stasjonen kanskje består også i framtiden. Jeg håper at denne debatten har bidratt til at man

noe også representanten Steffensen var inne på. Jeg merker meg at losutvalget også foreslår å flytte losbordingsfeltet fra Store Færder til Bastøy. Jeg betviler ikke utvalgets kompetanse, men jeg vil presisere at vi her snakker om et sårbart og viktig område, som inneholder nasjonalparkene Færder og Ytre Hvaler. Jeg hilser derfor en utredning som inkluderer sikkerhetsaspektet velkommen i områdene. Særlig viktig må det være å få kartlagt grunnforholdene og havstrømmene og plass med hensyn til skipstrafikken ved Bastøy – før det konkluderes endelig. Jeg er glad for at statsråden her i dag svarer at han vil komme tilbake til Stortinget med en utredning som tar opp i seg disse problemstillingene, og da har jeg tillit til at dette blir håndtert på en forsvarlig og grundig måte som

Jeg vil si at det som er vårt mest folkerike område, som huser flere nasjonalparker på veien innover, ikke bare skal ha et nivå som ligger så vidt over grensen for det som er forsvarlig, men det skal være godt, slik at befolkningen i området kan føle seg trygge på at man har en god lostjeneste. Derfor deler vi den skepsisen som har vært delt, ikke bare fra siste inntegnede representant fra Fremskrittspartiet, men også fra Kristelig Folkeparti, Venstre og flere. Det andre jeg ville kommentere, var Dagfinn Henrik Olsens beskrivelse av dilemmaet som oppstår i det øyeblikket du overlater tillit til andre. Vi har sett veldig klart at innenfor flere bransjer, der du har betydelig ansvar for egenkontroll og egensystemer – senest innen byggebransjen, der jo hele reguleringen har gått i den retningen

Så jeg gjentar og er glad for at også Fremskrittspartiets egne representanter, altså fra statsrådens eget parti, deler oppfatningen om at det er en risiko med en omlegging, så man må være bevisst på å sørge for at du ikke får flere ulykker i tiden som kommer. Til slutt vil jeg si noen ord til Helge Orten, som sier at det ikke er snakk om noen ideologisk omlegging, men at det bare handler om å gi muligheten til Kystverket, og at det er for å spare penger. Vel, hvis man ikke er ideologisk når man tar det standpunktet, så vil jeg påpeke to enkle ting: Det ene er at den muligheten har jo Kystverket allerede i dag. Så vidt jeg forstår, er det jo slik at omtrent 90 pst. utføres av tilbringertjenesten, at det utføres internt av egne av egne folk, av eget mannskap og egne skip, mens 10 pst. utføres av andre som leies inn til å gjøre jobben, der Kystverket anser det som hensiktsmessig. Når man i stedet velger å legge om til en bestiller- og utførermodell, der noen skal sitte og bestille inn denne tjenesten, da bygger man opp byråkrati – uten at man overhodet er i nærheten av å være sikker på om man reduserer kostnadene. kostnadene. Jeg mener altså at de erfaringene man hadde fra sist gang høyresiden gjennomførte den typen eksperimenter, som altså var Mesta – da man gjennomførte de endringene av Mesta som ble bejublet fra høyresiden – førte det altså til økte kostnader til veivedlikehold, og det er det motsatte av kostnadsbesparing – med andre ord: ideologi.

men det me seier, er at me varslar nå at det som går på samanslåing av desse, altså nedlegging av dei, det vil me ikkje. Det botnar i at desse ikkje er plasserte tilfeldig. Dei ligg på slike plassar kor det er veldig mykje sjøtransport, og det er transport av mykje farleg gods – Vardø, Vardø, Fedje, Kvitsøy, Horten, Brevik. Du har svære industribedrifter, og det er veldig mykje petrokjemi og farleg gods som går rundt der. Då meiner me at ein viktig del av denne sikkerheita også er å ha nærvær. Ein kan ikkje sitja på Røyken eller i Nevada-ørkenen og styra alt. Ein episode som har vorte meg fortald – eg trur han er sann, det i alle fall fleire som har sagt det – var om skipet «Marthe», som heldt på å gå rett i steinane ved Fedje. Dei ved sjøtrafikksentralen på Fedje såg det i kikkerten, tok kontakt med skipet og vekte dei som sov, som det vart sagt her. Dei vakna tidsnok til at dei klarte å styra skipet slik at det ikkje gjekk på grunn. Det er noko med å ha nokre auger der. der. Eg har ikkje vore på alle sjøtrafikksentralane, men eg har vore i Horten og sett alt som reiser forbi, både store passasjerbåtar og båtar med mykje merkeleg gods. Det er me opptekne av – ikkje at ein for all del skal unngå så sjå på organiseringa. Steffensen treng ikkje vera bekymra for

selv om jeg kanskje ikke er så beroliget som Stordalen er. Men nå skjønner jeg at statsråden har gitt uttrykk for at saken i hvert fall skal komme tilbake til Stortinget, og det er jo noe. Da kan vi få en reell debatt om også alle de argumentene som er tatt inn i merknaden fra Kristelig Folkeparti og Venstre. Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en egen merknad om å komme tilbake til Stortinget, noe som allerede er allerede er bekreftet. Det er sikkert det samme med andre felt, men på det feltet jeg kjenner, tilsier naturkvaliteter, sårbarhet og ikke minst den transporten som går forbi, som representanten Rommetveit nå var inne på, at en må være forsiktig med å gjøre endringer. Derfor er det bra at statsråden kommer tilbake. På mine besøk på losstasjonen på Hvasser, hvor jeg har sett på bording osv. av oljetankere som skal til Slagentangen bl.a., har jeg blitt fortalt om hverdagen til losene, som har sine egne båter til disposisjon i Ytre Oslofjord, ved f.eks. Tønsberg Tønne, der folk fra mer urbane strøk kan finne på å fare forbi i båt om sommeren, og som av og til får problemer. Da fungerer lostjenesten også når det kommer til å rykke ut og berge folk. Poenget mitt, statsråd, er – og det er ikke er noe partiskille på dette – at vi ganske ofte, når vi diskuterer store samfunnsspørsmål, har en tendens til å se på den sektoren isolert sett, på hovedformålet, som vi selvfølgelig skal se på, men at vi kanskje glemmer noen av de positive samfunnsmessige bivirkningene som tilstedeværelsen i seg selv gir. Jeg håper at det blir en del av den videre prosessen, og at vi kan se lostjenestens rolle sammen med beredskap, sammen med redningstjenesten og i den totale samfunnssammenhengen, som også er en viktig rolle, selv om lostjenesten selvfølgelig først og fremst skal vurderes opp mot sitt formål. Jeg håper det vil bli lagt vekt på dette i forberedelsene til de sakene som skal legges fram for Stortinget, men det er også bra å få slått fast at Stortinget skal få anledning til å diskutere realitetene og konklusjonene i

til virkemidler for å få flyttet mer gods over på kjøl. 3 mrd. kr ble lagt inn i Nasjonal transportplan. Nasjonal transportplan, som den sittende regjeringen styrer etter, ligger der, og beløpene ligger der, så jeg ønsker regjeringen velkommen til å videreføre det viktige arbeidet. Det var en satsing som ble bejublet langs hele kysten fra nord til sør – og den var selvfølgelig helt nødvendig hvis man skal lykkes i det viktige arbeidet med å få mer gods på kjøl. For også å stimulere til økt bruk av nærskipsfart, la vi inn tilskudd til investeringsmidler til havner, for å få til havnesamarbeid og godskonsentrasjon. Jeg har for øvrig registrert at når det gjelder havn i Midt-Norge, har regjeringen besluttet at den skal legges til et sandtak i Melhus, som en tidligere fra Trøndelag kalte det. Det er ikke akkurat med på å bidra til mer gods på kjøl. I Nasjonal transportplan for 2014–2023 er det satt av 19,4 mrd. kr til sjøtransport. Det er 55 pst. mer enn i 2013-budsjettet. På tampen av en lang og interessant debatt, som jeg har fulgt hele tiden, var dette et forsøk på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

EUs forordning om busspassasjerrettigheter setter minstekrav til hvilke rettigheter busspassasjerer skal ha. Forordningen legger plikter på medlemsstatene, transportører, bussterminaloperatører, reisebyrå og reisearrangører. Hensikten er å bedre passasjerrettighetene innenfor busstransport med et særlig siktemål å bedre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemning. Forordningen skal sikre ikke-diskriminering i forbindelse med de transportvilkårene transportørene tilbyr, i tillegg til å gi assistanse til personer med nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemning. Dette betyr bl.a. at en transportør ikke kan nekte en passasjer å gå om bord på grunn av nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemning. Videre betyr det at personer med nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemning har krav på å kunne gjøre reservasjoner og kjøpe billetter uten ekstra kostnad. Videre gjelder det hvilke rettigheter passasjerene har ved ulykker og regler om erstatningsansvar og plikter hos transportørene ved kansellering og forsinkelser. Forordningen har også generelle regler om klagebehandling og håndhevelse av disse. Høringsinstansene i saken har i stor grad uttalt seg positivt til forslaget om å utvide rettighetene for busspassasjerer. Komiteen er opptatt av at ved å gjøre EUs forordning til en del av norsk rett, styrker en generelt. Dette gjelder i særlig grad rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. En samlet komité støtter at regjeringen tar sikte på å etablere en nasjonal klageordning for busspassasjerer gjennom at den eksisterende Transportklagenemnda for fly- og jernbanepassasjerer blir utvidet til også å håndtere klager fra busspassasjerer. Komiteen er også positiv til at Transportklagenemnda kan behandle saker fra dem som reiser med trikk, T-bane og bybane. En felles klagenemnd bør vurderes for all kollektivtrafikk. Komiteen viser til at forordningen pålegger leverandører av terminaltjenester og transportører tiltak som gjør reisen enklere for kunder med nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemning, og at tiltakene skal gjelde for reiser over 250 km. Komiteen ser imidlertid at behovet for assistansetjenester faktisk kan være like stort ved korte reiser, og derfor ber vi departementet om å gi en oversikt over hvordan dette er ivaretatt lokalt på en egnet måte. Komiteen ber også departementet vurdere hvordan man eventuelt kan sikre en framtidig organisering og finansiering av assistansetjenester på terminaler som også omfatter den fylkesinterne kollektivtrafikken, hvor det i dag er absolutt flest reisende. Fra et mindretall i komiteen pekes det på at arbeidsvilkårene til yrkessjåførene ikke må påvirkes negativt som følge av det nye regelverket, og man henstiller til at sjåførenes sikkerhet og arbeidsmiljø må ivaretas i forbindelse med lovendringene og ved utarbeidelsen av forskriftene. Det er grunn til å uttrykke glede over at vi gjennom denne lovendringen ikke bare har sikret passasjerrettighetene generelt sett på en bedre måte, men spesielt bedret rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne eller bevegelseshemning. Dette er en gruppe som gjennom denne lovendringen blir ivaretatt på en langt bedre måte enn tidligere. Det har i vårt land vært for mange mennesker som har blitt avvist eller på annen måte blitt hindret i å bruke offentlige kollektivtilbud på grunn av sin funksjonshemning. Jeg er derfor glad for at vi i dag har tatt et langt skritt på den veien som sikrer alle grupper mennesker de samme rettighetene som passasjerer. En samlet komité anbefaler de foreslåtte endringer i yrkestransportloven.

men det er også påpekt at selv om ikke lokaltrafikk som buss og trikk og annen kollektivtransport lokalt blir innlemmet, har vi egne lover som på mange måter ivaretar de rettighetene som denne forordningen gir for de lange reisene. Det er egne lover – ikke samlet i én – men de berører stort sett også den lokale trafikken.

Når det gjelder Arbeiderpartiets tilleggsmerknader, går det mer på de arbeidsforhold som dette måtte medføre for transportørene, i den forstand at det blir et ansvar også for bussjåfører å ivareta dette. Her er det jo snakk om en kostnad som det ikke står så veldig mye om i innstillingen, men det er en kostnad ved å innføre disse assistentordningene. Det er

Det blir en styrking av rettighetene til busspassasjerer, og det er særlig med sikte på å forbedre rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. Det er jeg veldig glad for. Det legges opp til at den eksisterende Transportklagenemnda skal utvides til å behandle klager fra busspassasjerer, og regjeringen håper òg at vi skal vurdere å utvide Transportklagenemnda sånn at den behandler klager og brudd på transportvilkårene for reisende med trikk, T-bane og bybane. Det er òg komiteen positiv til, og det er bra. Forordningen pålegger transportører og terminaleiere gratis assistanse til passasjerer med nedsatt funksjonsevne eller redusert mobilitet for ruter som har rutelengde på 250 km eller mer. Komiteen – og derved Stortinget – er her enige om det aller meste, og det gjør det veldig enkelt å videreføre jobben med å sette det ut i livet. Når det gjelder klagenemnd for kollektivtransport, vil jeg påpeke at det eksisterende systemet for Transportklagenemnda er at hver sektor settes med sin egen nemnd innenfor Transportklagenemnda. Der er det representanter fra både forbrukersiden og den innklagede transportnæringen. I dag er det fly og jernbane som er representert, og da vil vår tilnærming være at vi utvider med de andre reisetypene ordningen. Jeg kan òg nevne at det innenfor sjøtransport er et EU-regelverk som stiller krav om en nasjonal klagenemnd, og det er ikke usannsynlig at den klagebehandlingen òg blir lagt til Transportklagenemnda. Jeg har merket meg at komiteen ber departementet gi en oversikt over hvilke assistansetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne som er ivaretatt lokalt på en egnet måte, og jeg har merket meg at komiteen ber departementet vurdere hvordan en eventuelt kan sikre en organisering og finansiering av assistansetjenester på terminaler som òg omfatter den fylkesinterne kollektivtrafikken. Jeg skal følge opp dette, men fordi det haster å få gjennomført selve EØS-regelverket, kan det ta litt lengre tid før det komiteen ber om, blir effektuert, og jeg ber om forståelse for det. Jeg vil også si at jeg har merket meg at representantene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet har kommentarer om at arbeidsvilkårene for ikke må påvirkes negativt som følge av det nye regelverket, at hensynet til sjåførenes sikkerhet og arbeidsmiljø må ivaretas i forbindelse med det videre regelverksarbeidet, og det tar jeg som en selvfølge at vi vil og skal gjøre. Det blir replikkordskifte. Jeg har bare noen korte oppfølgingsspørsmål som jeg tenkte det

for regjeringen, så regjeringen kan jo få det på plass når den ønsker det. Det er mitt primære spørsmål. Det andre gjelder at regjeringen sier at de skal vurdere om også T-bane, bybane og trikk skal være med, og jeg vil gjerne ha et svar på om den vurderingen allerede er foretatt, og om regjeringen ikke bare synes det er en god idé å vurdere, men om den også vil gå for det, for å ordning for alle for det som handler om rettigheter og klageordninger. Det var det. Takk for spørsmålene. Vi vil gjennomføre dette så fort som mulig. Om det betyr at vi får det til allerede nå i sommer, eller om det blir tidlig på høsten, gjenstår å se. Det kan jeg prøve å finne ut av, og så skal jeg formidle det til Stortinget på en egnet måte. Når det gjelder hvor bredt vi går ut med tanke på T-bane, trikk o.l., og med den kommentaren som har kommet fra Stortinget i forbindelse med innstillingen, er det naturlig at vi òg ser på det og prøver å gjøre det så fort som mulig. Men det er busspassasjerrettighetene vi er forpliktet til gjennom forordningen, så det vil ha prioritet, men får vi til de andre tingene samtidig, er det like greit å gjøre det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

eller inngått en avtale som ikke ble overholdt. Det er nettopp derfor det er viktig at forbrukerrettighetene sikres gjennom lover. Direktivets formål er bl.a. å lette handelen over landegrensene. Medlemsstatene skal ha ensartede regler når det gjelder visse aspekter ved avtaler som inngås mellom forbrukere og næringsdrivende. Det er også et formål å oppnå et høyt nivå på forbrukervernet. Direktivet omfatter alle avtaler om varer og tjenester mellom forbrukere og næringsdrivende, uansett om avtalen inngås i butikk, ved fjernsalg eller utenom faste forretningslokaler. Direktivets bestemmelser som gjelder avtaler som inngås ved fjernsalg og ved salg utenom faste forretningslokaler, foreslås gjennomført i ny lov om opplysningsplikt og angrerett. Forslaget om en helt ny lov skyldes at direktivet nødvendiggjør omfattende strukturelle endringer i gjeldende lov. Lovforslaget reduserer ikke det høye forbrukervernet som følger av gjeldende lovverk. Formålet med ny lov er i likhet med gjeldende lov å sikre at forbrukerne får relevant og nødvendig informasjon før avtale inngås ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Eksempler på salg utenom faste forretningslokaler er gatesalg, messesalg og oppsøkende dørsalg. Fjernsalg defineres som salg ved bruk av fjernkommunikasjon, f.eks. TV, Internett og telefon. Lovforslaget inneholder krav til avtalen og gir som gjeldende lov forbrukeren rett til å gå fra avtalen innen 14 dager. Unntakene fra gjeldende lovs virkeområde foreslås videreført. I samsvar med direktivet foreslås det også å unnta avtaler som omfattes av lov om pakkereiser og reisegaranti pakkereiseloven – avtaler om persontransporttjenester og visse avtaler inngått med ekomtilbydere. Avtaler på disse områdene er godt dekket opp av annet regelverk. Etter endringer i loven har forbrukerne krav på flere opplysninger før avtale inngås. Reglene forenkles ved at bestemmelser om angrerett blir felles for avtaler inngått ved fjernsalg og ved salg utenom faste forretningslokaler. Det blir også felles regler for varer og tjenester. Det blir strengere krav til den næringsdrivende, som bl.a. ikke kan kreve dekket kostnader det ikke er opplyst om før avtale inngås. Det foreslås også økt adgang til å angre kjøp av vare, selv om den ikke kan returneres i samme stand og mengde. Proposisjonen inneholder også forslag om at opplysninger skal gis forbrukerne før avtale inngås på områder som ikke dekkes av forslaget til ny lov om opplysningsplikt og angrerett. Et annet forslag er om begrensning i den næringsdrivendes adgang til å kreve gebyrer og tilleggsbetaling for avtalt ytelse, samt bestemmelser om leveringstidspunkt når dette ikke er avtalt, og risikoens overgang ved sendekjøp. Hovedendringene i ny lov sammenlignet med gjeldende lov er et felles regelverk for varer og tjenester, utvidet adgang til å angre kjøp av varer, selv om de har fått redusert verdi, utvidet plikt for forbrukeren til å betale for retur av vare. Forbrukeren skal som hovedregel returnere mottatt ytelse før vederlaget betalt til den næringsdrivende er mottatt i retur. Brudd på visse opplysningskrav får økonomiske konsekvenser for den næringsdrivende. Reglene om opplysningsplikt og angrerett gjelder også når forbrukeren tilkaller den næringsdrivende, med mindre samlet vederlag ikke overstiger 1 500 kr. Fjernsalg per telefon likebehandles med annet fjernsalg. Bestemmelser om håndheving og sanksjoner inntas i loven. Det skal være økte krav til opplysninger fra den næringsdrivende før avtale inngås. Særbestemmelsene som gjennomfører fjernsalgsdirektivet om finansielle tjenester samles i én del av loven. Når familie- og kulturkomiteen i dag legger fram en enstemmig innstilling, så er dette et uttrykk for at forbrukerrettighetene er godt forankret i det norske samfunnet. Komiteen er overbevist om at den nye loven vil sikre gode forbrukerrettigheter inn i framtida. Angrerettloven får nå en harmonisering med øvrige land i

Både forbruksmønsteret og tilbyderarenaene er i konstant endring og utvikling. Derfor må vi ha lover som forenkler og er tilpasset ulike former for kjøp og salg mellom forbruker og næringsdrivende. Dette er en lov som bør være lett tilgjengelig og enkel å forstå, da den regulerer et område som har Formålet med loven er å sikre at forbrukeren får relevant og nødvendig informasjon før avtale inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Dette området er så viktig for forbrukerne, og denne loven vil ha så stor interesse, at det er grunn til å understreke komiteens merknad om ønsket om en pedagogisk veileder, dette for å gjøre lovens hovedendringer lett tilgjengelig.

Videre ser vi også at noen unntak videreføres. De områder hvor unntak foreslås videreført, bl.a. for pakkereiser og persontransporttjenester er, som vi hørte, godt dekket av annet regelverk. Samtidig får vi nå en forenkling ved at bestemmelser om angrerett blir felles for avtaler som inngås ved fjernsalg og ved salg utenom faste forretningslokaler.

Formålet med en ny lov er i likhet med gjeldende lov å sikre at forbrukerne får relevant og nødvendig informasjon før avtale inngås ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Lovforslaget gjennomfører EU-direktivet om forbrukerrettigheter. Formålet med direktivet er å bidra til et velfungerende indre marked, ved å legge til rette for økt Det legger opp til høy grad av forbrukerbeskyttelse. Da Stortinget samtykket i å innlemme direktivet i EØS-avtalen, var man klar over at norske forbrukere stort sett ville beholde eller få bedre rettigheter, men at forbrukervernet likevel også kanskje på noen punkter ville bli svekket. En e-handelsrapport fra 2013 viser at og at over halvparten av alle nordmenn har handlet en fysisk vare fra en utenlandsk nettbutikk. Det gir trygghet for forbrukerne og forutberegnelighet for næringsdrivende, når samme rettigheter og plikter gjelder, uansett hvilket europeisk land de handler i. Norske forbrukere kjøper også varer og tjenester når de f.eks. er på sommerferie, langtidsferie eller studieopphold i andre europeiske land. Da vil de ha nytte av gode rettigheter som gjennomføring av direktivet medfører i alle europeiske land. Et vesentlig poeng for norske forbrukere er at selve angrefristen på 14 dager videreføres. Når det gjelder forbedringer, vil også den nye angrerettloven få enklere struktur enn gjeldende lov, med færre unntaksregler. For eksempel foreslås felles krav til avtaler om varer og tjenester, og ett system for gjennomføring av angrerett.

De fleste av bestemmelsene i direktivet er totalharmonisert, dvs. at det ikke er gitt adgang til å gi avvikende nasjonale regler. Enkelte bestemmelser er likevel valgfrie, og jeg er glad for å kunne foreslå at det særlige forbrukervernet ved uanmodet telefonsalg videreføres. Det innebærer at næringsdrivende som ringer til en forbruker for å selge noe, skal bekrefte tilbudet sitt skriftlig etter telefonsamtalen,

I tillegg må forbrukeren etter ny angrerettlov i større grad betale for arbeid som er utført fram til forbrukeren bruker angreretten. Et eksempel på det er dersom forbrukeren ber den næringsdrivende starte å male et hus straks etter at det er inngått en avtale, og forbrukeren senere angrer. De nye reglene medfører også noen praktiske forenklinger. Det blir nå ett angreskjema som er felles for varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.

må bygge like mye som de siste 100 år. Det har allikevel de siste årene blitt bygd 10 000 færre boliger per år enn det som trengs for å møte befolkningsveksten. Offentlige reguleringer skal ikke forsinke eller fordyre boligbygging. Det må sikres raskere saksbehandling av byggesaker, og en forenkling av plan- og bygningsloven er etterlyst av både offentligheten og næringen. Det har regjeringen vært opptatt av fra dag én, og det gjenspeiler også proposisjonen.

En god boligpolitikk handler først og fremst om å legge til rette for raskere boligbygging, enklere søknadsprosesser og færre krav, detaljer og innsigelser. Det handler om å vise tillit til den enkelte borger og byggenæringen, og ikke minst om å forsterke det lokale selvstyret. La meg trekke fram ett forslag jeg er spesielt fornøyd med, på de få minuttene man har her oppe: Regjeringen foreslår færre søknadspliktige tiltak. Det betyr at tiltak som f.eks. mindre garasjer og uthus på inntil 50 m2 skal unntas fra kommunal saksbehandling og nabovarsel såfremt det ikke er i strid med plan, og ellers er i tråd med plan- og bygningsloven. Den forrige regjeringen hadde også en intensjon om å redusere antall søknadspliktige tiltak, men deres forslag høstet betydelig motbør i høringsrunden. Denne regjeringen presenterer derfor et forslag som løser forenklingsutfordringen uten å skape mer byråkrati, og uten å skape det frislippet som den forrige regjeringens forslag la opp til. Den registreringsordningen som Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsatt ønsker å holde fast ved, har man foreslått skal omfatte tilbygg på inntil 50 m2, garasjer på inntil 70 m2 og landbruksbygg på inntil og det var åpnet for at de kunne bygges inntil 1 meter fra nabogrensen. Tiltakene måtte nabovarsles, men verken kommunen eller tiltakshaver var forpliktet til å ta hensyn til eventuelle nabomerknader. Dette er i beste fall en kvasilov – ingen forenkling. Og jeg vil gjerne si at når enkelte vil si at det å gi frislipp på 50 m2 er verre enn 500 m2, tror jeg man bør lese proposisjonen en gang til. I dag bruker kommunene mye ressurser på slike små saker. Disse sakene utgjør 20 pst. av kommunenes byggesaker, og folk betaler store summer i saksbehandlingsgebyrer. Regjeringens forslag om å unnta slike mindre bygninger fra kommunal saksbehandling og nabovarsling vil bety mindre arbeid for kommunen og mindre byråkrati for innbyggerne. Samtidig skal det nevnes at vi er fortsatt veldig opptatt av at ulemper for naboene reduseres, og vi imøteser derfor at regjeringen i forskrift til plan- og bygningsloven kommer til å oppstille begrensninger for bl.a. størrelse, høyde og avstand fra nabogrense, slik at eventuelle ulemper for naboer reduseres til et minimum. Denne proposisjonen som vi har behandlet, og innstillingen som foreligger, vil gi raskere boligbygging, mindre byråkrati, den enkelte kommune og mer tillit til den enkelte borger. Videre vil disse forslagene sørge for at næringen endelig kan sette ytterligere fart i boligbyggingen. Vi må bygge flere boliger, for selv om boligbyggingen har tatt seg opp de seneste årene, er

Forslagene innebar bl.a. raskere saksbehandling, mer forutsigbarhet, forenklinger og færre omkamper. Jeg er glad for at den blå-blå regjeringen også på dette området viderefører et viktig forenklingsarbeid som ble igangsatt under den rød-grønne regjeringen. Jeg er glad for at det er bred enighet om de aller fleste forslagene. I denne saken er det mange hensyn som skal veies opp mot hverandre. Behovet for forenklinger må balanseres opp mot samfunnets behov for lovlighet og kontroll, hensynet til naboers rettssikkerhet og hensynet til kvalitet. Regjeringen foreslår altså å unnta mindre tiltak fra både søknadsplikt og nabovarsling. Vi mener dette ikke er en løsning som balanserer viktige hensyn godt nok. Derfor står vi på den rød-grønne regjeringens opprinnelige forslag, nemlig en registreringsplikt som gir kommunene mulighet til å sjekke lovligheten av tiltaket. Tillatelse regnes som gitt dersom kommunen ikke har gitt svar innen tre uker. Vårt forslag innebærer også at vanlige regler for nabovarsling skal gjelde. Med regjeringens forslag vil man kunne bygge en 50 m2 stor garasje 1 meter fra nabotomten uten at naboen får tilstrekkelig informasjon eller mulighet til å Dette forslaget har møtt kritikk, og vi har lyttet til den kritikken. Vi er også bekymret over en utvikling der folk med penger og ressurser klager stadig flere saker inn for domstolene. Vi mener at nabovarsling er en billig og god investering for å hindre at nabokrangler

Arbeiderpartiet mener derfor det er avgjørende at vi får på plass tiltak som løfter den seriøse delen av næringen. Vi vet at BNL har nedsatt en ekspertgruppe som skal komme med tiltak. Vi gleder oss til å diskutere disse forslagene, men vi skulle ønske – og mener det er mest hensiktsmessig – at man hadde på plass de kompenserende tiltakene samtidig som lokal godkjenning oppheves. Jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet ikke er med på en eneste merknad der man uttrykker bekymring over utviklingen i byggenæringen og behovet for flere tiltak. Jeg håper det ikke er synonymt med at man ikke bryr seg. Vi foretar i dag mange viktige forenklinger i byggesaksprosessen. Jeg er glad for at vi er enige om de aller fleste tiltakene.

og fornya plan- og bygningsloven, er ein draum som går i oppfylling. Denne loven har vore viktig for mange av lokalpolitikarane frå Framstegspartiet. Veldig mange av lokalpolitikarane våre blir lokalpolitikarar nettopp fordi dei har møtt eit byråkrati knytt til plan- og bygningsloven. Dei har forsøkt å søkja om noko og har møtt eit byråkrati som har vekt eit engasjement som har gjort at dei har meldt seg inn og

er så viktig, når det står konkret i forslaget som vart fremja av den førre regjeringa: «Tiltak som registreres etter denne bestemmelse kan ikke påklages.» Kva er poenget med å leggja til rette for eit nytt system, dersom det ikkje skal føra til noko konkret? Ein annan stor forskjell er at me gjer det lettare å byggja frittståande bygg på inntil 50 m2 på eigen eigedom. Men me lèt ikkje den same regelen gjelda tilbygg. Det er ein forskjell på eit tilbygg som skal brukast til å bu i, og eit frittståande bygg som skal brukast til f.eks. oppbevaring og lagring av bilar. Eg registrerer at den raud-grøne regjeringa meinte at ein berre skulle melda om eit tilbygg på 70 m2. Me meiner at eit tilbygg på 70 m2 er noko ein skal

Det er ikkje fritt fram for kven som helst å byggja kva som helst, men har ein oppfylt krava i plan- og bygningsloven, kan ein setja opp mindre bygningar. Departementet jobbar no med forskrifter som regulerer dette. Eg har tillit til at dei blir så gode at ein kan ta omsyn til dei ulike interessene som måtta vera – òg når det gjeld naboar. Me skal heller ikkje undervurdera den nabopraten som oppstår når folk er interesserte i å ha ein god dialog med naboen sin. Eg trur ikkje alternativa er planutval eller rettssystemet. Eg trur at òg naboar er i stand til å snakka med kvarandre og er interesserte i å byggja noko som naboane respekterer. Forskrifta vil òg leggja gode føringar. Eg trur den diskusjonen som ein har, er overdriven. Kommunane må vera førebudde på å driva med rettleiing overfor innbyggjarar som skal nytta den nye moglegheita. Med 20 pst. redusert tid til å driva med service og rettleiing overfor innbyggjarane sine. Framstegspartiet er veldig glad for å sitja i regjering og å vera med på å føreslå ein enklare kvardag for folk flest. Dette er den fyrste saka – men ikkje den siste – i denne perioden der Stortinget behandlar lovar som skal forenklast. Regjeringa har allereie fremja ein ny proposisjon knytt til som energi- og miljøkomiteen skal behandla – der ein m.a. føreslår å ta ut femårsregelen for planar. I tillegg til at ein jobbar med forskriftene, ligg det føre mykje godt forenklingsarbeid frå denne

Gjennom mange år har det blitt bygd for få boliger i Norge, og befolkningsveksten er en av grunnene. En god boligpolitikk handler om å legge til rette for raskere boligbygging, enklere søknadsprosesser og færre krav, detaljer og innsigelser. I arbeidet med forenkling av dette står spørsmålet om søknadsplikt til bygningsmyndighetene sentralt, der det er spørsmål om hvor mye som skal forhåndsvurderes av kommunen for tiltakene. Terskelen for søknadsplikt har vært diskutert ved alle revisjoner. Diskusjonen om terskelen for søknadsplikt gjelder først og fremst tiltak av mindre størrelse og kanskje også mindre samfunnsmessig betydning. Jeg mener vi må vurdere nøye hvilke ressurser kommunen skal bruke på tiltak som gjerne først og fremst har betydning for naboforhold, svært ofte av privatrettslig karakter. Det hevdes at det kan øke risikoen for ulovligheter, og at tiltakshaver og naboer mister den konfliktløsningsmekanismen som ligger i en byggetillatelse, men jeg mener at det også er viktig å se på forholdet mellom ulempene og den ressursbesparelsen kommunen og tiltakshaver nå kan oppnå. Å foreta seg noe på egen eiendom – utbygging, garasje eller bod – vil Det vil være i alles interesse at naboer ivaretar et godt grenseforhold og varsler og drøfter tiltakene med hverandre. På den andre siden mener vi at grunneier må, på gitte vilkår, få tilrettelegge for sine behov og muligheter så lenge det foregår innenfor de gjeldende reguleringsbestemmelser og kommunaltekniske normer for området. Utover dette må grunneiere forholde seg til privatrettslige forhold i naboloven, noe som i sak og innhold kanskje går minst like langt som nabovarselet i den tidligere byggesaksbehandlingen. I § 5 i naboloven står det at ingen må sette i gang graving, bygging, sprenging e.l. uten å sikre naboeiendommen. I § 6 går det enda lenger. Under «Grannevarsel og førehandsavgjerder» står det at når noen vil gå i gang med planting, graving, bygging, industrivirksomhet eller annet, skal han varsle grannen i rimelig tid på forhånd.

at de nye forskriftene som skal komme, har klart oppstilte begrensninger for størrelse, høyde og utforming. Utover dette gjelder brannforskrifter og minste avstand til nabo som før. Dagens forskrifter og lover skal legge opp til strenge krav om kvalitet, sikkerhet og gode bomiljø, og med min erfaring fra titalls, sannsynligvis hundrevis, av praktiske saker, blir det etter min mening ikke noe fritt fram med denne endringen i varsling.

som gjør det enkelt for den enkelte å finne og å følge regelverket, for nå er grunneier fullt ut ansvarlig for at alle tiltakene oppfyller vilkårene overfor både naboer og myndigheter, og må ta konsekvensene av det på egen kappe. Kristelig Folkeparti vil derfor støtte endringene slik proposisjonen har
Heidi Greni,

Enkelt og forståelig regelverk og rask og effektiv saksbehandling er et mål de fleste av oss deler. De fleste av oss er også enige om at byggesaksprosessene er for detaljerte og for tungvinte. Selv profesjonelle aktører i byggebransjen strever med å få alle detaljene inn på rett plass i rett skjema. For lang saksbehandlingstid hos offentlige Enklere regelverk må vi tro vil bidra til å redusere saksbehandlingstiden også. Det er en annen side ved dette her som har kommet fram både i svaret på høringsrunden og i komitéhøringen om saken. Forenklinger gjennom å fjerne krav og muligheter til å uttale seg om byggeplanene fra naboer og berørte har også sine negative sider, og jeg skulle ønske at kravet til nabovarsel ble Det tror jeg ville hatt en konfliktdempende, forebyggende virkning. En høringsinstans sa vel noe slikt som at man sikkert kan redusere behovet for en ingeniør på kommunekontoret, men faren er at man nå må ansette to nye Vårt arbeid for forenkling i byggesaksprosesser må finne den rette balansen mellom hensynet til utbygger, som ikke skal møte et håpløst byråkrati, og hensynet til berørte parter, som ikke skal bli bygd inn av en nabo som ikke viser nok hensyn. Likevel vil jeg hevde at vi har hatt en tendens til å ta så mange hensyn at lovverket har blitt for komplisert, og det har gitt oss en for tungrodd saksbehandling. Gjennom denne saken er vi nå på rett

m2, frittliggende bygg, som garasje o.l., inntil 70 m2, og driftsbygninger inntil 500 m2. Søknadsplikten skulle fjernes til fordel for en registrering av byggetiltaket. Etter tre uker kunne utbygger gå i gang dersom det ikke var kommet svar med innvendinger, og vanlig nabovarsel skulle fortsatt gjelde.

Senterpartiet har sammen med Arbeiderpartiet tatt opp igjen forslagene fra den rød-grønne regjeringen og høringsnotatet om en meldingsordning og forenkling for flere typer bygg enn det regjeringen og komitéflertallet har landet på. I sin gjennomgang av høringsuttalelsene i meldingen viser departementet til at de aller fleste høringsinstansene var positive til forenkling, men mange har samtidig noen motforestillinger, særlig knyttet til nabovarsel. Andre motforestillinger var knyttet til en frykt for at forenklingsforslagene kan bidra til at regelverket slipper gjennom byggeprosjekt som burde vært mer grundig vurdert. Men det er ikke fritt fram. Utbygger skal uavhengig av søknadsplikt eller meldeplikt forholde seg til overordnede regelverk etter plan- og bygningsloven. Det er selvsagt en fare at lite erfarne eller useriøse aktører kan gi større problemer i ettertid. Fra Senterpartiets side legger vi stor vekt på at disse endringene i plan- og bygningsloven skal føre til forenklinger og frigjøre behandlingskapasitet. Vi mener høringsforslagets forslag til endringer er best og tryggest, ikke minst legger vi vekt på nabovarsel i det forslaget. Fra komiteens side er det imidlertid ikke flertall for vårt forslag, og det er grunn til å tro at det vil falle under voteringen. Senterpartiet vil derfor stemme subsidiært for innstillingen som flertallet har til vedtak. Jeg oppfatter at Arbeiderpartiet tok opp de forslagene vi står sammen om i

Vi er også opptatt av å ha et regelverk som gir en god forutsigbarhet for alle involverte parter, herunder grunn- og huseiere, som selv iverksetter tiltak, og naboer som berøres av tiltakene. Vi tror imidlertid at hovedgrepet ved effektivisering er å svekke det lokale skjønnet i kommunene. Kommunene er ulike og trenger ulike løsninger. Vi mener at det er en styrke ved plan- og bygningsloven at den åpner for ulike løsninger på ulike plasser. Det er åpenbart at utfordringene i Overhalla er annerledes enn midt i Oslo. Selv med større kommuner vil det være store ulikheter i geografi, avstander, befolkningstetthet, vekstutfordringer

er gjerne stor nok til at det er flere muligheter for plassering uten at det er til sjenanse for naboen. I de mer tettbygde områdene er ofte tomtene mindre og naboene tettere på. Men om man er lokalpolitiker i Oslo og vil innføre dette likevel, vet de best hva som passer for Oslo. Imidlertid erkjenner vi at det ikke er flertall for det, og vi beklager det. For ordens skyld

konsulteres, unngår en plassering av tiltak som åpenbart er til sjenanse for naboen. Vi tror ikke at konfliktnivået mellom naboer blir mindre når de blir mindre involvert. Det er dessverre en større fare for at konfliktnivået skjerpes, og at en da må kontakte advokat og ta rettslige skritt for å stanse problematikken. Advokater har selvfølgelig et viktig samfunnsoppdrag, men i nabokonflikter har de først og fremst en eskalerende effekt. Vi er også i tvil om hvor mye en sparer av samfunnets ressursbruk ved å redusere søknadsplikten. Det er åpenbart at risikoen for ulovligheter vil øke, og at bygningsmyndighetene derfor må styrke kontrollen og sanksjonere flere ulovligheter i etterkant framfor å godkjenne i forkant. Dette fører også til inntektssvikt som følge av at gebyret knyttet til tidligere søknadspliktige også

og det er derfor viktig at tiltaket i noen saker blir vurdert i forkant. Dette handler om kvalitet, sikkerhet og ansvarlighet. Venstre støtter derfor ikke forslaget om å stryke formuleringen «dersom forholdene ikke tilsier noe annet» i plan- og bygningsloven § 21-4 første ledd andre punktum og vil stemme mot dette under voteringen. I tillegg ber vi om at vi også får stemme imot 21-3 vedrørende nabovarsel – det som er nytt i det.

Den forrige regjeringen sendte forslag på høring. Og man sender på høring for å høre. Jeg har gått gjennom mange av høringsuttalelsene, og mange av dem er veldig kritiske til deler av forslaget. De påpeker at den friheten som man nå vil gi noen, er en frihet på andres bekostning – noen ganger også og på kvalitetens bekostning. Da kan ikke SV se at en del av disse forslagene er av det gode, og noen av dem bør vi ikke vedta. Det er fire år siden plan- og bygningsloven ble endret sist. Da ble veldig mye endret, og veldig mange av de historiene som nå går om plan- og bygningsloven, gjelder den loven som eksisterte før 2010. Så de som beskriver loven nå som forferdelig tungvint og vanskelig, har ikke helt lest leksa si om hvordan historien om dette er. Det har vært mye diskusjon om disse 50 m2 og mer enn 1 meter fra naboen.

de skal gjøre – de får bare mer jobb. Hvis man ikke er en ansvarlig tiltakshaver, spør man kanskje ikke, og ikke varsler man naboen, heller. Vi kan forestille oss at det kanskje ikke er noe tiltak som demper nabokonflikter, slik som flere har vært inne på her tidligere, og at dette også antakeligvis vil bidra til flere rettssaker. Derfor har veldig mange av høringsinstansene vært veldig kritisk til dette, og vi er imot det. Vi er også imot det som Arbeiderpartiet og Senterpartiet nå foreslår, at man kan godta dette hvis man har en registreringsordning. Vi tror ikke en registreringsordning vil fungere godt. Vi synes det er bedre at det er sånn som i dag, i dag, at man faktisk må søke. Den jobben må antakeligvis kommunen gjøre i de aller fleste tilfellene uansett for å finne ut om dette er i tråd med lover og regler, og at man skal gi et nabovarsel, slik at man kan få avklart dette. I de aller fleste tilfellene går dette veldig greit, og man unngår å belaste rettsapparatet. Kommunen, som skal kontrollere dette i ettertid, vet engang. Så skal de kontrollere det og finner at noe er feil, og så skal man gå i gang med en rettsprosess for å det revet ned igjen eller rettet opp. Det blir ikke mindre byråkrati, det blir mye mer. Dette vil kommunene nå måtte sørge for å få gjort uten de grunnleggende gebyrinntektene de har. Så ser jeg at regjeringen sier at denne kontrollvirksomheten kanskje kan finansieres med gebyr, men det gjenstår å se. Det er flere punkter her, og nabovarsel har jeg så vidt vært innom, men det handler også om dette med godkjenning av ansvarlig foretak. Der er det gjort endringer i EØS, men det er slik at flere land innenfor EU fremdeles har beholdt noen av disse lokale godkjenningsordningene. SV mener at vi ikke skal fjerne den lokale godkjenningsordningen før vi har en ny, statlig godkjenningsordning på plass. Det er ikke noen tvil om – og næringen er entydig i å advare mot det – at dette ikke bare vil åpne for at man bygger kvalitetsmessig dårlige bygg, som man vil slite med lenge, og som kommunen kanskje må inn å bidra til å rette opp, men vil også åpne opp et stort, nytt marked for svart arbeid og sosial dumping, og det har vi ikke bruk for.

Plan- og bygningsloven skal skape forutsigbarhet og ivareta hensynet til kvalitet. Etter at plan- og bygningsloven i sin helhet er samlet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har vi fått en større mulighet til å se sammenhengene i hele plan- og bygningsprosessen og å legge et bedre grunnlag for de forenklingstiltak som nå gjennomføres. Vi ønsker å bidra til mer effektive plan- og byggesaksprosesser, færre omkamper og mer forutsigbarhet for både næring, kommune og innbyggere. Vi er godt i gang med det store forenklingsarbeidet. Vi legger til rette for færre innsigelser gjennom at det skal legges større vekt på lokaldemokratiet, gjennom kortere tidsfrister og at terskelen for innsigelser er hevet. Vi har nå lagt til rette for forenklinger i bygningsloven, for plandelen og også i den byggtekniske forskriften. Forslagene vi har til behandling i dag, bidrar til nye og kortere for den kommunale saksbehandlingen. Vi fritar flere tiltak for søknadsplikt, og vi bidrar til færre omkamper og mindre byråkrati. Det er flere av de nye tidsfristene som er viktige. Blant annet foreslår vi at enkle byggeprosjekter som folk selv kan være ansvarlig for, f.eks. tilbygg til bolig inntil 50 m2, får en tidsfrist på inntil tre uker. I dag er det en automatikk i at naboprotester fører til en utvidelse til inntil tolv uker. Vi mener at tillatelse skal anses som gitt dersom kommunen ikke har behandlet saken innen tre uker. Vi foreslår også å frita flere tiltak for søknadsplikt. Det er kanskje den saken som har skapt mest diskusjon. Vi mener at det er et fornuftig som selvsagt forutsetter at tiltakshaver forholder seg til lover og regler og de kommunale reguleringsplanene. Vi vil også legge ut på høring en ny forskrift som også vil stille krav til både høyde, lenge og andre forhold som er viktige i et naboforhold. Disse sakene utgjør i dag 20 pst. av kommunenes byggesaker. Det betyr at når disse sakene tas ut av den formelle søknadsplikten, vil kommunene få frigjort kapasitet som gjør at de kan satse mer på de store og kompliserte sakene og også kan være en bedre veileder for innbyggerne. Jeg registrerer at de rød-grønne partiene med unntak av SV holder fast ved sitt opprinnelige forslag. Det er et forslag som var mer radikalt eller mer ytterliggående enn det regjeringen har lagt opp til, ved at man uten å søke kunne sette i gang å bygge inntil 50 m2 tilbygg, 70 m2garasje eller 500 m2driftsbygning i landbruket. Selv om man en formell nabovarsling, var ikke kommuner eller tiltakshaver pliktig til å ta hensyn til denne nabovarslingen. Jeg registrerer at representanten Greni sier at kravet til nabovarsel vil redusere faren for nabokonflikter. Jeg kan sitere en leder av en sa: I dag klages det på nesten alt – det kan ikke bli verre enn det det er i dag! Det systemet vi har, bidrar ikke til å redusere nabokonflikter. Vi mener at det forslaget vi har lagt frem, vil bidra til både mer forutsigbarhet, og at man kan løse konfliktene på andre måter. La meg til slutt si at med det forslaget vi fremmer, med bakgrunn i EØS-kravet om lokal godkjenning,

Huseiernes Landsforbund sier at det vil bli flere nabotvister fordi man nå vil bruke naboloven for å få sakene til domstolen. Mitt spørsmål til statsråden er: Tar Huseiernes Landsforbund feil, og tror statsråden konflikter blir mindre av at naboene involveres mindre? Det må bygge på en misforståelse hvis representanten tror at kommunen skal være en mekler mellom naboer, for det er ikke tilfelle. Kommunen skal sikre at tiltakshaver forholder seg til lover og regler, noe tiltakshaver selvsagt må gjøre. Også i det forslaget som Arbeiderpartiet står bak, er det jo slik at verken tiltakshaver eller kommune trenger å ta hensyn til et eventuelt nabovarsel. Derfor er det et slag i luften, det alternativet som de rød-grønne har lagt opp til. Vi mener at det forslaget vi nå fremmer, bidrar til forenkling ved at kommunen får frigjort mye kapasitet som kan brukes på større og viktigere saker. Det bidrar til at innbyggerne slipper å betale byggesaksgebyrer, de kan raskere komme i gang, men de må selvsagt forholde seg til lover og regler, og vi vil også sørge for at den forskriften som blir lagt ut, gjør at man ivaretar hensynet til naboer. Bare for å stille et oppfølgingsspørsmål Mener statsråden at Huseiernes Landsforbund har misforstått? Mener statsråden at Huseiernes Landsforbund her kommer med et slag i luften? Det er det veldig interessant å få en oppklaring av, for dette har vi mottatt mange henvendelser om og sett et stort engasjement. Vi har sett mange saker i media om at folk er opptatt av at det er et godt forhold der ute – at man holder konfliktnivået lavest mulig. Så er det sånn at Huseiernes Landsforbund har misforstått?

Så Arbeiderpartiet står for et mer radikalt forslag uten forenkling. Vi har et mer moderat forslag som bidrar til forenkling. Det er ikke slik at kommunen skal være meklingsmann mellom naboer. Kommunen skal vurdere om tiltakshaver forholder seg til lover og regler, og jeg har tillit til at naboer er opptatt av å ha et Det mener vi at vi ivaretar med den forskriften som vil bli lagt frem, hvor man også vil understreke de rammene som skal være for de nye byggene. Regjeringen er veldig opptatt av forenkling, og derfor forundrer det meg litt at det er flere av foreslått i høringsnotatet, som ikke er tatt inn i forslaget. Jeg vil spørre statsråden om hva som er årsaken til at tilbygg, og ikke minst landbruksbygg, er tatt ut av forenklingsforslaget. Landbruksbygg er jo nettopp den typen bygg som bl.a. representanten Skjelstad omtalte her, som ligger i områder der det ikke er naboer tett og der man ikke har den problematikken at det ligger i tettbygd strøk og vil være til sjenanse for naboene. Hva er årsaken til at det ikke er med i forenklingsforslaget? Det er fordi vi mener at det forslaget gikk for langt, det var for ytterliggående, det forslaget som de rød-grønne har lagt på bordet. Vi mener at et tilbygg på 50 m2, en garasje på 70 m2 og et næringsbygg i landbruket på inntil 500 m2, uten å måtte søke, Vi mener at et tilbygg på 50 m2, en garasje på 70 m2 og et næringsbygg i landbruket på inntil 500 m2, uten å måtte søke, var for ytterliggående. Når forslaget ikke ville bidra til reell forenkling, la vi det forslaget bort. Det de rød-grønne partiene foreslo, var at man skulle ha en egen registreringsordning. Det betyr at man bygger opp en ny sakstype i kommunene, og dermed ville ikke det forslaget bidra til forenkling, og det ble også sterkt kritisert i høringsrunden. Et ytterliggående forslag uten forenkling kunne vi ikke stille oss bak, derfor har vi lagt frem et mer moderat

boligområder. Da tror jeg at det vil komme dit hen at det i større grad vil oppstå konflikter. Det var det jeg mente tidligere, at ved å ha en ordning med kommunal godkjenning hadde man unngått disse konfliktene. Jeg kunne tenkt meg å få en betraktning av hva statsråden mener, om dette er konfliktdempende i de områdene man ikke har gjeldende reguleringsplaner

kommunen. Vi vil bidra til at den forskriften som tiltakshaveren må forholde seg til, gjør at man balanserer hensynet til kommunen. Det er som jeg også har understreket flere ganger, heller ikke i dag slik at kommunen skal være en mekler mellom naboer. Det må ivaretas på andre måter, og vi mener at vårt forslag er balansert og godt og ivaretar de ulike

I dag får kommunen gebyrinntekter av søknadsprosessen, og de må gjøre akkurat det samme nå som de gjorde i søknadsprosessen, men uten inntekter. Det er flere av høringsinstansene som peker på nettopp dette, at denne forenklingen kan føre til at kommunene får mindre gebyrinntekter og må si opp folk, slik at de har færre til å behandle reguleringsplaner og til å følge opp disse tiltakene som trenger oppfølging. Hvordan har regjeringen kommet fram til det regnestykket, at dette skal kunne være besparende på en slik måte at kommunene faktisk har ressurser til å følge opp det de også i framtida har ansvaret for? Min bekymring går ikke først og fremst på kommunenes gebyrinntekter. Jeg er mer opptatt av at innbyggerne med dette kan slippe gebyr, og at man raskere kan få satt opp det bygget man ønsker å få realisert. Så er det slik at disse sakene utgjør hele 20 pst. av Når kommunene slipper å behandle disse, kan man effektivisere noe, og så kan man bruke noe av kapasiteten til de større og mer kompliserte sakene, og kommunene kan i større grad også være veiledere overfor innbyggerne. De fleste kommunene har i dag opprettet servicetorg, hvor kommunens innbyggere kan møte kommunens innbyggere kan møte kommunens ansatte og vil med våre forslag da kunne få mer veiledning om hvordan man skal gå frem, istedenfor at kommunenes ansatte skal bruke tid på saksbehandling. Dette viser at statsråden ikke har forstått hva som vil bli virkningene av dette, nemlig at når man ikke skal behandle en søknad, har man ingen gebyrinntekter. Jeg skjønner at statsråden ikke er spesielt opptatt av det, men det er det kommunen ansetter saksbehandlere for – de pengene som kommer inn, bidrar til at man kan ansette folk som nettopp kan gjøre denne man da ikke – for å si det sånn – tar sjansen på å sette opp noe uten å spørre noen. Det håper jeg ingen gjør. Mange av høringsinstansene har nettopp pekt på dette, at det regnestykket regjeringen setter opp, ikke stemmer. Når gebyrinntektene forsvinner, vil man heller ikke ha råd til å oppbemanne disse kontorene på samme måten som man har i dag – ergo vil man ikke få økt kvalitet og bedre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

Jeg er heller ikke så opptatt av gebyrinntektene, bare for å innlede med å si det. Som en stemmeforklaring vil vi votere for våre paragrafer, § 21-3 og det som er nytt der, og § 21-4 andre ledd. Hvis dette nå skulle falle, noe vi tror er sannsynlig, kommer vi til å stemme for resten av plan- og bygningsloven i sin helhet.

de spørsmålene de må ha svar på for å sette i gang. Nå har nemlig enkeltpersonen – privatpersonen – hele ansvaret sjøl. Alle ansvarlige vil jo da sjekke ut dette først. Byggenæringen sier dette, kommunene sier det, at disse gebyrinntektene er med på å finansiere den servicen vi skal gi våre innbyggere. Så det er det som er hele problemet,

ikke som en konfliktsløsingsmekanisme, som i dag ligger i nabovarslingen og godkjenningen, men som en oppmann i en rettssak, som skal klargjøre hva som er det planmessige, rettmessige, grunnlaget for et byggetiltak. Dette er å dra konfliktene ut i tid, og jeg tror at man dessverre får flere konflikter. jeg tror at man dessverre får flere konflikter. Jeg skulle ønske det var så enkelt, og jeg håper det går bra. Jeg håper at alle tar kontakt med naboen før de bygger, og at man håndterer dette på fornuftig vis. Men kommunene må fremdeles svare på alle disse spørsmålene. Da har i hvert fall kommunalministeren en stor jobb å gjøre med å sikre at kommunene har økonomi til å ansette de menneskene som skal til for å ha det apparatet som kan hjelpe folk der og da, på plass, og at de også har økonomi til å drive bedre planlegging enn det man gjør i dag. Man bør ha oppdaterte planer – ikke bare reguleringsplaner, men også bebyggelsesplaner. Man bør også ha oppdatert IKT-verktøy, som egentlig burde vært standardisert, i alle kommunene, slik at dette var helt likt i alle kommuner teknisk sett, og at det fungerte veldig kjapt og greit. Alle høringsinstansene sier at det er det som er

Vi ser også at Norges Bygg- og Eiendomsforening skriver at de støtter det den rød-grønne regjeringen foreslo. NBBL støtter også forslaget om registreringsordning, og deler oppfatningen om at ordningen vil være ressursbesparende for både tiltakshaver og kommune. I brev til komiteen skriver BNL bl.a. at de foreslår at for de tiltak som man ikke skal ha søknadsplikt for, bør man ha registreringsplikt eller meldeplikt, slik at det tilrettelegges for bl.a. tilsyn. sånn at man godt kan slå hverandre i hodet med ulike høringsinstanser, men jeg tror at alle tjener på å innrømme at her er det delt, at det er ulike hensyn som står opp mot hverandre. For å sette litt perspektiv på debatten: Det vi nå har diskutert veldig mye, er garasjer, i all hovedsak. Det er mulig at det med regjeringens forslag blir noe raskere å bygge men vi frykter at vinninga går litt opp i spinninga her – og flere boliger blir det neppe med det forslaget, isolert sett. Jeg vil bare avslutte med å gjenta min oppfordring om at det også er behov for strakstiltak for å få i gang boligbyggingen, så det er fremdeles fullt mulig å støtte Arbeiderpartiets forslag om flere studentboliger og økte rammer til Husbanken når vi skal behandle det senere i